eget kapittel om helse- og sosialtjenester. Her vil vi klargjøre mulighetene for lange eller løpende kontrakter og gjøre rede for at man ved gjennomføringen av konkurransen kan legge vekt på forhold ved tjenesten som er spesielt viktige for brukerne, som kvalitet, brukermedvirkning og kontinuitet. Disse elementene er ideelle virksomheter tradisjonelt veldig gode på. I tillegg ønsker regjeringen fullt ut å utnytte det handlingsrommet som finnes innenfor EØS-regelverket, til å legge til rette for at ideelle organisasjoner kan fortsette å tilby helse- og sosialtjenester. Næringskomiteen har bedt regjeringen innhente en ekstern juridisk utredning av handlingsrommet for å ivareta ideelle aktører innenfor helse- og sosialområdet, herunder ulike samarbeidsformer. Regjeringen vil på den bakgrunn vurdere handlingsrommet for å reservere konkurranser om kontrakter om helse- og sosialtjenester for ideelle, og muligheten for ulike former for samarbeid med ideelle, som utvidet egenregi, innenfor EØS-rettens rammer. Regjeringen vil samtidig benytte de mulighetene vi har til å påvirke rettsutviklingen i EU på dette feltet. Sist, men ikke minst har regjeringen vært opptatt av å styrke håndhevelsen av ulovlige direkte anskaffelser fordi erfaringer viser at denne ikke fungerer tilstrekkelig effektivt. Regjeringen har derfor foreslått å gjeninnføre klagenemnda for offentlige anskaffelser sin kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser. Næringskomiteen har foreslått enkelte justeringer i lovteksten. Dette er i all hovedsak presiseringer som er i samsvar med regjeringens politikk, og som var tenkt regulert på tilsvarende måte i forskriftene. Jeg ser nå fram til å få på plass en ny og modernisert anskaffelseslov. Den betyr mye for det offentlige, men den betyr også mye for det private næringslivet. Det blir replikkordskifte. Det er bred enighet om at offentlig sektor gjennom sine innkjøp kan være en viktig pådriver for

en prøveordning rettet spesielt mot utfordringer innen helse og omsorg eller klima. Er statsråden enig med representanten Trellevik, som i sitt innlegg uttrykte at en risikoordning som den NHO og flertallet i komiteen ber om, nærmest vil være å oppfordre offentlig sektor til å skusle bort og gjøre innovative innkjøp der skattebetalernes penger sløses bort? Først: Jeg mener at regjeringen nå går mye lenger med det nye regelverket enn det vi har per i dag, i å få innovative anskaffelser, nettopp fordi en dialog mellom den som kjøper, og den som leverer, vil kunne bidra til innovasjon, Så kommer det jo helt an på hvordan man legger opp en slik ordning, og derfor er jeg glad for at flertallet ber om en utredning av dette. Det er slik at vi har ordninger i dag. Vi har et nasjonalt leverandørutviklingsprosjekt, som denne regjeringen faktisk har med forbehold – tredoblet, tror jeg, siden vi kom i regjering, fordi vi mener at det er viktig å bidra gjennom samarbeid. Dette er et samarbeid mellom NHO, KS og Difi for å utvikle gode prosjekter, og det ser vi gode resultater av. Det er én ordning. I revidert, som skal vedtas neste uke, ligger det inne 65 mill. kr i en incentivordning til fylkene når de skal innhente anbud på ferger, for å få fram miljøteknologiordninger. Så det fins ordninger som det er mulig å innrette, men det generelt å legge inn en risikoavlastning eller generelt pålegge staten å betale for feil f.eks. i kommunene, tror jeg kan bli veldig krevende. Det er krevende. Det er godt å høre at statsråden og regjeringen vil legge til rette for ideell sektor, og som statsråden selv sa, bruke handlingsrommet som ligger innenfor EØS. Ja, de ideelle har stor kompetanse, de har drevet lenge, de er med på å gi mangfold til brukerne, og de er med på å gi kvalitative tjenester. Stortinget vil senere i dag vedta en egen lovparagraf. Så blir det en forskrift som statsråden og regjeringen skal utarbeide om helse- og sosialtjenester. Men komiteen er også opptatt av at det er behov for gode og detaljerte veiledere som beskriver handlingsrommet og de ulike innkjøpsstrategiene. ulike innkjøpsstrategiene. Jeg tror nok jeg vil si at det er hastverk også med dette for å få den tryggheten som dette området nå trenger. Når vil statsråden kunne si at veilederne er på plass? For det første har jeg lyst til å si at jeg opplever at vi er felles, alle i denne sal, om den reservasjonen som vi i dag har for de ideelle og de ideelles plass innenfor dette feltet. Det er også min oppfatning at hvis tidligere regjeringer hadde gjort jobben sin, hadde vi kanskje unngått å stå i den situasjonen vi er i nå, for når man kom på at dette var noe man var opptatt av, var faktisk toget i EU gått. Det beklager jeg. Men når vi nå er i den situasjonen, må vi forholde oss til det handlingsrommet vi har. Vi blir nå bedt om å innhente en ny ekstern juridisk utredning av det. Det skal vi gjøre så fort vi kan, og så må vi veilede på bakgrunn av det. Vi må altså gi råd og veiledning basert på det vi mener er juridisk riktig. Dette er ikke politikk, det er jus, og vi må forholde oss til det av hensyn til de ideelle, og ikke minst av hensyn til alle dem som skal forholde seg til dette regelverket. Så dette skal vi gjøre så fort vi kan. Dette regelverket må vi få på plass, og vi må få det ut i systemene til dem som bruker

Innkjøpere skal altså sette miljøkrav i sine innkjøp, og så skal KOFA faktisk kunne vurdere om de har forholdt seg til de reglene som er. Vi innfører et skal-krav knyttet til dette, som alle innkjøpere må forholde seg til – og vi

effekt. Mange, f.eks. kommuner, er opptatt av å bruke lokalt næringsliv. Komiteen har omtalt dette med «underhåndsbud». Mitt spørsmål til statsråden er: I en situasjon der en kommune skal føre opp et bygg, kanskje koster det 3, 4, 5 mill. kr, og spør fire spør fire lokale entreprenører om å levere inn tilbud – mener da statsråden at hensynet til konkurransen er ivaretatt, og at dette kan være en god måte å løse det på, framfor å ha en nasjonal kunngjøringsplikt? Jeg er for mest mulig konkurranse, og det er en grunn til at vi har kunngjøringsplikt. Det er nettopp for å bidra til konkurranse på likest mulig vilkår. Så jeg oppfordrer til – og jeg har stor tillit til – at kommunene eller andre innkjøpere forholder seg til de reglene som gjelder, og kunngjør når det blir krav om det. Eg beit meg merke i det ministeren sa om miljøkrav, industri og reglar for offentlege innkjøp. Eg synest det i utgangspunktet var veldig trist at regjeringspartia ikkje kunne vere med på å vere offensive på dette området, sånn at miljøkrava blir spegla i innkjøpsreglementet. Men viss resultatet uansett blir det same, er jo denne representanten glad. Eg har besøkt Celsa i Mo i Rana, ein av verdas fremste innanfor armeringsjern, på både miljø, pris, teknologi osv. Dei taper stort på at norske aktørar kjøper armeringsjern i Kina. Kan ministeren garantere at dette er siste offentlege aktørar kjøper armeringsjern frå Kina? På vegne av alle innkjøpere i dette landet tror jeg ikke jeg skal garantere noe annet enn å oppfordre til at man følger loven Stortinget nå vedtar, hvor det skal tas miljøhensyn. Dette med å speile norske miljøkrav og motivet for det er selvfølgelig godt, men det er ganske vanskelig å tenke seg at det skulle medføre et forenklet regelverk. Det vil jo forutsette at alle innkjøpere i Norge kjenner alle lover og regler, alle avgifter som gjelder for kjøpet de skal gjøre. Dette kan være veldig, veldig krevende, og derfor tror jeg det vi lander på her, å stille miljøkrav som en del av innkjøpet som skal vurderes, er riktig og viktig. I sitt svar til representanten og viktig. I sitt svar til representanten Hjemdal hadde statsråden en uttalelse om at dette er juss, det er ikke politikk. Her er vi kanskje ved noe av kjernen i utfordringen når det gjelder situasjonen for de ideelle. Hvor politikken slutter og hvor jussen begynner, tror jeg det er et visst handlingsrom i. Det har vært interessant også å se hvordan den svenske statsråden som har ansvar for noe av det samme feltet, synes å se et stort handlingsrom på dette feltet. Jeg opplevde at statsråden var ganske klar på at man ønsket å bruke handlingsrommet overfor ideell sektor. bare ha en klar bekreftelse på at når man ser innstillingen i dag, hvor flertallet i Stortinget også ønsker det, vil man bruke også det politiske handlingsrommet for å komme så langt som mulig i å gi ideell sektor gode rammevilkår. Da vi tiltrådte i regjering, var det for å forsøke å beholde reservasjonsretten. Det toget var altså gått, den jobben var ikke gjort godt nok av dem som satt før oss. Det andre vi gjorde, var å innhente en ekstern, juridisk betenkning for å finne ut av nettopp hvor handlingsrommet er. Det er den jobben jeg oppfatter at den svenske ministeren nå gjør. Vi gjorde den for en tid tilbake. Så oppfatter jeg også nå at Stortinget ber oss innhente enda en vurdering. Det skal vi gjøre. gjøre. Når noen ber meg bekrefte at vi vil bruke handlingsrommet, er svaret på det: Ja, det vil vi innenfor det EØS-retten tillater. Vi vil ikke gjøre noen en tjeneste hvis vi utfordrer jussen. Det vil ikke være bra for Norge, det vil ikke være bra for de ideelle, men mest komplisert blir det for alle innkjøperne som skal få et regelverk vi sier utfordrer den retten. Men vi skal gjøre det vi kan for å finne best mulig rammebetingelser for de ideelle. Dermed er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Aller fyrst vil eg slutta meg til rosen som saksordføraren har fått for svært godt og grundig arbeid. Det er vel Det offentlege kjøper varer og tenester for om lag 460 mrd. kr årleg. Då seier det seg sjølv at det offentlege er ein stor og viktig kunde for norsk næringsliv. Komiteen landa på at innkjøpa ikkje berre skal vera effektive, men også samfunnstenlege. No vert dette teke inn i lovas formålsparagraf, for å understreka at innkjøparane også skal vareta viktige samfunnsbehov. Innstillinga balanserar også omsynet til forenkling og viktige samfunnsomsyn, som f.eks. innovasjon, konkurranse og miljø. Det vert òg lovfesta ei ny miljøføresegn som skal bidra til å styrkja klima- og miljøomsyna i offentlege innkjøp. Noreg har særnorske, strenge miljøkrav,

bør dette òg takast omsyn til i miljøkrava som vert stilte av det offentlege når dei skal kjøpa varer eller tenester – dette for å hindra at våre verksemder vert utkonkurrerte av leverandørar som kanskje er billigare, men som ikkje har same miljøprofil. Dette er noko som spesielt norsk industri har vore oppteken av, og som fleirtalet i Stortinget støttar. Eit eksempel her er innkjøp av kumlokk til E134 – frå Kina i staden for frå Ulefoss. Det er ikkje mykje miljøvennleg. Forholdet til ideell sektor er viktig for Arbeidarpartiet. Den usikkerheita lovforslaget til regjeringa skapte kring vilkåra til dei ideelle, er no parkert. Då framlegget frå regjeringa kom, sende NHO Service ut eit medlemsbrev der dei jubla over at dei ideelle heretter måtte konkurrera på like vilkår med kommersielle aktørar innan helse og omsorg. Dette har Stortinget endra på. Ein samla komité slår fast at handlingsrommet i EØS-regelverket skal utnyttast på dette feltet. Eit viktig grep for å forenkla er at regjeringa skal auke den nasjonale terskelverdien på 500 000 kr, slik at færre kontraktar kjem inn under prosedyrereglar. Det er også viktig at Noreg fylgjer EU og vil leggja til rette for oppsplitting av bedrifter skal kunna konkurrera også om store prosjekt. Som avslutning vil eg trekkja fram at det er særleg viktig at forsvarsinnkjøp framleis skal kunna verta haldne utanfor lova.
slutte meg til dem som berømmer det gode arbeidet i komiteen, for det handlingsrommet man nå ser muligheten for å ta i bruk, betyr veldig mye for utviklingen av tjenestetilbudet i kommunene. Som helsepolitiker i tre år har vi blitt nedrent av både ideelle organisasjoner og kommuner som har vært bekymret for den manglende forutsigbarheten og den usikkerheten som det har skapt. Oslo kommune hadde et stort oppslag i Aftenposten ganske nylig.

Dette har betydd et mangfold. Når det ikke er anbud, betyr det at man kan dele på kunnskap og utveksle hvordan man skal videreutvikle. Sterk ledelse i kommunen har også bidratt til at man har hatt vilje til å videreutvikle sykehjemmene, og innbyggerne og brukerne er godt fornøyd med de sykehjemmene de har. Hvis kommunen skulle overtatt disse 13 sykehjemmene, hadde de ikke hatt økonomiske muskler til å overta disse 13 sykehjemmene, hadde de ikke hatt økonomiske muskler til å overta bygningsmassen som disse 13 sykehjemmene består av. Det ville betydd stor usikkerhet, ikke minst for de eldre, men også for alle pårørende og ansatte som er knyttet til denne store delen av

Elfergen fikk man på plass med statlig virksomhet – med Lavik–Oppedal. Så prøvde vi tilsvarende med fylkeskommunen, om de kunne være like stor pådriver – 17 forskjellige fergeleier har de ansvar for Det er veldig tung materie å klare å snu holdningene, så der har myndighetene en stor jobb med å løfte kompetansen, både innenfor det private området – og ikke minst – det offentlige. Her har vi utrolig mye å hente. Vi ser behovene: samarbeid med brukerne, samarbeid med forskningsmiljøet og samarbeid med private for å videreutvikle tilbudet. Det er et utrolig viktig felt. Det er kanskje det området jeg har størst forventninger til at det jeg har størst forventninger til at det kan skje noe, og jeg ser jeg fram til at forskriftene kommer på plass. Det er

Ideell sektor representerer en hel kultur i vårt samfunn, en lang historie bygd på solidaritet og ansvar for medmennesker. Ideelle aktører var der da velferdsstaten ikke var bygd. Kanskje kan vi si at ideell sektor representerer det vi liker å framheve som det beste i vårt samfunn. Ideelle aktører leverer tjenester innen helse- og omsorgssektoren på vegne av fellesskapet, og de driver nonprofit, dvs. at eventuelt overskudd føres tilbake til utvikling av basistjenestene. I ideell sektor er det ingen private investorer som tar ut profitt til egen berikelse, og det er heller ingen skjulte overføringer gjennom interne transaksjoner. Ansatte har lønn og pensjon i tråd med offentlige standarder. I tillegg leverer de ideelle aktørene tjenester av høy kvalitet, og skårer ofte svært høyt både på brukertilfredshet og målt med objektive kriterier. Vi som ønsker at ideelle fortsatt skal ha en plass som tjenesteleverandører innen helse- og omsorgsfeltet, har lenge sett med bekymring på at private, kommersielle tilbydere mer og mer utkonkurrerer ideelle aktører. Andelen av ideelle velferdsaktører i Norge er nå nede på 8 pst., som er blant de laveste i Europa. Derfor er det så viktig at de vedtak Stortinget i dag skal gjøre, legger klare føringer for at regjeringa må bruke det handlingsrommet som EUs anskaffelsesdirektiv gir, og at man anerkjenner de ideelles særegne posisjon og egenverdi. Det som særlig har vært gjenstand for debatt, er hva slags handlingsrom som finnes innenfor rammene av direktivet etter EU-domstolens avgjørelse i Tolkningen av dommen tilsier at det nye direktivet ikke står i veien for nasjonale reservasjonsregler for kontrakter innen helse- og sosialfeltet, på gitte vilkår. Det understrekes spesielt at det kan gjøres en skjermet anskaffelse når det er til fellesskapets beste og bidrar til budsjettmessig effektivitet å reservere slike kontrakter. Jeg synes det er synd at det djerveste forslaget som er framsatt i denne saken nettopp om å reservere kontrakter på helse- og omsorgsfeltet for ideelle aktører – ikke ser ut til å få flertall i salen i dag. Det betyr at det kan bli trangere tider for ideelle tjenesteleverandører i Norge i tjenesteleverandører i Norge i framtida. Jeg vil gratulere komiteen med en meget god og solid innstilling. Jeg har lyst til å trekke fram to poeng, som Kristelig Folkeparti har vært særlig opptatt av. Da Kristelig Folkeparti for to år siden fremmet et forslag mot svart økonomi, dette først ble fulgt opp i regjeringens strategi mot svart arbeid og nå i denne loven. Så til spørsmålet knyttet til de ideelle. Dette har vært en gjenganger i denne sal, i hvert fall siden jeg kom hit, og det er nå over ti år siden. Det er rett, som statsråden sier, at forrige regjering sov i timen. Jeg beklager å si det, men det er tilfellet. Det er også rett å si at man på nasjonalt hold, i Norge, heller ikke har villet bruke det handlingsrommet som til enhver tid har vært for å kunne sørge for at man ser på ideell sektor som noe annet enn en ren kommersiell aktør eller som en forlengelse av det offentlige. Og her er vi ved et kjernepunkt for Kristelig Folkeparti. Etter min mening, og etter Kristelig Folkepartis mening, er et velferdssamfunn – og da snakker jeg ikke om stat noe som består av flere fundamenter enn bare det offentlige og det private. Det er et tredje og viktig fundament, og det er det sivile samfunn. Her har organisasjonene spilt en historisk veldig viktig rolle i å se oppgaver som det offentlige ikke så, og som heller ikke det kommersielle så. Nå er spørsmålet: Skal vi fortsette med dette fundamentet, eller skal vi la det gå? Jeg er veldig glad for at flertallet er klart på at man ønsker å bruke det handlingsrommet som ligger der. Jeg oppfattet at statsråden også sa at man skulle følge og prøve å påvirke rettsutviklingen innenfor EU-systemet. Jeg vil gjerne utfordre statsråden til å si noen ord om hva hun da tenker på, og hvilke anledninger som byr seg i nærmeste framtid for det. det. Jeg kan bare forsikre om at vi vil følge akkurat denne delen av det som vedtas i dag, svært nøye. Og jeg håper og tror at det som uttrykkes her fra alle partier, også virkeliggjøres i i praksis. Ein omsorgssektor med eit betydeleg innslag av ideelle organisasjonar og tilbydarar av helse- og omsorgstenester vil bidra til trygge lokalsamfunn, styrkt demokrati og til å byggja bru mellom innbyggjarane, det frivillige og offentlege styresmakter. Dei aller fleste vestlege landa har ein aktiv politikk for å sikra ei blanding av private kommersielle, private ideelle og offentlege leverandørar av velferdstenester. I Noreg har skjerma anbodsrundar for ideelle organisasjonar vore eit viktig verkemiddel. Ved implementering av EUs direktiv for offentlege anskaffingar i norsk rett er denne tradisjonen trua. Næringskomiteen har skrive ei god innstilling ut frå denne situasjonen. Det vert presisert at Noreg skal utnytta handlingsrommet som EU-direktivet gir, og at det inkluderer å tildela kontraktar direkte til frivillige organisasjonar under Komitéfleirtalet har pålagt regjeringa å utforma forskriftene slik at ein kan ta i bruk samarbeidsmodellar. Det gjeld f.eks. ordninga «utvida eigenregi». Men Venstre stemmer altså ned forslaget om å gi oppdragsgivarar tilgang til på nærare fastsette vilkår å reservera kontraktar om helse- og sosialtenester for ideelle organisasjonar. Dette må vi ordna opp i etter stortingsvalet neste haust. I dag har mange i debatten snakka pent om ideell sektor, men denne lova sikrar ikkje ideell sektor. Det er det Stortingets politikk som gjer. I regjeringsplattforma står det: «Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet. Lovfestede rettigheter til velferdstjenester, kombinert med fri etableringsrett og stykkprisfinansiering direkte til den tjenesteprodusent forbrukeren velger, kan bidra til å sikre en slik utvikling.» Det er denne politikken som er ein direkte trussel mot ideell sektor i Noreg i dag. Det hjelper ikkje med ei relativt god dersom regjeringa har vondt i viljen. Senterpartiet vil vekk frå denne konkurranseideologien og meiner at dagens anbodssystem for frivillige og ideelle organisasjonar har mange svake sider og bør avviklast til fordel for løpande avtalar med det offentlege basert på kvalitet. Senterpartiet har fremja eit forslag til Stortinget om å setja eit mål for ideell sektor i Noreg.

Stortinget til hausten. Det offentlige er, som nevnt her, en svært stor bestiller av tjenester i Norge. Det betyr at det får store konsekvenser for nærings- og arbeidsliv hvordan det offentlige ter seg i markedet. Dersom det offentlige bestemmer seg for å stille visse krav, har bedrifter rett og slett ikke råd til å la være å tilpasse seg disse kravene. Det gir mange muligheter, og det gir et stort ansvar. Det betyr at det offentlige ikke kan skylde på andre aktører når man ser arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i enkelte bransjer. De må rett og slett gå i seg selv. Det offentlige er faktisk et mål for de kriminelle nettopp fordi de bestiller varer og tjenester for så store summer. Flere forhold i anskaffelsesregelverket kan gjøre noe med dette. Begrensninger på leverandørsiden er ett forhold, og lærlingklausuler er et annet. lærlingklausuler er et annet. Lærlingklausuler er noe som er viktig for å sikre læreplasser til unge som går på yrkesfag. I dag er det flere tusen som ikke får læreplass hvert år. Det er i seg selv en helt uholdbar situasjon, men når vi nå sier at bedrifter må ha lærlinger dersom de skal ha prosjekter på offentlige kontrakter, vil bedriftene måtte opprette flere læreplasser. Det er bra for ungdommen. ungdommen. Så får det også andre følger. Skal bedrifter ha lærlinger, må de ha fagarbeidere som kan veilede lærlingen. Det betyr at bedrifter må satse på fagarbeidere og kompetansen til de ansatte. Det er et skritt – om enn kanskje et lite skritt – i motsatt retning av vikarbyråer og flere midlertidige ansettelser, som nå blir mer og mer utbredt, og som regjeringen er så glad i. Bedrifter tjener nå på å satse på de ansattes kompetanse og på å satse på lærlinger. Så vet vi at bedrifter som har egne ansatte fagarbeidere, og som er tilknyttet lærlingordninger, i mindre grad bedriver sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det er viktig her å si at det på ingen måte er noen garanti for at de ikke gjør det, men at det er mindre sannsynlig, og det er bra. Men det er da Men det er da grunn til å utfordre statsråden til å si noe om hvilke bransjer hun tenker seg det kan være særlig relevant å bruke disse lærlingklausulene og begrensningene i antall ledd i kontraktskjeden. Jeg må likevel si at noe av det fineste med denne lærlingklausulen er det vi sier til ungdommen, til aspirerende fagarbeidere. Her sier vi: Vi satser på dere. Vil du ha kontrakt med det offentlige, må du ha med deg ungdommen. Det er dem vi bygger framtiden for, og nå sørger vi for at de også får lov til å være med på byggingen av

oversendingsforslag. Det var ikkje mange poeng som kom fram når det gjaldt akkurat den saka i dag, om at reglane for offentlege innkjøp skulle spegla særnorske miljøkrav. Det vart nemnt frå SV at det var nokre stålleverandørar i Nord-Noreg, og Arbeidarpartiet nemnde nokre kumlokk. Eg er heilt overtydd om at som viser til at ein skal ta både klimaomsyn, miljøomsyn og omsyn til menneskerettar når ein skal gjera offentlege innkjøp, vil innkjøparar som sit med dette ansvaret, vera i stand til å laga gode konkurransegrunnlag som gjer at norske leverandørar på dette området som har konkurranse frå Kina, klarar å vera med i konkurransen så lenge som så lenge som mogleg. Når det gjeld innlegget til Line Henriette Hjemdal frå Kristeleg Folkeparti, vil eg berre presisera at det er ingen fleirtalsmerknader frå komiteen som peikar på at me skal bryta noko EØS-regelverk. Det sa ho heller ikkje, men eg vil berre presisera det. Det er iallfall ikkje sånn eg oppfattar det me har jobba med i komiteen, at det skal bryta noko regelverk. Ho sa det heller ikkje, men men det kan kanskje tolkast som at ho ønskjer å gå veldig langt. Det ønskjer for så vidt heile komiteen, og representanten Syversen følgde opp her i ein interpellasjonsdebatt og spurde om det fanst politisk vilje i tillegg til den juridiske viljen. Eg oppfattar at heile komiteen er samla i ein politisk vilje om at me på ein god måte skal utnytta nettopp EØS-regelverket på dette området, for å sikra ideelle vilkår på ein best mogleg måte. Ideelle organisasjoner har dyktige folk som gir gode helse- og Siste taler, representanten Per Olaf Lundteigen,

De er billige for fellesskapet, altså staten, og det engasjerer folk til uegennyttig innsats. Meget bra. Problemet for det jeg nå sier, er EØS-avtalen, og statsråden var jo klokkeklar på at en skal utnytte handlingsrommet innenfor EØS-retten, men ikke utfordre EØS-retten, altså den dynamiske EØS-avtalen er styrende for ideelle organisasjoners arbeid i Norge, og det er det viktig å få fram kunnskap om.

regjeringsplattformen. Der står det at regjeringa mener i utgangspunktet at «produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet.» Det er som representanten Trellevik sa, og Senterpartiet tar regjeringserklæringen på alvor på dette punktet. Derfor er det logisk at Høyre og Fremskrittspartiet er imot Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SVs forslag til § 7a tredje ledd, som lyder: «Departementet skal gi oppdragsgivere adgang til på nærmere angitte vilkår å reservere kontrakter om helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner.» Det er også sjølsagt naturlig at Kristelig Folkeparti står bak en sånn lovparagraf med deres verdisyn. Men forslaget får ikke flertall på grunn av Venstre, og jeg har lyst til å sitere fra Venstres eget program for perioden 2013–2017. Under kapittel 15.5 Frivillighet står det: «Dagens konkurranse- og anbudssystem er ressurskrevende og tar ikke hensyn til og tar ikke hensyn til ideelle velferdsprodusenters særtrekk og potensial. Venstre vil sikre langsiktige og tilpassede rammebetingelser for ideelle velferdsprodusenter.» Faktum i det som nå skjer, er at Venstre svikter og følger ikke opp sitt eget program. Senterpartiet ønsker å gå vekk fra anbud, som representanten Toppe sa. Vi ønsker løpende avtaler mellom ideelle organisasjoner og det offentlige, basert på kvalitet. Denne saken kommer til å komme opp igjen i Stortinget. Den er vi sjølsagt ikke ferdig med. Det er to ulike samfunnssyn som kolliderer. Det er en viktig debatt, og det er interessant å se hva som vil skje i Venstre framover, for det er Venstre som avgjør i denne perioden, om det ene eller andre samfunnssynet får flertall.

dette skal vi klare selv, vi vil heller bygge opp et eget, offentlig tilbud. Eller: Nei takk, vi har store kommersielle aktører som sier at de kan gjøre dette enda billigere enn dere, så dere får heller se om dere klarer å utkonkurrere dem på pris, så skal vi vurdere det. Selvsagt skal vi si: Ja takk! Selvsagt skal vi bruke de ideelle organisasjonene når de har relevante tjenester av god kvalitet, som folk og myndigheter trenger. Selvsagt skal vi legge til rette for det med de politiske virkemidlene vi har, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Ideelle virksomheter har et tydelig verdigrunnlag for samfunnsnyttige formål. Disse organisasjonene er ofte rettet mot behov og mot deler av befolkningen som enten ikke får tjenester, eller som får tjenester som ikke er godt nok De ideelle aktørene forvalter ofte en type tillit hos brukerne som synes å knytte seg til det særegne ved å være ideell. Ideelle aktører har ofte et personale som identifiserer seg sterkt med formålet, de er langsiktige når det gjelder utvikling av arbeidsmetoder og kompetanse, og de er ubyråkratiske og kan raskt tilpasse seg nye behov. behov. Når vi bruker de ideelle, trenger vi heller ikke å frykte noen «baroner». De ideelle arbeider etter kostnadsdekkende prinsipper, men de opererer ikke med overskudd som et motiv. Ideelle aktører benytter alt økonomisk overskudd til virksomhetens formål, ingenting deles ut til utenforstående eiere verken på kort eller lang sikt. Folkeparti har lenge arbeidet for at rammevilkårene for de ideelle skal sikres. Motstand mot bruk av mulighetene for å reservere kontrakter for ideelle, markedskrefter og prispress, ulike pensjonsvilkår og et system og avtaler som gir stor uforutsigbarhet for aktører som ikke har forutsetninger for å håndtere det – dette er noen stikkord om hva vi har kjempet mot. mot. I dag er jeg glad for at vi vedtar et regelverk som skal sikre de ideelle aktørene, og vi i Kristelig Folkeparti kommer til å følge nøye med på det videre arbeidet og praktiseringen av dette regelverket, fordi vi ønsker et velferdssamfunn der alle gode krefter tas i bruk, og fordi vi er overbevist om at en sterk sivil sektor gir oss et bedre samfunn. I dag er samfunn. I dag er det slik at vi kan reservere kontrakter til ideelle aktører innenfor helse- og sosialområdet. En samlet komité sier at det vil være samfunnsmessig hensiktsmessig at det åpnes opp for at denne reservasjonsmuligheten videreføres den muligheten vi har til reservasjon i dag, videreføres – og ber om at dette gjennomføres i anskaffelsesforskriften innenfor EØS-avtalen. Det kan skje på tre måter, sier komiteen videre: gjennom åpne anbudsrunder, ved å reservere kontrakter for ideelle aktør på visse angitte vilkår og om ønskelig ta i bruk samarbeidsmodeller som også benyttes i Representanten Trellevik har ikke kjent meg i hele mitt politiske liv, men det skal ikke være tvil fra denne talerstol om at jeg aldri har sagt nei til EU, jeg har aldri sagt ja til EU, men jeg har stått på EØS-linjen. Fra jeg var ungdomspolitiker og fram til i dag, har jeg trodd på det, og jeg tror på den løsningen som Norge har med vårt forhold til EU. Jeg skal ikke si at representanten Syversen og jeg har samme EU-standpunkt, men at det vi driver med i dag, er innenfor EØS-retten, innenfor EØS-rammen, det er det ikke tvil om. Det er et handlingsrom som vi står for, og som vi skal jobbe for. Så til våre som går på om det skal være offentlige anbud for innkjøp under 100 000 kr. Nei, et Google-søk er ingen etterprøvbarhet, men et Google-søk er vel det som flertallet i Forenklingsutvalget sier når de understreker at det likevel vil være fornuftig å foreta en sondering av markedet også ved mindre anskaffelser – og det er å foreta en sondering av markedet også ved mindre anskaffelser – og det er 100 000-kronersgrensen vi snakker om. En dokumentasjon eller etterprøvbarhet er denne kvitteringen, gjerne fra Felleskjøpet, på en sykkel som sikkert bare koster 400 kr. Den etterprøvbarheten holder. Det er slik det er i dag, det fungerer, og det burde også fungere i framtiden med hensyn til de utfordringene vi står overfor når vi skal bruke offentlige midler på en effektiv måte. 460 mrd. kr i årlige innkjøp er en enorm drivkraft i samfunnet. Vi Vi må heller ikke glemme at det er tusenvis av enkeltindivider som har ansvar for å forestå de innkjøpene. Da er det grenser for hvor mange målsettinger og hvor mange krav man faktisk kan bygge inn. Vi må heller ikke glemme at vi faktisk ønsker forenkling. Vi ønsker en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser, og vi ønsker like vilkår for dem som er ute i markedet. Jeg synes regjeringen har gjort en veldig god jobb, selv om komiteen har plusset på en del målsettinger slik at forenklingsmålsettingen ikke helt ble nådd. Men så litt til hvorfor jeg tok ordet: Vi vet alle at Kristelig Folkeparti har en genuin interesse av ideelle organisasjoner, men Arbeiderpartiets og Senterpartiets krokodilletårer trenger vi egentlig ikke, for det er som representanten Hans Olav Syversen sa: sa: Man sov i åtte år i regjering og fulgte ikke med på hva EU gjorde, slik at vi gikk glipp av mulighetene som en tidlig aksjon hadde gitt. Det som er realiteten ute, er jo at dette blir brukt – innkjøpsreglementet blir brukt til å påføre skattebetalerne ekstra kostnader i form av at man tar det tilbake til offentlig drift og prøver å å skvise ut private. Jeg reagerer på måten ordet «profitt» blir brukt på i debatten, og jeg reagerer særlig på Toppes beskrivelse av at man skal vekk fra konkurranseideologien. Jeg synes regjeringserklæringen er aldeles strålende. Vi burde bedømme dette etter hva slags kundetilfredshet det er. Hvem produserer de beste tjenestene etter de krav som samfunnet stiller? Hvem er

Det er jo det vi ønsker med å drive fram konkurranse. Når Senterpartiet så tydelig går imot konkurranse som virkemiddel i økonomien, er jeg veldig fornøyd med at vi er på en helt annen plattform. Det er et tydelig skille mellom opposisjonen og regjeringen, men jeg synes vi har klart å få igjennom nye anbudsregler

til det beste både for dem som kjøper og dem som leverer. Jeg ble utfordret om de ideelle og ser at representanter fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV nå har fått et stort engasjement for de ideelle. Det synes jeg er bra. Vi har fra vår side tenkt å jobbe jobbe videre, og representanten Syversen utfordret meg på hvordan vi skal gjøre det. Da er det slik at det i det nye regelverket i de nye direktivene er en snever reservasjonsadgang. Den skal Den skal evalueres innen 2019. Den prosessen skal vi være aktive i. Vi skal bidra med hva som er det norske synspunktet på dette, og argumentere for en utvidelse. Det er sånn at vi i forbindelse med foreleggelsessaker for EØS-domstolen, såkalte prejudisielle saker, fremmer norsk syn. Det er om å gjøre å være i forkant av regelutviklingen, eller i hvert fall samtidig med den, for å kunne gjøre vårt syn gjeldende. Jeg blir også utfordret om lærlinger. Hvor skal vi ikke ha lærlinger? Da vil mitt enkle svar være: Vi mener vi skal ha lærlinger på de fleste kontrakter. Det er ikke lett å se for seg hvilke kontrakter hvor vi ikke skal kreve lærlinger. Det er behov for lærlinger innenfor de kjente fagene som bygg- og anleggsarbeid etc. Men det er jo sånn at vi i departementene har lærlinger. Man har lærlinger i dag innen en rekke sektorer man ikke hadde det for få år siden. Vårt utgangspunkt for forskriftsarbeidet er å finne ut hvor man ikke trenger å ha det, sånn at vi skal gjøre det enklest mulig for dem å levere og sørge for at de har på plass lærlinger når de ønsker å levere til det offentlige. Ingen må vera i tvil om at vi i Arbeidarpartiet er

tvil – frå mi side i alle fall. Det stemmer i det heile ikkje at den førre regjeringa sov i timen. Det kan næringsminister Mæland få stadfesta frå sitt eige departement. Den førre regjeringa jobba mykje med dette saman med dei frivillige. Den politiske leiinga i departementet drog til Brussel saman med dei ideelle aktørane. statsråd Rigmor Aasrud var sjølv i Brussel fleire gonger for å fortelja kor viktig nettopp dette er for Noreg. Derimot må vi erkjenna at statsråd Monica Mæland ikkje har vore heilt villig til å bruka handlingsrommet som Sejersted-rapporten har vist oss. Men eg skal ikkje forlengja debatten i dag inn i det så eg vil berre seia at det er bra at ministeren no signaliserer ein større vilje til å gjera dette. Det er nok den einaste og største nyheita som har kome fram her i dag.

størst mulig handlingsrom for ideell sektor. Derfor har vi i forhandlingene bidratt til å få på plass gode merknader for ideell sektor. Blant annet har vi lagt til grunn at regjeringen må strekke seg så langt det overhodet er mulig for betingelser som er en fordel for ideell sektor. Det har jeg også forventninger til etter den debatten som vi har hatt i dag – en god debatt. Ikke minst synes jeg at det er gode toner fra næringsministeren knyttet til den utfordringen som ligger i å dra dette så langt som mulig mulig innenfor regelverket. Avslutningsvis: Dette handler også om den gode prosessen som har vært i komiteen. Kristelig Folkeparti har vært en sterk pådriver knyttet til ideell sektor og til det som vi nå har kommet fram til i komiteen. Det har bidratt til at man har trukket dette nærmere sentrum enn det som lå i det næringskomiteen fikk på bordet. Det hører hjemme i vurderingen av dette. Så får andre partier være så misfornøyd man vil med både Venstre og andre partier her, men for oss og for meg har det vært

Ellers vil jeg vise til representanten Ingrid Heggøs innlegg og det urimelige i påstanden om at den forrige regjeringen sov i timen. Det fikk Ingrid Heggø fram på en god måte. Og det urimelige ser vi helt klart også i dag gjennom denne behandlingen – at det er de rød-grønne partiene, sammen med i å stille opp for de ideelle. Jeg er glad for Ove Trelleviks innspill om at de vil støtte oversendelse av forslag nr. 3, og det vil være riktig å ha forhåpninger sett ut fra den pressemeldingen som det tidligere har vært referert til av næringsminister Monica Mæland, heller ikke hun synes vi kan ha det på denne måten. Derfor forventer jeg at ministeren følger opp det oversendelsesforslaget på en god måte. Til slutt: Takk for debatten. Jeg mener Stortinget med denne innstillingen i dag legger et godt grunnlag for gode offentlige anskaffelser framover. Representanten Syversen sa at den forrige regjeringa ikke har gjort en god nok jobb når det gjelder å sikre ideell sektor på dette området. Jeg er

For hadde den forrige regjeringa gjort en bedre jobb, hadde ideell sektor stått mye sterkere. Men det som skjer i dag, er at ideell sektor stadig svekkes, og representanter fra Høyre kan smile når jeg tar en sånn sjølerkjennelse, men en kan jo da gå fram hit på talerstolen og si at en er fornøyd med at ideell sektor svekkes ytterligere, for det er jo Høyres reelle standpunkt i saken. Den store elefanten i rommet, som vi snakker om her, er jo EØS-avtalen, og det er det få som nevner noe om. Jeg var veldig tydelig i innledningen min i stad og sa at det er vesentlig at representanter for ideell sektor er klar over hvordan EØS-avtalen overstyrer – også på deres område – det som er handlingsrommet til Stortinget.

det er jeg enig i. Så sa representanten fra Venstre at andre får være så misfornøyd med Venstre som en vil. Mitt poeng var ikke at jeg skal være misfornøyd med Venstre eller ikke. Det jeg sa, var at partiet Venstre svikter. Og hvem er det partiet Venstre svikter? Jo, de svikter sitt eget program – det er det som er problemet – for i Venstres eget program står det at dagens konkurranse- og anbudssystem er ressurskrevende. Med det forstår jeg at det er for ressurskrevende. Og det står videre at det ikke tar hensyn til ideelle velferdsprodusenters særtrekk og potensial. Det ser jeg på som en påpekning av en svakhet. Og så står det videre: «Venstre vil sikre langsiktige og tilpassede rammebetingelser for ideelle velferdsprodusenter.» Med det forstår jeg at en ønsker å gjøre det bedre. Og så legger da alle partier, unntatt Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, fram forslag som virkelig kan materialisere Venstres påpekning på en nøktern og forsiktig måte – og så stemmer partiet Venstre imot det. Det var mitt hovedpoeng. Venstre svikter sitt eget program. – og så stemmer partiet Venstre imot det. Det var mitt hovedpoeng. Venstre svikter sitt eget program. Jeg skal gjøre det ganske kort, men jeg kunne ikke la det stå at Høyre ønsker å svekke de ideelle. Vi har stor tillit til de ideelle. Vi tror de har en sterk konkurransekraft, og vi ønsker å gi like vilkår til aktører, og at samfunnets ressurser skal brukes på en optimal måte. Det er noe helt annet. Så vi har en sterk tillit til de ideelle organisasjonene og tror de har stor konkurransekraft. Så satte vi pris på Lundteigens selverkjennelse. Den syntes jeg var ærlig, og det skal man ta seg råd til å være en gang iblant, men det stilte representanten Heggøs innlegg i et underlig lys. Til det vil jeg bare si at det hjelper ikke å dra med seg et helt fotballag ned til Brussel hvis man kommer dit dagen etter at kampen sto. Da har man tapt, og det var det som skjedde under forrige regjering. Per Olaf Lundteigen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til Lundteigen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Ideelle organisasjoner har sitt særpreg og har en stor samfunnsmessig styrke. Da jeg sa at Høyre ønsker å svekke ideell sektor, er jo det en logisk konsekvens av hva Høyre gjør: Høyre sånn at de innebærer at ideell sektor får en mer krevende og vanskelig situasjon. Det er dette som er noe av problemet med debatten her i salen, at Høyre ønsker alle gode ting: Alle skal være snille, alle skal være hyggelige, det skal være samhold, det skal være glede over hele fjøla – samtidig som en altså fremmer forslag som har den logiske konsekvens at spillereglene endres til fordel for dem som driver selskap, i denne sammenheng med formål om å tjene mest mulig penger. Det burde Høyre være så ærlige at de sier – det hadde gitt en ryddigere debatt. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og
om ein strategi med tiltak som skal sikra at selskap med statleg eigardel etterlever eigarskapsmeldinga, og sikra størst mogleg grad av openheit knytt til pengestraumar og skatt. Utgangspunktet for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

og også at man sikrer størst mulig grad av åpenhet knyttet til pengestrømmer og skatt. Utgangspunktet for denne debatten, men også når det gjelder offentlig eierskap, er Meld. St. 27 for 2013–2014, Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, som legger rammene for statlig eierskap og eierskapsutøvelse. Statlige eiere skal følges opp via en eierdialog med styrene. Komiteen understreker i innstillingen at det er viktig med en god dialog med styrene. Videre sier komiteen at selskap der staten er selskap der staten er eier, har et ekstra ansvar for å ha en forretningsførsel som er i tråd med gjeldende lover og regler, men også i tråd med øvrige etiske rammer i det norske samfunn. Det er en klar forventning fra komiteen at det samfunnsansvaret også der vi har statlig eierskap, er grundig forankret i selskapene der staten er inne. Videre sier et flertall i komiteen at staten ikke har eierskap i alle selskaper, egentlig i ganske få av de selskapene vi er inne i, og da er det andre regler som gjelder. Statlige eierskapsprinsipper og børsregler må gjelde. Det er jo slik at det er en forutsetning at alle eiere får tilgang til sensitiv informasjon samtidig, og dermed støtter ikke flertallet i komiteen at man lager en strategi med ulike tiltak som eksplisitt er for oss som statlige eiere. Videre understreker et flertall at styrerepresentantene har et personlig ansvar for å utvikle selskapet

og av styrene i selskapet. En samlet komité sier også at hvis man ikke etterlever det som er sagt fra denne sal, eller i regjering, bør eierne av våre statlige selskaper fortelle det til sine eiere, som i denne omgang da er staten og regjeringen. Jeg regner med at de forskjellige partiene tar opp sine enkeltforslag. Jeg tar opp de forslagene som Kristelig Folkeparti er med på, og lar min kollega fra SV argumentere for. Representanten Line Henriette Hjemdal har tatt opp de forslagene hun refererte til. Denne saka omhandlar eit forslag frå Arbeidarpartiet om ein strategi med tiltak som

der det kom fram at DNB har medverka til at kundar har oppretta postboksselskap i skatteparadis. Aftenposten skreiv den 3. april at DNB Luxembourg hadde lagt til rette for at kundane skulle kunna skjula pengane sine gjennom postboksselskap på Seychellene. Denne praksisen kan vi ikkje forstå er i tråd med Det er også ei pågåande Økokrim-etterforsking, og det har vore kontrollkomitéhøyring om korrupsjonsskuldingar mot Telenors dotterselskap VimpelCom. Nærings- og fiskeridepartementet utøver statens eigarskap på vegner av staten i tråd med dei retningslinjene som Stortinget har sett, og har ansvar for at selskap der staten er største eigar, driv verksemda si etter gjeldande lovar og reglar og held ein høg etisk standard i forretningsførselen sin. I Meld. St. 27 for 2013–2014, Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, står det: «Regjeringen forventer at selskaper med statlig eierandel arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar og er

Dette gjeld også i spørsmål om pengestraumar og korrekt skattlegging. Komiteen peikar også på at ein praksis med «best i klassen» er det avgjerande, og at ein ikkje legg til grunn gjeldande forretningspraksis i det gjeldande landet dersom denne ikkje ville ha vore akseptabel i Noreg. Eg er glad for at ein samla komité påpeikar at dette faktisk er eit langsiktig konkurransefortrinn som er med på å byggja opp som igjen gjev nye og fleire moglegheiter. Dei aktuelle sakene viser at vi bør sikra større openheit og betre innsyn i slike saker. Difor har vi bedt om ein strategi. Alle burde ha interesse av å betra kontrollrutinane og ha betre oppfølgingsrutinar for å sikra at det ikkje går føre seg aktivitet som er i strid med eigarskapsmeldinga,

da jeg så det, for å be regjeringen lage en strategi for å følge opp Stortingets vedtak minner enten om stortingsregjereri eller rett og slett om en manglende forståelse for rolleavklaringer. Bare for å ha sagt det først: Eierskapsmeldingen er svært sentral nærmest blitt en institusjon i Norge i og med at staten er en så stor eier som den er. Det er der vi avklarer våre forventninger til selskapene. Det tror jeg er en kjempefordel, særlig i alle de selskapene hvor vi ikke sitter som eneeier. Og det må vi aldri glemme: at vi ikke er eneeier i mange av de selskapene vi diskuterer. Den forutsigbarhet som eierskapsmeldingen gir, og som statens eierskap gir, og den langsiktighet det gir, er viktig, både for selskapene, for ansatte, for kunder, for långivere, for alt, og det er veldig viktig at vi holder oss til de prinsippene. Da blir det litt underlig at man foreslår at regjeringen skal lage en strategi for å følge opp Stortingets vedtak, for i vårt parlamentariske system er dette faktisk regjeringens oppgave. Det er Stortinget som vedtar, og så er det

den strategien som Stortinget har vedtatt. Så har vi vært inne på statens ti prinsipper for god eierstyring. Der står det også at regjeringen styrer gjennom generalforsamling, og at generalforsamlingen velger styrer, som så er ansvarlige for å utvikle selskapet på best mulig måte. Og det er helt riktig, som saksordføreren også sa, den enkelte styrerepresentant ikke er representant for enkelteiere inn i styret. Man har et selvstendig, personlig ansvar for å utvikle selskapene på best mulig måte. Da har man også et personlig ansvar for å følge opp det som er eiernes forventning. Og det er nettopp det som er den store fordelen med eierskapsmeldingen, for der er staten ikke bare tydelig overfor alle andre medeiere, men man er også tydelig overfor styrene med hensyn til hva man mener at styrene skal fokusere på, og hvordan selskapene skal utvikles. Det er derfor jeg stusset voldsomt over forslaget da det kom. Når Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV skriver i innstillingen at det er vanskelig å kartlegge hvilken informasjon som har vært tilgjengelig, og til hvilken tid, i de ulike systemene, er det nettopp en konsekvens av den ansvarsfordelingen vi har, og at man ikke kan løpe rundt med alle typer informasjon mellom de forskjellige selskapene uten at man kommer i konflikt med børsreglement og måten vi ønsker å styre selskapene på, og lar sensitiv informasjon tilflyte. Det er selskapenes ansvar og styrenes ansvar å informere eier hvis man føler at man er på kant med norsk lov. Alle selskaper i Norge forventes å etterleve norsk lov og eierskapsmelding. Derfor mener jeg dette forslaget er helt overflødig. Da får man heller ta en diskusjon om i hvilken grad man mener at regjeringen følger opp. Jeg har stor tillit til at regjeringen følger opp. Jeg vet at man følger opp man følger opp statens eierskapsmelding og de forventningene man har skrevet der, i eierskapsdialog med selskapene, og man følger det opp på generalforsamling når det dreier seg om sensitiv informasjon som ikke kan håndteres på andre måter enn at det må skje der alle eierne er. Så igjen: Det er godt at forslaget ikke kom lenger enn til å bli vedlagt protokollen. Staten er

Norsk næringsliv, det som er eid av det private, det offentlige eller begge, må være basert på etiske retningslinjer og åpenhet. Det er helt sentralt for konkurransevilkårene i markedet og et sunt næringsliv at selskaper hvor staten er største eier, driver sine virksomheter i henhold til de lover og regler som er satt. Det statlige eierskapet må forvaltes på en ansvarlig måte, og selskapene må arbeide målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar. Avsløringene i forbindelse med Panama Papers, der omtrent 11,5 millioner dokumenter ble lekket, og skjulte formuer ble eksponert, gjorde at debatten omkring skatteparadiser og pengestrømmer ble veldig aktuell. Denne saken er muligens den største av sitt slag med tanke på bredden av dokumenter og omfanget som saken hadde. Det er derfor viktig at det reises debatt omkring hvor godt innsyn man har i skatteopplysninger, og i hvilken grad

Jeg er likevel glad for at en samlet næringskomité mener at staten har et særlig ansvar for at selskaper der staten er største eier, driver sin virksomhet i henhold til de lover og regler som gjelder, og holder en høy etisk standard. I henhold til eierskapsmeldingen er det viktig at regjeringen jobber kontinuerlig og systematisk med at selskapene ivaretar sitt samfunnsansvar basert på god eierskapspolitikk I den sammenheng hviler det selvsagt et stort ansvar på selskapenes styrer. Det er styrenes ansvar å informere eier dersom retningslinjene for etisk forretningsførsel ikke følges, gjennom gode samtaler med eier, som er statsråden, samt følge opp det som er Det er gitt at de forventningene som er vedtatt av Stortinget og nedfelt i eierskapsmeldingen, er en sentral del av oppfølgingen overfor selskapene og hvilke forventninger staten har som største eier. Det er etter vårt syn ikke nødvendig å legge fram en strategi for Stortinget med konkrete tiltak for hvordan man kan forhindre at selskaper der staten er største eier, ikke praktiserer den åpenhet som Det vil i så fall bare bli en strategi for å følge strategien – mer byråkrati, mindre handling. Strategien er kommet tydelig fram i eierskapsmeldingen, som faktisk er en strategi, og som ble behandlet i denne salen for en tid siden. Det er imidlertid gledelig at en enstemmig komité mener at selskaper der staten er største eier, skal være best i klassen. Det skulle også bare mangle. Regjeringen har håndtert

eller andre klanderverdige forhold eller lovbrudd, har denne regjeringen tatt det på det største alvor. Korrupsjon er brudd på norsk lov og skal ikke skje. Som regjeringen har vært tydelig på, innebærer ansvarlig og god eierskapsforvaltning bl.a. å organisere statens eierskap slik at statens ulike roller skilles på en ryddig måte. Senterpartiet er

Det er viktig at vi i eierskapspolitikken legger til grunn eierskapsmeldingen og de ti prinsippene for statlig eierskapsutøvelse. Det er selvsagt også viktig med åpenhet om pengestrømmer og skatt. En bør etterstrebe mest mulig åpenhet på alle områder. Så til de prinsippene som som gjelder: Jeg mener det er viktig å ha selvtillit i møte med eierskapsprinsipper. Det mener jeg betyr at en må kunne diskutere statlig eierskap og ha en offentlig debatt om det, uten at en til enhver tid kommer trekkende med å si at det er i strid med eierskapspolitikken og eierskapsprinsippene. Det vil også si at en må erkjenne at disse prinsippene ikke er hugget i stein, og at de endrer seg over tid. Jeg opplever at den statlige eierskapspolitikken er i konstant utvikling, og at den utvikler seg dag for dag. Samfunnet endrer seg, oppfølgingen endrer seg. Jeg forstår selvsagt at regjeringspartiene da har behov for å si at ting er bedre nå enn de var under åtte rød-grønne år. Det er et munnhell som

Når det gjelder forslag nr. 2, fra Kristelig Folkeparti og SV, synes jeg det er underlig at regjeringen skal påse seg selv. Å påse er jo noe en ofte gjør med andre. Videre mener jeg at det som ligger i forslaget, er for mildt – at uetisk og skatteunndragelse bare er et punkt som skal følges opp i eierskapsdialogen. Det er nok slik at særlig i situasjoner hvor det foreligger skatteunndragelse av et visst omfang, og det er kjent for selskapet, så er vi kommet forbi stadiet for dialog. Det samme gjelder for forslag nr. 3: Det slår fast en selvfølgelighet og noe som en forventer at statsråden i sin følger opp videre. Men jeg mener det er en viktig diskusjon. Det har vært en prosess i komiteen, og det vil helt sikkert dukke opp nye dårlige saker der staten er involvert som eier. De må vi håndtere. Det avgjørende er at en lærer av dem, slik at framtidig eierskapspolitikk blir bedre enn gårsdagens.

La meg ta ein inngang gjennom skatt for å skildre dette feltet. Eit sentralt prinsipp i norsk skattelovgiving er at skattlegging og skatteinngang skal skje der verdiskapinga finn stad. Det same prinsippet ligg til grunn for alt internasjonalt arbeid mot aggressiv skatteplanlegging og internasjonal skatteunndraging. SV meiner det same prinsippet også skal gjelde for norske statseigde selskap. Det

sine. Dei fleste av korrupsjonssakene som vi har hatt i det siste knytte til norske statseigde selskap, har involvert transaksjonar via lukka jurisdiksjonar. Luxleaks og Panama Papers viser akkurat det same. Lukka jurisdiksjonar, såkalla skatteparadis, blir brukte til å finansiere bl.a. illegal verksemd som

vi skal kunne vere trygge på at norske statseigde selskap opptrer etter norske verdiar og standardar, må skattlegginga skje der verdiskapinga skjer, altså at ein ikkje flyttar dette til andre stader – og i alle fall ikkje til lukka jurisdiksjonar. Difor er SVs aller viktigaste forslag i denne saka forslag nr. 4, som vi «at samtlige statseide selskap flytter sine datterselskap vekk fra lukkede jurisdiksjoner». Dei to andre forslaga står vi saman med Kristeleg Folkeparti om. Dei handlar om viktige skritt i retning av meir systematisk varsling – som vi veit er veldig viktig – rapportering og oppfølging av norske myndigheiter. Desse to forslaga er mjuke, kan vi kanskje kalle dei, men samtidig svært viktige for at vi skal få informasjon fram i lyset, og at vi veit at det er ein dynamikk mellom eigar og selskap. Vi støttar også forslaget frå Arbeidarpartiet om ein større gjennomgang av korleis statseigde selskap jobbar med desse tinga, korleis regjeringa følgjer det opp, og ein strategi for meir systematisk arbeid med dette. Vi er med på det forslaget også, men sidan forslaget kom på plass så seint i prosessen, fekk ikkje vi eller nokre andre i komiteen anledning til å gå inn i det under

Virkemidlene for å oppnå åpenhet om pengestrømmer må derfor være både å bidra til effektive reguleringer nasjonalt, internasjonalt og at selskapene selv bidrar gjennom åpenhet i sin rapportering. Jeg opplever at vi er enige om rammene for det statlige eierskapet, herunder hvordan staten skal utøve sitt eierskap. Den brede politiske enigheten gjennom flere stortingsperioder er en styrke Vi følger opp selskapene gjennom løpende dialog og rapporteringer. Skiftende regjeringer har over tid utviklet en arbeidsform for oppfølging av statens forventninger til styrenes arbeid med samfunnsansvar. Disse forventningene framgår tydelig av eierskapsmeldingen, som er bredt forankret i Stortinget. La meg bl.a. nevne: Alle styrer forventes selvsagt å ha satt seg grundig inn i eierskapsmeldingen. Staten har fast eierdialog gjennom året, og har ved behov møter hvor samfunnsansvar står på Vi forventer også at selskapenes styrer rapporterer om vesentlige forhold innenfor samfunnsansvarsområdet i eierdialogen og i sine årsberetninger. Vi har et «følg eller forklar»-prinsipp. Det innebærer at styrene forventes å forklare hvorfor, dersom selskapene avviker fra statens forventninger, som det i noen tilfeller kan være grunner for. Samfunnsansvar er tema på seminarer og opplæring som vi arrangerer for styreledere og nye styremedlemmer. Jeg avholder i neste uke et møte med alle styrelederne om antikorrupsjon og andre forretningsetiske problemstillinger, og jeg avholdt et tilsvarende møte i 2014. Det er styret som er ansvarlig for forvaltningen av selskapet, for å ta de løpende forretningsmessige beslutninger og for å følge opp de forventningene staten har uttrykt gjennom eierskapsmeldingen. Staten som eier ivaretar sine interesser gjennom generalforsamlingen og gjennom å sørge for at selskapene har godt sammensatte og kompetente styrer. Vi er tydelige på våre forventninger, og vi følger opp disse, men som eier fører ikke vi kontroll med selskapene. Det er det andre myndigheter som gjør, Vi arbeider jevnlig med å videreutvikle statens forventninger på samfunnsansvarsområdet og hvordan disse følges opp i eierdialogen. I den siste eierskapsmeldingen er vi bl.a. tydelige på styrets ansvar på feltet og på vesentlighetsprinsippet. Det ble også etablert mer spesifikke forventninger til arbeidet mot korrupsjon. Vi har denne våren også engasjert PwC bl.a. for å gi råd om vår oppfølging av eierskapsmeldingen og forventninger til arbeidet mot korrupsjon. Det er bl.a. for å øke systematikken i departementets oppfølging. Dette viktige temaet berører i aller høyeste grad også internasjonalt samarbeid og regelverk. Internasjonalt samarbeid og utvikling av et godt regelverk er trolig det viktigste virkemidlet for å ivareta hensynet om åpenhet om pengestrømmer og skatt. Regjeringen har omtalt arbeidet som gjøres på dette området, i den nylig framlagte finansmeldingen. Det pågår et omfattende internasjonalt arbeid for å forebygge skatteunndragelse, og norske myndigheter har i en årrekke hatt en aktiv pådriverrolle i arbeidet. Norge har i dag et vidt nettverk av skatteavtaler og andre avtaler om administrativ bistand mellom skattemyndigheter, som alle legger til rette for utveksling av opplysninger for Regjeringen fremmet i mai 2016 et lovforslag som innebærer at store flernasjonale konsern får plikt til å levere en land-for-land-rapport for skatteformål til skattemyndighetene. OECD vedtok i juli 2014 en ny standard for automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger for skatteformål, og Norge har undertegnet dette. Det er tiltak som omfatter hele næringslivet og ikke bare staten. Jeg mener vi både gjennom eierskapsmeldingen og i oppfølgingen av denne har en aktiv og grundig metode for vår eieroppfølging når det gjelder samfunnsansvar. Samtidig er vi alltid opptatt av å forbedre oss. Det aller viktigste arbeidet på dette området mener jeg skjer gjennom internasjonalt samarbeid og regelutveksling. Her er Norge en aktiv pådriver, og arbeidet har høy prioritet. Det blir replikkordskifte. replikkordskifte. Eg legg merke til at ingen av forslagsstillarane til denne saka er her i salen. Da får SV ta opposisjonsrolla i denne saka. Det er ein uttala kamp mot skatteparadis der Noreg har underteikna internasjonalt, og som Noreg går i bresjen for.

Det ene er at vi skal være profesjonelle eiere. Selskaper hvor staten er på eiersiden, skal ha andre selskaper, altså like regler for statlige som for privateide selskaper. For det andre er det ikke slik at vi er aleneeiere i selskapene, og for det tredje ønsker vi like konkurransevilkår internasjonalt. Vi ønsker ikke at selskapene skal rømme Norge fordi vi har særnorske krav. Det er mange grunner til at vi ikke skal underlegges andre regler enn det private selskaper har, men det betyr ikke at vi ikke jobber aktivt med det. Vi er tydelige på hva vi forventer av selskaper hvor staten er på eiersiden, om hvordan de opptrer når det gjelder åpenhet om pengestrømmer og om det å inngå selskapsstrukturer i land som vi ikke har skatteavtaler med. Eierskapsmeldingen er mer enn tydelig på hva våre forventninger er, og det følger vi aktivt opp. Dermed er replikkordskiftet over.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

vedtatt. I dag vedtar vi å innføre krav om politiattest for alle som skal jobbe, eller som skal skifte jobb, og yte tjeneste innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette er et svært viktig vedtak, som vil være med og styrke tryggheten til flere svært sårbare mennesker som er helt avhengige av å kunne stole på dem som skal hjelpe dem i hverdagen. Grunnlaget for at vi i dag vedtar denne innføringen, vi dessverre har sett flere eksempler på både vold, overgrep og økonomisk kriminalitet overfor personer som selv ikke kan forsvare seg. Det framstår som et lite paradoks for meg at når det gjelder barn og unge, har man hatt krav om politiattest lenge, men for den eldre garde er det liksom ikke så farlig. Det er derfor svært bra at dette kommer på plass i dag. Jeg vet at noen vil hevde at disse personene fortsatt vil kunne risikere å bli men jeg mener allikevel at dette vil være langt bedre enn å fortsette som vi har gjort til i dag, med skylapper for det som skjer der ute. Det betyr i alle fall at man skal sjekke opp alle som ansettes, for å hindre at personer som er dømt, skal kunne fortsette å jobbe med sårbare mennesker. Det er viktig å ha med seg at de aller fleste som har uttalt seg om lovforslaget, har vært svært positive. Spesielt pasient- og brukerorganisasjonene har vært svært positive til å innføre lovforslaget. Men det er greit å merke seg at så 2013 stemte Arbeiderpartiet dette forslaget ned. Jeg er derfor svært glad for at det i dag er en enstemmig komité som slutter opp om forslaget. Jeg vil også peke på at lovforslaget legger opp til at i tillegg til informasjon som er i en barnehageomsorgsattest, som eksempelvis en eventuell siktelse eller tiltale, skal denne politiattesten inneholde informasjon om legemsfornærmelse, kroppsskader, trusler, frihetsberøvelse, vinningsforbrytelser og bedrageri, noe som også gjør at man styrker tryggheten for dem som trenger disse tjenestene i fremtiden. Jeg vil også peke på at man har vurdert flere forhold i forbindelse med innføringen som kan være utfordrende. Det gjelder flyktninger. Dette med botid i Norge er noe som kan være en utfordring, fordi mange ikke har lang botid og det er en norsk politiattest som ligger til grunn. grunn. Vi mener at dette totalt sett er viktige tiltak for den enkelte som er avhengig av hjelp til å stelle seg, til å vaske huset sitt eller å gå på butikken. Det er tryggheten til disse menneskene dette vedtaket faktisk handler om. Jeg regner med at dersom det er behov for det, vil de andre medlemmene i komiteen redegjøre for eventuelle merknader som de har. Etter å ha jobbet med dette spørsmålet i mange år er jeg svært glad for at dette kravet nå endelig vil bli innfridd, til beste for alle som har ønsket et slikt krav, og som mener at et slikt forslag burde vært innført for lenge, lenge siden. Jeg har også lyst til å takke komiteen for godt samarbeid i saken, og for at vi nå faktisk er der at det er et enstemmig forslag som ligger til grunn i dag. Arbeiderpartiet støtter det

dag. Arbeiderpartiet støtter det forslaget som blir lagt fram i denne proposisjonen om å stille krav om politiattest for personell som yter kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette er en sak som har vært løpende diskutert i en årrekke. I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 91 L for 2010–2011, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, uttalte komiteen at også alvorlig syke, eldre, demente, psykisk syke og andre pasientgrupper kan ha problemer med å ivareta sine egne interesser og beskytte seg mot overgrep, så vel fysiske og psykiske som økonomiske. Komiteens flertall, bestående av Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Høyre, ba den gang om at spørsmålet om å innføre krav om politiattest for ansettelse i jobb også på dette området ble vurdert. Intensjonen med dette lovforslaget er å sikre tryggheten til en svært sårbar gruppe mennesker, mange av dem helt avhengige av gode pleie- og omsorgstjenester. I dag kreves det, som saksordføreren sa, politiattest for personer som jobber med barn og ungdom, og vi legger nå til grunn at det er den samme type krav som vil gjelde vedrørende politiattest for ansatte i helse- og Det har tidligere vært innvendt at krav om politiattest vil ekskludere for mange fra arbeidslivet, og at et slikt krav kan hindre resosialisering f.eks. av folk som har sonet en straff, og som har et sterkt ønske om å gå videre i livet. Jeg tenker at det er argumentasjon man skal ha forståelse for og ta på alvor. Vi ser også at proposisjonen ikke tar stilling til, eller omtaler, hvorvidt flyktninger, innvandrere og asylsøkere stilles i en vanskelig situasjon med krav om politiattest, gitt at deres bakgrunn ikke er kjent. Som Fagforbundet understreket i sitt høringssvar til komiteen, ønsker vi, og er avhengige av, at denne gruppen får mulighet til å utdanne seg og ta jobb i helse- og omsorgssektoren.

men som vi mener ikke trumfer dagens forslag om politiattest. En politiattest kan aldri erstatte gode ansettelsesrutiner, et godt fungerende internkontrollsystem, veiledning og oppfølging av ansatte. Dette er det flere av høringsinstansene som har understreket, bl.a. Legeforeningen og flere kommuner. Men Arbeiderpartiet støtter forslagene i proposisjonen om å stille krav om politiattest for ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i likhet med det som er tilfellet i dag for dem som skal jobbe med barn og unge. Vi behandler i dag regjeringens forslag om å endre flere paragrafer i to lover for å innføre krav om politiattest for personell som skal yte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven i kommunene. Dette gjelder nevnte lov samt helsepersonelloven. Kravet om politiattest i kommunehelsetjenesten skal gi større trygghet for dem som får slike tjenester, og deres pårørende. En slik attest er selvsagt ingen garanti, men vil bidra til at personer som er dømt for forhold som gjør dem uskikket til

Det er en utfordring ikke bare for helse- og omsorgstjenesten, men også for alle andre sektorer hvor det er krav om politiattest, inkludert frivillige organisasjoner, at det kun er forhold i Norge som vil gjøre seg gjeldende i en slik attest. Hensynet til trygghet og sikkerhet for pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenestene omfatter også flyktninger, asylsøkere og innvandrere som har behov for å motta slike tjenester. Dersom en ikke vektlegger trygghet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, kan det svekke tilliten til tjenestene og medføre at sårbare mennesker vegrer seg for å be om tjenester de har behov for. Jeg vil presisere at sånne attester er et skritt på veien, men ingen garanti. Dette er ett av mange tiltak for å sikre at pasienter og brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal sikres trygge, gode og verdige tjenester. Igjen er det grunn til å minne om et av rettsstatens prinsipper, at enhver som er siktet og eventuelt tiltalt for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist. Samtidig er det sånn at når en har sonet sin straff, skal en ha muligheten til å starte på nytt. Disse forholdene er behørig belyst i proposisjonen, og en enstemmig komité stiller seg bak regjeringens konklusjoner. Forslaget gjelder bare for nyansettelser og de som skifter stilling, og således trenger ikke de mange stille seg i kø for å få politiattest i morgen. Mange har stått på lenge for å få dette på plass, og det er spesielt grunn til å gratulere Fremskrittspartiet når vi har kommet så langt som til dette, nemlig å vedta å innføre krav om politiattest i
Først av alt har jeg lyst til å takke saksordføreren for en god måte å dra saken gjennom komiteen på. Det å få lov til å jobbe med alvorlig syke, eldre, demente, psykisk syke og andre pasientgrupper er en tillit, og en tillit som den som jobber der, må vise seg verdig.

for alt personell som skal yte tjenester etter helse- og omsorgsloven, uavhengig av hvilke pasient- eller brukergrupper de skal yte tjenester til, støtter Kristelig Folkeparti fullt ut, og også at det ikke skal være opp til hver enkelt kommune å bestemme om de vil ha dette. Men dette er bare ett av flere tiltak som må til for å trygge pasienters og brukeres tillit til personell i tjenesteapparatet. Tillit og trygghet er noe vi faktisk får, og tillit og trygghet til dem man er totalt avhengig av fordi man ikke kan gjøre ting selv, er sentralt i god omsorg og god pleie. Mange pasienter og brukere kan være totalt avhengige av andre på grunn av alder, sykdom eller funksjonshemning, noe som gjør som ligger i at de som utfører tjenesten, nå må framlegge en politiattest. Det å ligge og være helt avhengig av andre betyr at en også må kunne stole på dem som kommer enten inn i eget hjem eller inn på det rommet man bor på, i en omsorgsbolig eller et sykehjem. støtter, som resten av komiteen, forslaget om at dette skal være en obligatorisk og ikke en frivillig ordning. Derfor støtter vi innstillingen fra komiteen. Lovforslaget som Stortinget behandler i

Helse- og omsorgstjenestene er en tjeneste for alle. Alle innbyggere i en kommune vil en eller annen gang i løpet av livet ha behov for helse- og omsorgstjenester. Pasienter og brukere står ofte i et avhengighetsforhold til tjenesteyter og vil være i en mer eller mindre sårbar situasjon. Mange kan ha problemer med å ivareta egne interesser og beskytte seg selv mot overgrep. Det er neppe mange sektorer i samfunnet der nærkontakten mellom to mennesker er så stor som mellom tjenesteyter og tjenestemottaker i helse- og omsorgstjenesten. Krav om politiattest kan bidra til at pasienter og brukere får økt trygghet og tillit til at tjenesteyter ikke vil skade dem på noen måte. Hensynet til pasienter og brukere har derfor stått sentralt i arbeidet med lovforslaget. Anmerkninger på en politiattest er følsomme opplysninger. Av hensyn til tidligere straffedømte krever forslaget at det på politiattesten bare skal anmerkes konkret angitte lovovertredelser som pasienter og brukere lett kan bli utsatt for, og som de bør beskyttes mot. Det omfatter bl.a. voldtekt, ulike former for tvang, kroppskrenkelse, tyveri og underslag. Mindre alvorlige overtredelser skal bare registreres i et begrenset tidsrom. Straff på inntil seks måneders ubetinget fengsel skal f.eks. ikke opplyses om lenger enn i tre år etter at dom er avsagt eller forelegg vedtatt. Dette kan bl.a. omfatte tyveri og underslag. Når kommunen eller annen arbeidsgiver mottar en politiattest med anmerkninger, må de vurdere om anmerkningene gjør at de anser personen for å være uegnet til stillingen. En anmerkning på politiattesten vil ikke automatisk innebære et yrkesforbud. Er det grunn til å tro at pasienter og brukere kan ha tillit til og stole på vedkommende, skal ikke en anmerkning på en politiattest være til hinder for å kunne ansette vedkommende.

En politiattest uten anmerkninger innebærer derfor ikke en sikkerhet for at vedkommende aldri har utført en straffbar handling, eller at vedkommende ikke vil begå en straffbar handling i framtiden. På den annen side kan det antas at en rekke personer som er dømt for en straffbar handling, aldri kan tenke seg å begå en straffbar handling igjen. Framleggelse av politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er derfor kun ett av flere tiltak

så mye tillit i møte med pasienter og brukere. Men jeg er glad for at kommunene og tjenesten gjennom dette lovvedtaket får et ekstra verktøy i det arbeidet. Jeg er meget tilfreds med at helse- og omsorgskomiteen enstemmig har sluttet seg til regjeringens forslag. Trygge pasienter og brukere som har tillit til tjenesteyterne, er avgjørende nettopp for å skape pasientens helsetjeneste. Det blir replikkordskifte.

politiattesten. Det jeg tror er viktig, er at en gjør som komiteen mener, at en hele veien understreker at alle de nasjonale verktøyene som en bruker, ikke blir en hvilepute for dem som ansetter. Det handler f.eks. om språkprøver, som nå i mye større grad blir en systematisk introdusert del av grunnlaget for å få autorisasjon. En må gjøre en selvstendig vurdering også til autorisert helsepersonell som har gjennomgått en språktest, for språket er helt avgjørende for å gi en trygg og sikker helsetjeneste. Jeg takker for et godt svar om viktige tiltak. Dette er autorisasjon for folk som kommer fra en utdannelse utenlands, men vi har sett, som i tilfellene, at vanlige norske borgere – født og oppvokst i Norge – med politiattest i lomma har begått grove overgrep mot barn og gått under radaren for den gjennomgangen man kanskje skulle hatt av deres historie før de ble ansatt. Ser statsråden at det kanskje bør settes et ekstra trykk inn her? her? Jeg mener at dette er et godt tiltak, men jeg vil understreke at det er ikke sånn at alle som ansettes, har en historie før de gjør et overgrep. Derfor er det, som jeg understreket i mitt innlegg, ikke nok å sjekke en persons vandel, en må ha gode interne kontrollsystemer og god oversikt over hva som skjer i egne egne tjenester. Det er viktig å sikre en mer permanent bemanning og unngå for mye vikarbruk og for mye oppdeling, sånn at en har en solid og mer permanent bemanning i disse tjenestene. Det er også en del av det å kvalitetssikre for at dette ikke skal skje. Men på dette området er det ingenting som

vedtatt. Helse- og omsorgskomiteen har behandlet regjeringens forslag om en tydeliggjøring av pasienters rett til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Regjeringen foreslår å presisere retten til heldøgns pleie og omsorg i pasient- og brukerrettighetsloven og en korresponderende plikt i helse- og omsorgstjenesteloven for kommunene til å tilby slike tjenester. Regjeringen har i lovforslaget lagt vekt på at en ønsker bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen. Nasjonale kriterier for tildeling vil være et viktig virkemiddel for å bidra til dette. Regjeringen vil foreslå nasjonale kriterier når det er høstet erfaringer med de kommunale kriteriene og bruken av nasjonale kriterier i forsøksordningen for statlig finansiering av omsorgstjenestene. Men inntil nasjonale kriterier er på plass, må den enkelte kommune

om at de kvalifiserer for langtidsplass i kommunene, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av plass. Det var få deltakere på komiteens åpne høring i saken, men når det gjelder regjeringens høringsforslag, var det et flertall som mente at lovforslaget var overflødig fordi man mente rettigheten allerede var forankret i dagens regelverk. Det var også høringsinstanser som mente at en presisering av eksisterende rettighet i lov var positivt for brukere av tjenesten. Komiteen deler seg i denne saken. Regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre stemmer i dag for regjeringens forslag til lovendring som tydeliggjør retten til heldøgns omsorg. Flertallet mener dette er viktig for at pasienter, brukere og pårørende i større grad skal føle seg trygge på at kommunen har plikt til å tilby en slik tjeneste når behovet oppstår. Ved å vedta lovendringen slår vi fast at det skal være den enkeltes behov for sykehjemsplass – ikke om kommunen har plass som skal avgjøre om en får vedtak eller ikke. I dag opplever mange at retten til heldøgns pleie er en rettighet som egentlig ikke eksisterer. Terskelen for å få heldøgns pleie i kommunen kan variere ut fra om kommunen har plass eller ikke. Det bidrar til å skape forskjeller i pasientbehandlingen. Nå endrer vi på denne urettferdige praksisen. De som trenger en sykehjemsplass, men som kan vente noe tid hjemme med mer hjelp til det er ledig plass, skal nå få vedtak og settes på venteliste. For oss i Høyre er dette en viktig merkedag. Den nye loven vil vesentlig styrke rettighetene til omsorgstrengende i praksis. Den vil forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har, og den gjør det helt tydelig at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering vurdering om rett omsorgsnivå som ikke er knyttet til om kommunen har ledig plass der og da. Det er også en stor endring at det etableres åpenhet om kriterier og ventelister. Det skaper en helt nødvendig trygghet og forutsigbarhet for dem som er aller sykest i våre kommuner. Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemmer i dag imot en lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg for dem som er for syke til å kunne pleies hjemme. Rett nok har aldri kampen om pasienters rettigheter vært disse partienes fanesak, men at de også i denne saken velger systemets og ikke de sykeste eldre pasientenes side, er nesten ikke til å forstå. Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier også nei til at kommunene skal opprette ventelister, som jo vil gi et viktig bilde av om kommunen har god nok kapasitet viktige politiske prioriteringer for økt utbygging. Heldigvis er flertallet i Stortinget på pasientens side i denne saken. Det tror jeg mange syke, pleietrengende og deres pårørende merker seg.

seg. Vi behandler i dag en sak som har møtt sterk motstand fra så å si alle høringsinstansene som har uttalt seg – og det er ganske mange. Helse- og omsorgsdepartementet sendte sist høst ut et høringsnotat om forslag til lovendring i omsorgssektoren slik det kommer til uttrykk i den foreliggende proposisjonen, bl.a. om rett til opphold i sykehjem og plikt for kommunene til å holde ventelister. Et overveiende flertall av høringsinstansene, bl.a. Kommunenes Sentralforbund, Helsedirektoratet, Advokatforeningen, Omsorgsjuss, Norsk Sykepleierforbund, enkeltkommuner og ikke minst landets pasient- og brukerombud, er svært negative til lovforslaget. Omsorgsjuss sier det slik: «Forslagene til nye lovbestemmelser er unødvendige, uhensiktsmessige og til dels umulige å gjennomføre, og vil i tillegg gi dårligere rettssikkerhet for pasienter og brukere og merarbeid og økte kostnader for kommunene. Omsorgsjuss AS støtter derfor ingen av de foreslåtte lovendringene.» Det er en uvanlig sterk uttalelse, og den er i tråd med det som mange høringsinstanser har spilt inn. Arbeiderpartiet har lyttet nøye til disse innvendingene, og vi vil understreke det samtlige høringsinstanser – samt faktisk Helse- og omsorgsdepartementet

og det ikke finnes ledig plass, skal kommunen, ifølge dagens lovverk, sørge for tilsvarende hjemmebaserte tjenester eller hjelp i annen bolig inntil sykehjemsplass kan tilbys. Kommunene har også plikt til å sørge for at lovverket håndteres forsvarlig og riktig, og at saksbehandlingen foregår på riktig måte. Fylkesmannen er da klageinstans for dem som mottar kommunale pleie- og omsorgstjenester. Jeg har lyst til å peke på at det ytes gode omsorgstjenester over hele landet, og det er mange eldre som mottar tjenester, som gir gode og positive tilbakemeldinger. Det er imidlertid en utfordring å finne de riktige grepene, som utjevner de til dels betydelige forskjellene vi ser kommunene imellom, med tanke på å styrke kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene generelt. Her må vi våge å tenke nytt og der vi både løfter det forbyggende perspektivet og ser på hvordan vi kan styrke hele omsorgstrappa – med både å bygge flere heldøgns omsorgsplasser, legge til rette for andre boformer og styrke hjemmetjenesten. En slik framtidsrettet omsorgspolitikk ble på en forbilledlig måte løftet fram i stortingsmeldinga «Morgendagens omsorg», som ble lagt fram av Stoltenberg II-regjeringa i 2013, og som denne regjeringa ofte refererer til. til. Disse perspektivene er det flere kommuner, også borgerlig styrte, som understreker. Asker kommune i Akershus, som for øvrig er en Høyre-styrt kommune, gir en ganske presis karakteristikk i sin «Det oppleves dermed som lite helhetlig at man i lovverket foreslår å fremheve separate deler av omsorgskjeden. Ved å legge til en egen rettighetsbestemmelse om heldøgns tjenester mener vi det kan oppfattes som et steg tilbake i forhold til utvikling av helse- og omsorgstjenestene.» I Hurdal kommune sier ordføreren, fra Venstre, følgende: «Å gi inntrykk av at man har skapt en ny rettighet uten at en ny rettighet er skapt, vil være å forlede befolkningen, og kan bidra til økt konfliktnivå i en sårbar tid for pasienter og brukere.» Vi i Arbeiderpartiet vil understreke at det må være et uttalt mål at eldre mennesker som mottar omsorgstjenester, selv skal kunne bestemme over deler av tjenestene som mottas, innenfor definerte rammer. Derfor må vi avbyråkratisere eldreomsorgen og gi større ansvar og tillit til de ansatte. Større tillit til det faglige perspektivet og mindre kontroll er viktige stikkord for å lykkes. Den foreliggende proposisjonen omhandler også rettighetsspørsmål knyttet til ventelister og lovfestede nasjonale kriterier, som jeg ikke får plass til å omtale her. Jeg synes bare det er litt trist at vi skal stå på denne talerstolen og beskylde hverandre for ikke å være opptatt av eldre og av god pleie og omsorg. Jeg tror mine politiske motstandere er mine politiske motstandere er like opptatt av det som meg, men vi velger altså forskjellig. Arbeiderpartiet ser ikke å kunne støtte noen av de framlagte lovforslagene i proposisjonen, men vi fremmer to forslag sammen med Senterpartiet, og de forslagene tar jeg opp her. Da har representanten Tove Karoline Knutsen tatt opp de forslagene hun refererte refererte til. Representanten Wilhelmsen Trøen har redegjort veldig godt for hva dette handler om. Det handler om at man skal tydeliggjøre enda mer det som ligger i lovverket allerede i dag, om at man faktisk har noen rettigheter, og at man har noen kriterier for hvordan man skal kunne få fulgt dette opp. Da er det litt interessant å høre på foregående taler, som egentlig prater sterkt imot det, samtidig som hun sier at dette allerede er der i dag, i hvert fall lovfestingen. Det er litt spesielt at man er veldig imot det man mener at allerede er der, sånn at det er litt overflødig å gjøre dette. Dette er ikke overflødig. Det er bare å reise litt rundt omkring i landet, så ser man hvordan det står til mange jeg sier «ca.», for det skjer jo en del ting der, men offisielt er det vel fortsatt 428 kommuner, og jeg må passe på at jeg ikke sier noe feil. Men det betyr også at det er så mange forskjellige kriterier for om man får en sykehjemsplass eller ikke, og hvilke kriterier man legger til grunn for om man får en sykehjemsplass eller ikke, eller heldøgns pleie, for den saks skyld. Jeg vet fra egen kommune og fra mange kommuner

så ser man at Seniorsaken, som har kjempet for dette lenge, rett før valget i 2013 leverte 10 000 underskrifter hvor de ba om at dette ble lovfestet. Det er det denne regjeringen nå gjør, man tydeliggjør det. I tillegg får vi på plass ventelister. Jeg synes det er trist at ikke Arbeiderpartiet er enig i at det er viktig å få vite hvor mange det er der ute som faktisk trenger det, for nå er det stort sett prognoser, og så fører ikke den enkelte kommune noen venteliste eller oversikt over hvordan det faktisk står til. Da har man kanskje ikke fullt ut oversikten over hvilke tjenestetilbud man bør øke for å sikre at alle de som trenger pleie- og

for. Det betyr også at man må sørge for å tilrettelegge for å ha flere tilbud og et mangfoldig tilbud, som gjør at hvis man trenger en omsorgsbolig, får man det, og hvis man trenger en sykehjemsplass, skal man få muligheten til det og til faktisk å vite at man har fått et vedtak som sier at dette har man krav på, uavhengig av om kommunen har råd, eller om kommunens kriterier ikke lenger får lov til å være flytende. For nå skal kriteriene ligge der slik at man vet hva man har å forholde seg til, til, og det synes jeg er veldig bra for pasientene. Det er litt artig å høre at Arbeiderpartiet sier at de vil ha mindre kontroll, mindre styring og ikke vil ha disse nasjonale kriteriene, for de mener tydeligvis at det fungerer veldig godt der ute. Ja, i veldig mange kommuner er det veldig bra. Jeg synes alltid det er viktig å påpeke at det er fantastisk mange flotte mennesker som står på hver eneste dag for at vi skal gi kjempegode omsorgstjenester og pleietjenester til eldre og syke som trenger det. Men det er dessverre også sånn at det er en del steder hvor det ikke er så bra. Å oppleve at personer sier at de ikke orker mer fordi de ikke får det tilbudet de trenger, er trist, og sånn skal det ikke være. Det er uverdig. Derfor er jeg veldig glad for det forslaget som flertallet i dag kommer til å stemme for.

dag debatterer vi forslag som handler om rettighetene til de sykeste eldre og pleietrengende. Kristelig Folkeparti er opptatt av at de sykeste eldre skal være trygge på å få tilbud om heldøgns plass eller sykehjemsplass når de trenger det. I dag kan terskelen noen Derfor ønsker Kristelig Folkeparti å lovfeste retten til sykehjemsplass ved medisinske behov samt at en individuell og helhetlig vurdering av den enkeltes situasjon skal vektlegges. Tilbud om en sykehjemsplass og heldøgns tjenester kan ikke være avhengig av den enkeltes kommune eller personlige økonomi. Det må være den enkeltes behov for sykehjemsplass som skal avgjøre. Kommunene må forpliktes sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har. Det er også viktig at innsatsen i kommunene med å bygge flere plasser intensiveres. Det har ikke vært for mye bygging av sykehjemsplasser det siste tiåret. Kristelig Folkeparti støtter at det innføres et krav om ventelister. Ventelister gir forutsigbarhet og gir en helhetlig oversikt over hvor mange som venter på sykehjemsplass eller heldøgns tjenester i Norge. I dag vet Gjennom åpenhet rundt ventelister kan vi se hvor behovene er store og prioritere deretter både i kommunene og nasjonalt. Vi vet at legedekningen på sykehus er én lege per 1,3 pasienter, mens det på sykehjem er et legeårsverk per 130 pasienter i gjennomsnitt. er derfor opptatt av innholdet i sykehjemsplassen. Legedekning er et nødvendig gode for pasienten, og Kristelig Folkeparti foreslo 500 mill. kr ekstra i budsjettet for 2016. Dette handler om kvalitet for den som skal få plassen. En god og verdig alderdom når helsen svikter, handler om innholdet i Vi må sørge for at de sykeste eldre på sykehjem får ivaretatt sine behov som hele mennesker. Tilgang til frisk luft, mulighet til å bevege seg, god ernæring, meningsfullt innhold som kultur og aktivitetstilbud er noe som de fleste av oss tar for gitt. Sånn er det ikke for alle. Helsepersonell melder om at de knapt har tid til Mange syke eldre er underernærte på meningsfulle aktiviteter så vel som på god ernæring. Det er heller ikke uvanlig at demente pasienter i norske sykehjem ikke får frisk luft mer enn et par ganger i året. Dette er noe som svært få pasientgrupper hadde funnet seg i. Ja, Kristelig Folkeparti er enig i at mye fungerer veldig bra i norsk eldreomsorg. Men det er som med ekteskapet, ting kan stadig bli bedre selv om man har et godt ekteskap. Vi må aldri slå oss til ro med at ting er godt nok i norsk eldreomsorg. Kristelig Folkeparti ønsker en offensiv satsing på forebyggende tiltak som styrker livskvaliteten også for hjemmeboende eldre. Derfor er vi glade for det doble tilskuddet som seniorsentrene fikk i fjorårets reviderte budsjett. Vi er glad for at helseministeren nettopp varslet at alle på 75 år skal få hjemmebesøk. Det foreslo Kristelig Folkeparti i fjor sommer. Dette er kjempeviktig for å se hvor behovet er, sånn at vi kan ha dem som faktisk trenger det, på listen. Derfor er Kristelig Folkeparti glad for å være med og støtte dette lovforslaget. Det er viktig for våre sykeste eldre, og det er viktig for våre prioriteringer som politikere lokalt og nasjonalt.
Kjersti Toppe

Det gjeld bl.a. Legeforeininga, KS, Helsedirektoratet, Advokatforeningen, Norsk Sykepleierforbund, mange kommunar og ikkje minst landets pasient- og brukarombod. Forslaga vert omtalte som «unødvendige, uhensiktsmessige og til dels umulige å gjennomføre, og vil i tillegg gi dårligere rettssikkerhet for pasienter og brukere og merarbeid og økte Pasient- og brukarombodet er blant fleire som peikar på at å foreslå ein rett til opphald i sjukeheim berre når dette er det einaste som kan sikra nødvendige og forsvarlege tenester, er ei vesentleg innskrenking samanlikna med at enkelte kommuner – dersom lovendringen blir vedtatt – velger å snevre inn dagens praksis ved tildeling av sykehjemsplasser til bare å omfatte tilfeller der dette er «det eneste tilbudet som kan sikre […] nødvendige og forsvarlige tjenester.»» Venstre-styrte Hurdal kommune seier det slik: «Å gi inntrykk av at man har skapt en ny rettighet uten at en ny rettighet er skapt, vil være å forlede befolkningen, og kan bidra til økt konfliktnivå i en sårbar tid for pasienter og brukere.» Helsedirektoratet går imot alle forslag i proposisjonen og saknar ei fagleg grunngjeving for dei forslaga som er føreslått. Høgre-styrte Asker kommune kom med

Dei nasjonale kriteria er tenkt i samanheng med forsøket med statleg finansiering av eldreomsorga. Men problemet til regjeringa er at så få kommunar vil vera med i forsøket at forsøket ikkje lenger kan kallast eit forsøk, men ein fiasko. Helsedirektoratet meiner at forslaga om kommunale kriterium baserer seg på feil rettsbruk, fordi det varsla forskriftskravet ikkje vil gi nokon rett til nokon. Det er god grunn til å lytta til Helsedirektoratet, som åtvarar mot at dei føreslåtte endringane vil ha motsett effekt av det som er tiltenkt. Som Senterpartiet og Arbeidarpartiet skriv i innstillinga, vil det vera «vanskelig for den enkelte pasient eller bruker å forstå at vedkommende ikke får en sykehjemsplass, selv om man oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold og har fått et enkeltvedtak om dette – og heller ikke om man har fått medhold hos Fylkesmannen». Helsedirektoratet meiner at forslaget frå regjeringa bidreg til forvirring og usikkerheit når lovfesting av pliktar og rettar reelt sett er for dei det gjeld. Senterpartiet viser elles til forslaget frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet om at kommunar utarbeider kjente kriterium som tydeleggjer praksis for tildeling av langtidsopphald utan at dette vert nedfelt i forskrift. Høgre og Framstegspartiet – med litt nølande støtte frå Venstre og Kristeleg Folkeparti – vil gi eldre rett til å stå på venteliste, rett til å få eit vedtak, men ikkje rett til ein sjukeheimsplass. Ventelista er heller ikkje ei prioritert venteliste, ho er ei oversikt over eldre som ventar, utan at dei får vita kor lenge, eller kor mange andre som skal ha plass framfor dei. Vennesla kommune sa det slik i høyringa: «Opprettelse av ventelister er et tilbakeskritt til gammel praksis. En oversiktsliste har ikke noen praktisk betydning for om brukeren får sykehjemsplass eller ikke. For å sikre befolkningen gode tjenester må det være nok sykehjemsplasser eller boliger, og nok personell. Det er det som er virkeligheten for den enkelte.» Dette er poenget. Senterpartiet og Arbeidarpartiet har fremja forslaga som vi står saman om i innstillinga. Å styrke svake gruppers rettsstilling er et gjentakende tema her i Stortinget – det

Det er for disse gruppene vi må ha gode lover og rettigheter. Det kanskje aller beste med det vi vedtar i dag, er at vi innfører ventelister. Jeg synes det blir å ikke forholde seg helt til virkeligheten, det som Senterpartiet sier, for vi vet at det er enorme variasjoner mellom kommunene. kommunene. Ingen har nevnt hva politikerne ser i dette, og det å få se en venteliste tror jeg gjør noe med politikere. Jeg har selv sittet i kommunestyrer og fått lange beskrivelser av hvor viktig det er å satse på forebygging – det er selvfølgelig viktig – og at det er lenge til den demografiske utviklingen fører til at vi har større behov for sykehjemsplass. Det pågår jo en stadig avhjemling av sykehjemsplasser. Det betyr at pasientene i realiteten mister rettigheter, bl.a. legedekning. For de sykeste eldre, som representanten Bollestad var inne på, er det en svekkelse. Mange opererer også med en underkapasitet, og konsekvensen av det blir at vi få en stadig rullering av korttidsplasser, og både for den enkelte pasient og for pårørende er det en stor belastning. Så å pålegge å ha ventelister mener jeg er en viktig del av det vi gjør i dag. Det er også viktig fordi vi må gi plass til dem som har behov for det. I dag er det en betydelig andel unge som henvises til sykehjem. Det er ikke riktig adresse. Det tar opp plass for dem som burde ha legedekning og den mest spesialiserte pleien og omsorgen blant de eldre, og kommunene bør gi et bedre og mer egnet tilbud til de unge. Slik situasjonen er i dag, må flere kommuner ty til interkommunalt samarbeid for å gi spesialisert pleie og omsorg og også øke kapasiteten på plasser til unge pleietrengende. En del av den saken vi behandler i dag, omhandler statlige forsøk, og det er ikke egentlig Venstres politikk og veien å gå, men vi synes at statlige forsøk bør vi gjøre i større grad. Derfor er vi interessert i å lære av de kommunene som nå skal i gang. Og det er mange nok til at dette blir et av de større statlige forsøkene innenfor pleie- og omsorgssektoren. Vi gjør noe lignende innenfor kronikergruppen, og det er viktig at vi gjør så store forsøk for å få god forskning og evaluering. evaluering. For kommunene er det da viktig at de implementerer, for vi kommer til å lære noe av dette, enten skal vi gå videre med noe, eller så skal vi ikke gjøre det. For mange kommuner gjenstår det også et stort arbeid med tilsynsoppgavene. Dessverre er litt tilfeldig sammensatte eldreråd i en del kommuner de som fører tilsyn med kommunal pleie og omsorg. Det er ikke godt nok. Noen kommuner, som Trondheim kommune, har regelmessig årlig tilsyn gjennom sitt kontrollutvalg og foretar systematiske revisjoner. Det har jeg sansen for – ikke nødvendigvis riktig organ, men det er i hvert fall en historikk, og de bygger opp en kvalitet i tilsynene. På lignende måte må vi utvikle det arbeidet i kommunene for å få en som også politikerne kan spille på, men også særlig pårørende kan spille på, for i dag er det for en del pårørende omtrent som å kjempe mot vindmøller å få plass. Venstre er veldig glad for at vi særlig presiserer at vi skal ha kommunale kriterier noe mer over til helsemessige, medisinske kriterier og bort fra noen tilfeldige kriterier basert på tildelingskontor og inntakskontor, som av og til virker som om de prøver å holde pasienter unna plass og ikke få dem inn til riktig tjeneste. Eg synest representanten Toppe hadde eit godt innlegg, og eg synest det siste innlegget bar preg av kva denne saka handlar om. Det handlar vel utelukkande om ventelister, at det var det viktige i dette forslaget. Vi får ei uprioritert venteliste slik at politikarane får sjå. Det var oppsummeringa mi av innlegget til førre talar. Det er eit rart forslag. Regjeringa føreslår noko regjeringa sjølv seier ikkje har effekt. Det reiser ei rekkje spørsmål i denne saka. Det begynner å bli frykteleg mange eksempel no på korleis regjeringa ikkje tar eldre og pensjonistar på alvor. Eldreomsorga er knapt tema i Stortinget. Sakene frå regjeringa gir generell omtale og verkar meir og meir opptatt av å faktisk å forandre. Da må eg berre minne om at det i denne sesjonen berre er SV og Senterpartiet som har kome med eigne forslag. Eg er spesielt overraska over Framstegspartiet, som før dei kom i regjering, over mange år framførte noko eg oppfatta som eit ektefølt engasjement for dei eldste og sjuke i landet. I valkampen 2013 lovde Siv Jensen at eldreløftet til Framstegspartiet fekk koste kva det koste ville, men i regjering

delar har Framstegspartiet stemt imot. Framstegspartiet har til og med stemt imot å kartleggje menneskerettane til eldre i omsorga. Det seier alt. – Det begynner no å bli nokre eksempel på korleis Framstegspartiet har latt eldre i stikken. Våren 2015 fekk norske pensjonistar kutt i kjøpekrafta etter forslag lagt fram av Framstegspartiet. Det same skjer altså i år. I tillegg fjernar dei trygdeoppgjeret

anbefalingar. Helsedirektør Bjørn Guldvog bekrefta at han kjenner til brot på menneskerettar, og Norsk senter for menneskerettigheter sa dei var oppriktig bekymra for situasjonen. Ikkje eingong det gjorde at Framstegspartiet gjorde anna enn å stemme imot forslaget om å ta dette opp. stemte imot forslaget frå SV om å styrkje pasient- og brukaromboda økonomisk. Dei har stemt imot forslaget frå SV om bemanningsnorm i eldreomsorga. Dei nektar kommunane pengar til å pusse opp falleferdige sjukeheimar. Spesielt i Oslo er dette alvorleg etter årevis med Framstegsparti-styre av omsorga. Og kva skjedde med den såkalla retten til sjukeheimsplass? Regjeringas eiga utgreiing seier at retten ikkje betyr noko som helst. Eg siterer frå proposisjonen vi behandlar i dag:

sak. Å avspise dei gamle med lovendringar som både fagfolk, høyringsrundar og departement er tydelege på at svekkjer rettane til dei eldre og fører til meir byråkrati, er ein spesiell måte å behandle eldre, sjuke menneske på. Eg reknar med at alle dei som er opptatt av eldreomsorg, legg merke til spesielt Framstegspartiets flukt frå eigne løfte. SV kjem til å stemme for forslagene nr. 1 og

komiteen. Jeg er fornøyd med at Stortinget i kveld endelig kan vedta lovendringen som tydeliggjør retten til sykehjemsplass. Dette er en viktig oppfølging av samarbeidsavtalen regjeringspartiene har med Kristelig Folkeparti og Venstre. Regjeringen foreslår at det skal gå klart fram av pasient- og brukerrettighetsloven at en har rett til sykehjemsplass dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som sikrer et forsvarlig tjenestetilbud for den enkelte. I slike tilfeller skal pasienten tildeles en sykehjemsplass og kan ikke settes på venteliste. Rettigheten skal også omfatte opphold i tilrettelagte boliger med bistand og tilsyn tilsvarende som i et sykehjem. Lovproposisjonen inneholder derfor også lovendringer som legger til rette for et bedre system for tildeling av sykehjemsplass. Det vil sikre en mer forutsigbar rettsstilling for den enkelte og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen. Den enkelte kommunen skal etter forslaget utarbeide en forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i kommunen. Kommunen må altså være tydelig overfor innbyggerne med hensyn til hvilke tjenester de kan forvente i egen kommune. Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for langtidsopphold etter at forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten er gjennomført, og vi har høstet erfaringer med de nasjonale kriteriene der. Det er viktig å gi den enkelte bruker og pasient forutsigbarhet og trygghet for at han eller hun er vurdert i lys av kommunens kriterier for tildeling av langtidsopphold. Et vedtak kan bidra til slik trygghet samtidig som det også gir rettssikkerhet og mulighet til å klage med utgangspunkt i et tydelig vedtak. I lovproposisjonen foreslår vi også derfor at pasient eller bruker som med forsvarlig hjelp kan vente på en langtidsplass, men som fyller kommunens kriterier, skal ha rett til et slikt vedtak. Kommunen skal føre ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsplass i kommunen. Modellen gir trygghet for den enkeltes behov for å bli sett.

til å innfri disse pliktene. Det er en kjensgjerning at høringsinstansene er delt i synet på forslaget. Innvendingene mot forslaget er iherdig sitert i debatten til nå, men det ingen av dem som stemmer imot forslaget har sitert, er at de fleste pasient- og brukerorganisasjonene er positive til forslaget. Seniorsaken sier bl.a. at lovforslaget er et

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og nå også SV ikke støtter lovforslaget, fordi de mener forslaget kan bidra til uklarhet om allerede lovfestede rettigheter og mer byråkrati i tjenesten. Vi vet fra virkeligheten at mange brukere og pårørende i dag opplever at deres behov ikke blir sett og ikke blir ivaretatt. Regjeringen og våre støttepartier har lyttet til hva de sier,

som sikrer brukerne større innflytelse over egen hverdag, økt valgfrihet og tilstrekkelig mangfold av tilbud med god kvalitet. Vi har konkrete satsinger for å bedre samarbeidet med pårørende, øke de ansattes kompetanse og bidra til faglig omstilling og nyskaping. Det er også viktig å sikre at de aller sykeste får plass på en institusjon. Det blir replikkordskifte. replikkordskifte. Lovtekst er jo en egen litterær sjanger, og man skal lytte nøye når de fremste juridiske ekspertene uttaler seg. Omsorgsjuss har sagt følgende om den saken vi nå behandler: «Når det foreslås en rett til opphold i sykehjem bare når dette er «det eneste» som kan sikre nødvendige og forsvarlige tjenester, så er dette en vesentlig innsnevring sammenlignet med dagens rettigheter. Det er en risiko for at enkelte kommuner – dersom lovendringen blir vedtatt – velger å snevre inn dagens praksis ved tildeling av sykehjemsplasser til bare å omfatte tilfeller der dette er «det eneste tilbudet» Disse advarslene kom allerede da regjeringen hadde saken på høring, så mitt spørsmål er: Hvorfor har statsråden valgt å ikke lytte til tunge høringsinstanser som Advokatforeningen og Omsorgsjuss, som faktisk sier at formuleringen i den foreslåtte lovendringen svekker rettssikkerheten og ikke den? Fordi det er feil. Det er ikke sånn at ingen andre vil få tilbud og vedtak om heldøgns pleie og omsorg. Det sitatet som representanten Knutsen her trekker fram, er det som er dagens rettstilstand, nemlig at for dem som det ikke er et annet forsvarlig tilbud Men i virkelighetens verden vet alle at det er svært få pasienter som er i en sånn situasjon. De er i dag ikke trygge på at de faktisk får et vedtak

Men et annet spørsmål: Helsedirektoratet går imot denne forskriftsfestingen fordi de mener det er feil rettsanvendelse, fordi de mener det er feil rettsanvendelse, da forskriften i henhold til forvaltningsloven ikke gir rettigheter til enkeltpersoner, men til en ubestemt gruppe. Har man heller ikke valgt å lytte til sitt eget fagdirektorat? For det første svarte jeg meget presist på representanten Knutsens første spørsmål. For det andre er jeg overrasket over at også går imot at kommunens kriterier skal forskriftsfestes. Alternativet til forskriftsfesting er bl.a. at en ikke har krav til høring knyttet til hvilke kriterier som skal utformes. Det er ikke den typen prosesskrav som forskriftsfesting innebærer. Dermed fratar Arbeiderpartiet og Senterpartiet på en veldig elegant måte legen i kommunen og fagorganisasjonene mulighet til faktisk å kunne ha et veldig tydelig syn på hva som skal være kommunens kriterier. Igjen: Arbeiderpartiet velger i denne saken konsekvent å stå på systemets side mot pasientenes og brukernes interesser. Det er altså ikke det de tyngste fagfolkene sier. De sier tvert imot at i dag kan man påklage et vedtak og få medhold hos Fylkesmannen. Denne forskriften, som ikke er individuelt innrettet, sier altså Helsedirektoratet ikke vil hjelpe den enkelte til å få oppfylt sine rettigheter, fordi forskriftsfestingen gjelder en gruppe og ikke individuelle rettigheter. at fagdirektoratet har et poeng, eller er han helt på kollisjonskurs med sitt eget direktorat? Det at kommunene nå må forskriftsfeste kriteriene, innebærer nettopp at vi sikrer brukerne som i dag veldig ofte f.eks. får vedtak om noe annet enn heldøgns pleie og omsorg fordi kommunen ikke har en ledig plass – selv om fagfolkene mener at de har behov for heldøgns pleie og omsorg. De får altså da De får altså da et annet vedtak, mens det med dette lovforslaget vil være veldig tydelig at det er kommunens forpliktelse å tilby heldøgns pleie og omsorg når det blir ledig plass. Samtidig må kommunen selvfølgelig beskrive hvilke tilbud som skal gis i mellomtiden, og en har mulighet til å klage på det.

men ikkje rett til ein sjukeheimsplass. For sjølv om ein oppfyller kriteria for tildeling av langtidsopphald, har fått eit enkeltvedtak om det og fått medhald hos Fylkesmannen, kan ein verta plassert på ei venteliste utan at ein får vita kor lang tid ein skal stå på den lista. Trur statsråden at den sjuke eldre forstår at ein slik ny praksis er ei styrking av rettane hans eller hennar? Ja. For vi vet meget godt hva som er alternativet i mange kommuner i dag. Det er at både de eldre og de pårørende som er veldig klare på at det en har behov for, er heldøgns pleie og omsorg, i dag opplever å deg er det tilstrekkelig at du får forsterkede hjemmebaserte tjenester, og så lever en i uvisse: Er jeg sett av kommunen? Har kommunen faktisk sett mitt behov? Med dette systemet vil alle få en veldig klar tilbakemelding: Ja, kommunen har sett ditt behov, du vil få plass når det er din tur. – I mellomtiden får en et forsvarlig tilbud mens en venter. Jeg er overbevist om at det både vil skape trygghet redusere konfliktene. Hvorfor er jeg overbevist om dette? Jo, fordi denne modellen ikke er en skrivebordsmodell, den fungerer i praksis i Stavanger kommune i dag, en kommune som i høringsuttalelsen er veldig tydelig på sin støtte basert på deres erfaringer med hvordan dette fungerer … Eg registrerer at statsråden seier at mange kommunar i

vurdert i høyringsforslaget om å setja ein frist for oppfylling av vedtaket om langtidsplass. Med ventelistekaoset i helseføretaka friskt i minnet, der ein får ventelister som er skjulte, osv., er det grunn til å spørja: Kvifor har ikkje regjeringa, når ein først går inn for dette, tatt dette heilt ut ein frist for kor lenge dei skal stå på venteliste? Det er snakk om månader, det er snakk om år. Kva tenkjer statsråden om det? For det første kan ikke representanten Toppe ha hørt etter det jeg sa i mitt første svar. Det er helt klart at hvis det eneste forsvarlige for brukerne er å få heldøgns pleie og omsorg, f.eks. en sykehjemsplass, skal de ikke settes på venteliste, men få en plass. Det kommer tydelig fram i proposisjonen. De pasientene som det er faglig vurdert etter kommunens kriterier bør få heltids pleie og omsorg på en institusjon, kan få et annet forsvarlig tilbud hvis det ikke er ledig plass. Det er selvfølgelig et krav at tilbudet skal være forsvarlig. Det er det som gjelder på dette området.

minutter. Etter å ha hørt innleggene i debatten nå må jeg nesten spørre – meg selv i hvert fall – om Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV virkelig forstår hvem denne lovendringen skal ivareta. Det er veldig mye godt ute i Kommune-Norge, men det er også veldig mange fortvilte pasienter, veldig mange fortvilte pårørende. Jeg tror at det også er ganske mange fortvilte ansatte på tildelingsenheter, fordi, tror jeg, man trenger tydelige kriterier og åpenhet om hva det er som skal utløse en heldøgns plass til omsorg. De færreste ønsker seg på sykehjem, og ingen skal plasseres på sykehjem uten å ha reelt medisinsk behov. Derfor er jeg stolt av en regjering som har løftet eldreomsorg på en veldig bra måte gjennom disse tre første årene i regjering – styrket dagaktivitetstilbud til demenspasienter, bevilget midler til bruk av velferdsteknologi, som spesielt kan møte behovene til kronisk syke pasienter. Vi innfører hjemmebesøk for eldre. Vi styrker kompetansen i kommunene, kommunene har 1,2 mrd. kr i året å bruke på kompetanseheving. Vi har innført lederutdanning på BI.

god hjelp av helsepersonell, god hjelp av teknologi, god hjelp av frivillig innsats på mange områder og god hjelp av pårørende. Denne saken handler om de skrøpeligste eldre pasientene som er så syke at de trenger heldøgns omsorg. For meg er det helt uforståelig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV stemmer mot dette, som nettopp skal ivareta rettsstillingen til de aller svakeste, de aller sykeste. Det er ingenting som er sagt fra denne talerstolen av de partiene i dag, som kan forklare hvorfor de sier nei.

og forsøket med statlig finansiering, har blitt så elendig mottatt ute i kommunene, av fagfolk og av de aller fleste som uttaler seg i disse sakene. Jeg har lyst til bare å si til representanten Wilhelmsen Trøen: Hadde vi trodd og tenkt og blitt overbevist om at dette var rette måten å gjøre det på, hadde vi selvfølgelig støttet denne proposisjonen. Men jeg er blitt mer og mer overbevist om at dette er – som representanten Toppe sa – keiserens nye klær. Vi må lytte til de sterkeste faginstansene, til fagdirektoratet, til juridisk kompetanse – for dette er en lov, dette er lovverk – til KS, til enkeltkommuner, til Legeforeningen, til Sykepleierforbundet og til pasient- Det er vel ikke sånn at det kun er regjeringspartiene som har sett lyset og har forstått viktigheten av å ha en god politikk. Det er ikke bare Høyre og Fremskrittspartiet som bryr seg om at eldre skal ha det bra i kommunene. Jeg går ut fra at de kan slutte med det pratet. Sannheten er at denne proposisjonen har så liten støtte av dem som skal iverksette dette, jeg ikke forstår at man kan gå inn for noe slikt. Så til kriteriene. Vi vil gjerne ha kriterier i kommunen som er tydelige for innbyggere og brukere, slik at man vet – har beskrevet – hvordan tildelingen skal være. Derfor fremmer vi et forslag om det. Vi skal ikke lure folk til å tro at en forskrift kan gi individuelle rettigheter, for en forskrift gjør ikke det. det. Det er det Helsedirektoratet advarer mot. En forskrift gir altså «rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer», for å sitere hva det står i forvaltningsloven. Nasjonale kriterier som sier noe om kvalitet, og som holder opp kvalitetsindikatorer knyttet til f.eks. finansiering, er Arbeiderpartiet veldig for. Det har vi sagt lenge, og vi jobber nå med hvordan det skal implementeres. Men jeg må si det gjør kanskje spesielt inntrykk å lese høringssvarene fra landets pasient- og brukerombud, som avviser dette forslaget. Jeg synes det er «trist» – for å sitere representanten Hoksrud – at regjeringen går imot dem som skal iverksette denne politikken.

denne politikken. Representanten Wilhelmsen Trøen sa i sitt første innlegg at kommunen med dette lovforslaget ikke lenger kan innsnevre brukernes rettigheter. Nei, det klarer jo regjeringen helt alene. Representanten Wilhelmsen Trøen sa videre at det er ingenting som kan forklare hvorfor vi – altså Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet – sier nei til det som ligger på bordet i dag. Jo, det er faktisk veldig, veldig enkelt, fordi forslaget fra regjeringen og stortingsflertallet her i dag innsnevrer folks rettigheter, og det vil ikke vi være med på. Livet har lært meg at det er lurt å lese det som står med liten skrift, og det som står med liten skrift, og som faktisk ingen av representantene fra posisjonspartiene her i dag så langt har understreket, er følgende sitat fra § 2-1 e: «dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet» – jeg understreker det eneste tilbudet – «som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.» Der er vi ved sakens kjerne, fordi det snevrer inn loven sammenlignet med sånn som den er i dag. Det høres helt fantastisk ut å komme på en venteliste. Jeg synes ikke det er fantastisk å komme på en venteliste, for folk som trenger og oppfyller kriteriene for sykehjemsplass, skal få en sykehjemsplass. Det er dagens lovverk. Kommunene har et sørge for-ansvar, og det er det regjeringen og stortingsflertallet sier er styrking av rettigheter. Jeg sier det er svekking av rettigheter. Nå har jo regjeringen vist at de har erfaring med kreativ ventelisteføring, men det alvorlige her er at brukerne, de eldre og syke i Norges land, holdes for narr. Jeg er veldig glad for at statsråden avklarte i sitt innlegg i stad at de som har det største behovet, er de som skal gå først, for sånn må det selvfølgelig være. Men det betyr jo at en venteliste er en svekkelse av folks rettigheter, fordi da har man allerede, ifølge stortingsflertallets logikk, oppfylt kriteriene for å få en sykehjemsplass, men man får det ikke fordi man havner på en venteliste. Dette henger ikke sammen. Det var Ludvig 14. som sa: Staten, det er meg. Det er kanskje litt ufint å si at akkurat hvordan regjeringen har opptrådt i denne saken, minner meg om det. Fordelen med å snakke med seg selv er at iallfall noen lytter. Jeg skulle ønske at regjeringspartiene her lyttet til faginstansene og ikke innsnevrer brukernes rettigheter. Det er ganske fantastisk å høre fra talerstolen her at noen sier at noen ikke lytter til dem det

brukernes rettigheter. Det er ganske fantastisk å høre fra talerstolen her at noen sier at noen ikke lytter til dem det gjelder. Det er nettopp det regjeringen gjør, vi lytter faktisk. Ja, det kan godt hende at man av og til er uenig med noen av fagfolkene, men hvem er det som er opptatt av å få dette? Jo, det er faktisk de pårørende og brukerne. Jeg synes faktisk at det er ganske vesentlig. Jeg Jeg synes faktisk at det er ganske vesentlig. Jeg tror Seniorsaken også er en viktig aktør å lytte til når man skal bestemme hva man skal gjøre for noe, og de er veldig klare og tydelige på at de ønsker en lovfesting av retten. Det er artig å høre på SVs Knag Fylkesnes, som nevner ordet «bemanningsnorm» ganske mange ganger her. Jeg tror vi nesten like mange ganger, enten i merknadsform eller i forslagsform de åtte årene hans parti var en del av regjeringen, har fremmet dette med bemanningsnorm, men de stemte altså ned samtlige forslag. Det denne regjeringen nå har gjort, er at man har lagt fram flere proposisjoner som også blir fulgt opp, hvor eldreomsorg er en viktig del, det vi gjør i dag er en viktig del, og det kommer flere ting framover. I trygghetsstandarden, som noen er så negative til, ligger bl.a. kompetanse, fordi det er viktig med kompetanse, å få mer kompetanse hos dem som skal gjøre jobben – alle de fantastiske ansatte som gjør en så god jobb de kan. Det er viktig å gjøre noe med å styrke bemanningen. Det er også en del av det som man skal se på, men alt handler ikke bare om det, det handler faktisk også om rett kompetanse, det handler om kvalitet, og det handler om menneskene man skal hjelpe og gi de gode tjenestene, medmenneskene våre og dem som trenger dette tilbudet. Men jeg registrerer at Arbeiderpartiet er et parti som er mest opptatt av systemene og mindre opptatt av menneskene og de personene som trenger hjelp. Det er selvfølgelig ikke sånn at det er viktig at noen kommer på en venteliste. Det er viktig at folk faktisk får hjelp, men da kan det være greit at kommunen faktisk vet hvordan det er, og at kommunepolitikerne vet hvordan det er. Jeg opplever kommunepolitikere som sitter og sier at ja, men det har ikke vært noen negative oppslag i Fordi man ikke har hatt venteliste, har man faktisk ikke visst hvordan det står til der ute. Jeg synes det er trist, fordi jeg synes det er viktig at man får vite hvordan det faktisk står til, hvordan realiteten og virkeligheten er. Derfor har også statsråden vist til Stavanger, som har dette, og som gjør det på en

til et statlig forsøk som faktisk kunne vært med og på en god måte sett på forskjellige løsninger for hvordan vi skal løse eldreomsorgen i fremtiden. Jeg er overbevist om at når det gjelder de kommunene som kommer til å være med i det statlige forsøket, kommer det til å bli en suksess for innbyggerne i kommunen og dem som trenger pleie.

pleie. Dagens frekkeste innlegg kom fra representanten fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes. Jeg skal ta ham med på en liten reise bakover, til 2005 og 2008, til den rød-grønne regjeringa. Venstre stolte på den og inngikk et forlik om en verdighetsgaranti. I 2008 var ambisjonen til den rød-grønne regjeringa innen 2016 å bygge 12 000 nye heldøgns omsorgs- og sykehjemsplasser. Fasiten i 2013 var at det i løpet av 2008–2013 var bygd 260 nye sykehjemsplasser. Det må vel være tidenes løftebrudd. grepene var altså å ta fra boligsamvirkene tilskuddene og anledningen til å være med og bygge denne kapasiteten. Det var jo å gå baklengs inn i framtida. Norske Kvinners Sanitetsforening, som har bidratt stort til å bygge kapasitet i norsk eldreomsorg, særlig omsorgs- og eldreboliger, mistet også denne muligheten. Jeg tror dette var et ganske betydelig bidrag til at de rød-grønne tapte valget i 2013. Så det blir rimelig freidig å påstå da en selv skulle innføre en verdighetsgaranti, at dette ikke skal kunne bidra. Venstre er pragmatiske. Dette er ikke nødvendigvis veien til målet, men dagens regjering har puttet på betydelig, økt tilskuddet til å bygge plasser, som dette henger sammen med, 50 pst. Vi ser nå at kommunene bygger. Flere aktører får være med på å skape plasser. Som sagt: Det er mye forskjellig rundt i kommunene når det gjelder tildeling, og det er allerede et veldig ugjennomtrengelig byråkrati for mange, både pasienter og pårørende, så dette er i hvert fall et skritt i riktig retning.

Sjukepleiarforbundet, KS, Helsetilsynet, Helsedirektoratet, Advokatforeininga, mange kommunar og ikkje minst landets Så vert det hevda at brukarorganisasjonane er for. Kanskje har ein funne nokon, men på Pensjonistforbundet sine sider står det at dei er skuffa over regjeringa sitt forslag. «Vi kan ikke se at retten til sykehjemsplass styrkes eller at kommunenes forpliktelser øker som følge av dette lovforslaget.» Dei fryktar at lovforslaget opnar opp for å tilby ein tilsvarande bustad utan å tilby

år? Ein har ikkje sagt noko om det og svarar heller ikkje på det her i dag. Det mest ærlege som har kome fram frå posisjonspartia i denne saka, er at dette er ei oppfølging av det som står i regjeringsplattforma, om at ein skal utgreia ei ordning om lovfesta rett til heildøgns pleie og omsorg. Det har eg respekt for, men resultatet er veldig dårleg. Det vi har fått, fått, er ein forsterka rett til å bu heime når ein eigentleg har behov for ein institusjonsplass. Eg skal innrømma at dette skjer òg i dag, og det er litt av problemet, men forskjellen frå dagens praksis og det som regjeringa no vil fremja forslag om, er at no vert denne uverdigheita lovfesta.

noe over 2 000 flere plasser i perioden 2008–2015, som løftet gjaldt for. Vi har også i dag fått kommunenes planer for utbygging fram mot 2019. Det er fra 2017 til 2019 denne regjeringen og Kristelig Folkeparti og Venstres prioritering av utbygging av flere plasser slår inn, fordi det går mellom tre og fem år

Skal mennesker som har behov for en sykehjemsplass, få en sykehjemsplass, må faktisk plassen være der. Da er det også veldig klokt at kommunene får en oversikt over hvor mange det er som faktisk har et behov, som venter, for det vet vi vil øke presset på at lokalpolitikerne prioriterer å bygge ut og planlegge nok plasser. Det er klokt å gjøre som regjeringen nå foreslår: å forsterke presset mot kommunene på å bygge flere plasser gjennom ytterligere å målrette tilskuddsmidlene mot det, spesielt etter 2019, når den store økningen av eldre kommer. Så sa representanten Laila Gustavsen det som har vært Arbeiderpartiets mantra i denne saken gjennom alle de åtte årene de satt i regjering: De som har behov for sykehjemsplass, har rett til sykehjemsplass. Ja, hvor mange eldre og deres pårørende har ikke i disse åtte årene blitt provosert av denne uttalelsen fra Arbeiderpartiets helseministre? For alle vet at med dagens lovverk er det en uttalelse som har veldig lite innhold for veldig mange. Representanten Tove Karoline Knutsen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Ja, jeg skulle gjerne kommentert statsrådens siste tall – 12 294 tilsagn om tilskudd utbetalt til 7 690 heldøgns omsorgsplasser i perioden. Statsråden opererer bare med flere nye plasser. Da setter han tommeskruen på en del – det er ganske mange kommuner som ønsker å rehabilitere plasser som man har i dag. Og jeg har jo nå hørt hva KS og andre sier om de nye forskriftene, eller de endringene som nå er kommet, når det gjelder tilskudd.

virkeligheten er vel kanskje den beste, og det er også slik det ser ut nå. Det sentrale spørsmålet i dag for oss, og også for pasienter og pårørende, er: Er dette en lovendring som Arbeiderpartiet går til valg på å reversere i 2017? De har jo lovet at hvis de kommer tilbake til regjeringskontorene i 2017, kommer de til å reversere ordningen med fritt behandlingsvalg. Er dette en lovendring som Arbeiderpartiet går til valg på å reversere i 2017? De har jo lovet at hvis de kommer tilbake til regjeringskontorene i 2017, kommer de til å reversere ordningen med fritt behandlingsvalg. Er det neste valgløftet fra Arbeiderpartiet at man også skal reversere denne lovendringen, som man på den ene siden mener er helt unødvendig, men som det på den andre siden argumenteres med at kan få veldig store konsekvenser? Arbeiderpartiet må først bestemme seg på hvilken side de lander ned på i denne saken, om det er en kommunene. Det vil være greit å få svar på om dette er noe man ønsker å reversere hvis man, mot formodning, skulle komme tilbake i regjering. Jeg kan love representanten Tone Wilhelmsen Trøen og alle som eventuelt er

Jeg tok ordet for å oppklare noen ting. For det første høres det ut som om venteliste er det eneste som skal til for at kommunene skal kunne planlegge pleie- og omsorgstjenestene sine. Det er jo ikke riktig. Kommunene har masse verktøy, og de er også forpliktet til å ha oversikt og statistikk over beboerne sine, og mange kommuner har det. Så det at man må ha en venteliste som fratar folk rettigheter for å kunne planlegge utbyggingen av eldreomsorgen, er å ha oversikt og statistikk over beboerne sine, og mange kommuner har det. Så det at man må ha en venteliste som fratar folk rettigheter for å kunne planlegge utbyggingen av eldreomsorgen, er feil. Det er det ene. Det andre er at statsråd Høie sa at brukerorganisasjonene er provosert av det jeg sa i stad om at har du rett på en sykehjemsplass, så skal du ha en

svaret da er å bygge ut eldreomsorgen, bygge flere sykehjemsplasser, opprettholde brukernes rettigheter og sørge for at folk får en sykehjemsplass og ikke blir satt på en venteliste, og er det ikke sykehjemsplass i den kommunen, har kommunen plikt til å gi dem en sykehjemsplass i en annen kommune. Så det er vårt svar: Penger til kommunene, penger til nye boliger, heldøgns omsorgsboliger, penger til å oppruste ikke å fjerne rettighetene til folk for å løse et problem med finansiering av pleie- og omsorgstjenestene. Representanten Kjersti Toppe har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det som provoserer oss i denne saka, er at når vi vedtar ting, og når vi lovar ting til veljarane våre og går til val på noko, må vi vera ærlege. Her er problemstillinga reell: Det er for mange eldre som bur, og som må bu, heime med hjelp, men som burde hatt ein sjukeheimsplass. Regjeringa føreslår å lovfesta retten, men det som kjem, er ikkje ei lovfesting av ein rett, og det er her vår kritikk treff. Eg vil igjen berre referera frå høyringsinstansane: Helsedirektoratet seier ifølgje ein merknad i innstillinga at «det vil være vanskelig for den enkelte pasient eller bruker å forstå at vedkommende ikke får en sykehjemsplass, selv om man oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold og har og heller ikke om man har fått medhold hos Fylkesmannen.» Dette er ei sak som det er god grunn til å reversera, for det er ei sak som Jeg vil takke representanten Toppe for at vi i hvert fall har fått svar fra Senterpartiet om at de ønsker å svekke pasientenes rettigheter gjennom å reversere denne loven, mens representanten Laila Gustavsen ikke kunne svare på det spørsmålet på vegne av Arbeiderpartiet. Dette lovforslaget er en styrking av pasientenes rettigheter. Dagens rett knyttet til dem som kun kan få et forsvarlig tilbud i sykehjem, blir tydeliggjort i loven. Det vil ikke være som i dag, at det bare er en generell bestemmelse om at en skal ha forsvarlig helse- og omsorgstilbud i en kommune. Det blir tydeliggjort at hvis det eneste forsvarlige er å få sykehjemsplass, så skal pasienten ha sykehjemsplass. Det andre er at en også styrker rettssikkerheten til er at en også styrker rettssikkerheten til den pasientgruppen som i dag opplever at de har et klart behov for sykehjemsplass, men som ikke får det. De vil nå få en klar beskjed fra kommunen om at: Ja, vi har sett ditt behov. Når det blir en ledig plass, kommer du til å få det, ut ifra våre vurderinger. Det gir en trygghet. Derfor er jeg helt uenig i den beskrivelsen som Kjersti Toppe trekker fram gjennom sitatet fra Helsedirektoratet. Bakgrunnen for at jeg er så trygg på det, er nettopp at dette er forsøkt i virkelighetens verden. Og hva er tilbakemeldingen fra dem som sitter og jobber med dette, f.eks. på tildelingskontoret i Stavanger? Jo, det er at når de forteller de pårørende og de eldre selv at, ja, du får vedtak om heltidspleie og -omsorg, vi har sett ditt behov, men vi har dessverre ikke noen ledig plass akkurat nå, men du kommer til å få din plass når det er din tur, så skaper det en stor forståelse for den situasjonen og en trygghet for at kommunen har sett behovet og vil følge opp. Det er viktig, for det som ofte skjer i dag, er at når en kommune ikke har plass, gjør de vedtak og sier at en kan klare seg med forsterkede, hjemmebaserte tjenester. Da oppstår det en konflikt og en uro mellom pasient, bruker og kommunen. Det andre som skjer, er at en også opplever i kommuner at lokalpolitikere får høre – representanten Gustavsens generelle beskrivelse – at de som har behov for sykehjemsplass, får sykehjemsplass. Men så vet alle som bor i den kommunen, at det er mange med behov som ikke har fått det, nettopp fordi kommunen ikke har innført gode nok systemer. Nå tvinger vi alle kommunene til å innføre gode nok systemer på dette området. Det er en viktig lovendring som Stortinget kommer til å vedta i dag. Men jeg synes det hadde vært interessant å få høre om Arbeiderpartiet har tenkt å endre på dette hvis de kommer i posisjon. Representanten Ketil Kjenseth har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, Kjenseth har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg tok ordet på grunn av representanten Laila Gustavsens innlegg om kommunenes plikt til å ha oversikt over innbyggerne. Ja, det stemmer, men det er noe helt annet enn å ha en venteliste, for på den ventelista står det noen som har fått en medisinsk begrunnelse for hvorfor de trenger en heldøgns omsorgsplass eller en sykehjemsplass. I dag er trikset for en fastlege som ikke har samvittighet til å la en syk eldre person være hjemme, å skrive vedkommende inn på sykehus. Når en blir skrevet ut fra sykehus, tvinges jo kommunen til å komme opp med en plass. Mange kommuner tildeler heller ikke plass, fordi de ikke har noen ledig, istedenfor å tildele når behovet er der. Så det er mange veier rundt dette, og det er jo dette som Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå sier at de bare vil la fortsette. Det vi ikke gjør i dag, er å rettighetsfeste at eldre hjemmeboende skal få tilgang til fastlege hjemme Da var tiden ute. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at

Komiteen understreker at det er et sterkt politisk ønske om et register som kan gi likeverdig kunnskap om primærhelsetjenesten, som det vi i dag har om spesialisthelsetjenesten. Registeret må derfor utformes slik at det også vil gi relevant kunnskap om forflytning av pasienter mellom disse to nivåene. En viktig forutsetning for å få det til er at det nye kommunale registeret er bygget over samme lest som Norsk pasientregister, som er registeret for spesialisthelsetjenesten. Et mål med registeret er at de ansvarlige på ulike nivå får kunnskap om hvorvidt tjenestene fungerer, om de gir ønskede resultater og om pasient, bruker og pårørende opplever tjenestene som helhetlige og gode. Registeret må bygges opp slik at det gir informasjon om forekomst og årsak til sykdom, funksjonssvikt og sosiale problemer, kunnskap om effektiv forebygging, behandling, rehabilitering og gode måter å organisere og finansiere tjenestene på. Det nye kommunale pasient- og brukerregisteret må ta hensyn til at planleggingsperspektivet er mer langsiktig i kommunehelsetjenesten, og at pasientforløp ofte er langvarige og involverer flere aktører. Det nye kommunale registeret må derfor legge større vekt på funksjon og forløp enn på enkeltdiagnoser, enkelttjenester og enkeltbehandlinger. Brukermedvirkning og brukerpreferanser må også vektes. Registeret må omfatte aktiviteten til fastleger, legevaktleger, sykehjemsleger og andre som driver diagnostikk og behandling i svært stort omfang. Målet er at registeret omfatter hele primærhelsefeltet. Vi mangler i dag systematisk kunnskap om tannhelsetjenesten til voksne, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel. Det nye registeret skal ta utgangspunkt i eksisterende register, som bl.a. IPLOS. Data fra IPLOS er ikke tilgjengelig for lokalt lærings- og utviklingsarbeid. Komiteen er tydelig på at det nye kommunale pasient- og brukerregister endres, slik at relevante data gjøres tilgjengelig lokalt og blir et grunnlag for kvalitetsarbeid. Komiteen er opptatt av å redusere rapporteringsbyrden og forventer en kritisk gjennomgang av hva som er relevante styringsdata – hvilke som er realistiske og holder krav til kvalitet. Det må arbeides for mest mulig automatisk elektronisk datafangst fra fag- og pasientjournaler. Behov for data vil endre seg som følge av utvikling av helsetjenestene. Det er viktig med bred faglig forankring. Forskrift og framtidige endringer vil bli sendt på høring. I komiteen og blant høringsinnspillene er det uenighet om nytten av et omfattende register. Det er også flere som av personvernhensyn er kritisk til å samle inn så omfattende data om innbyggerne, og det er ulike synspunkter på om registeret skal baseres på samtykke eller åpne for reservasjonsrett. Mindretallet kommer til å redegjøre for sitt syn senere. Flertallet i komiteen legger vekt på den store nytteverdien av et register som i størst mulig grad må omfatte all relevant helsehjelp innen primærhelse, og viser til at hensynet til personvern og uautorisert bruk av opplysninger vil bli ivaretatt av regelverk og tekniske og organisatoriske løsninger. Departementet vil under forskriftsarbeidet også utrede muligheten for Flertallet mener at det kommunale helseregisteret må baseres på samtykke, på samme måte som registeret for spesialisthelsetjenesten. Det er viktig med god datakvalitet for å kunne gi informasjon om pasientforløp og behov for helsehjelp før og etter utskrivning fra sykehus. Flertallet viser bl.a. til Folkehelseinstituttet, som mener at frafallet ved krav om samtykke vil bli betydelig og ikke fordele seg statistisk jevnt i befolkningen. Datagrunnlaget blir derved verken komplett eller valid og vil gi betydelige utfordringer for analyser og tolkning – og i neste omgang for prioriteringer og kvalitet i behandlingstilbudene. Flertallet i komiteen rår Stortinget til å vedta de foreslåtte lovendringene. Det er

lovendringene. Det er et stort behov for og et sterkt politisk ønske om å få etablert et pasient- og brukerregister som gir likeverdig kunnskap om primærhelsetjenesten – som det vi i dag har om spesialisthelsetjenesten. Vi trenger også et register som kan gi kunnskap om forholdet mellom de to nivåene og forflytning av pasienter nivåene imellom.

og etter utskrivning fra sykehus. På samme måte som Norsk pasientregister i dag gir grunnlag for beslutninger i spesialisthelsetjenesten, trenger ansvarlige tjenesteytere i primærhelsetjenesten nødvendige og relevante opplysninger om tjenestene som gis, og om bruken av disse, for å kunne styrke eget tilbud. Hovedformålet med et kommunalt pasient- og brukerregister er å gi grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester for sentrale og kommunale myndigheter. Opplysningene i registeret skal også kunne benyttes til statistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedringsarbeid, beredskap, forebyggende arbeid og Kunnskapen om de kommunale helse- og omsorgstjenestene – slik det fungerer i dag – er fragmentert og lite egnet til planlegging og styring av helsetjenester. Det er derfor på høy tid å få på plass et bedre kunnskapsgrunnlag om de kommunale tjenestene, om vi skal oppnå ambisjonene om å heve kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene i kommunene. Til det vil Til det vil både sentrale og kommunale helsemyndigheter trenge mer kunnskap om de tjenestene som allerede gis. Regjeringen har stort fokus på det å skape pasientenes og brukernes helse- og omsorgstjeneste. Et nytt kommunalt pasient- og brukerregister vil bidra til at den enkelte bruker kan få bedre tjenester. Forslaget om et kommunalt pasientregister er en oppfølging av Meld. St. 26

gi oppdatering om forekomst og årsak til sykdom, funksjonssvikt og sosiale problemer. Alt dette vil være viktig for at vi bedre skal kunne forebygge og bygge ut tjenestetilbudene med riktig kapasitet. Ved endring av helseregisterloven – slik regjeringen nå foreslår – vil pasientenes og brukernes personvern bli ivaretatt. Endringene skal heller ikke medføre behov for økt rapportering. Det er verdt å merke seg at Nasjonalt pasientregister for spesialisthelsetjenesten heller ikke er samtykkebasert eller har reservasjonsrett. Et flertall av høringsinstansene mente at et kommunalt pasient- og brukerregister heller ikke kan basere seg på samtykke. Mange viste også til at det er særlig viktig at kommunalt pasient- og brukerregister har representative data. I høringsuttalelsen fra Folkehelseinstituttet ble det også vist til at samfunnet bruker store ressurser på helse- og omsorgstjenester, noe som også viser behovet for at sentrale og kommunale myndigheter må få et godt og robust kunnskapsgrunnlag for best mulig å kunne planlegge, styre, finansiere og evaluere disse tjenestene.

f.eks. flere brukere med mer komplekse tilstander og sammensatte behov samt at helse- og omsorgstjenestene i kommunene er fragmenterte og lite koordinerte. Brukerinvolvering er fortsatt for dårlig ivaretatt. Vi har mangelfull kunnskap om innhold og kvalitet, og det må vi gjøre noe med. Det var faktisk etter behandlingen av disse to meldingene at behovet for denne proposisjonen virkelig ble avdekket: Som på alle andre områder i samfunnet må det prioriteres. prioriteres. Fremskrittspartiet har tidligere vist til ulike tilsynsrapporter som viser at det er stor variasjon i de kommunale omsorgstjenestene i ulike kommuner. Å kartlegge og iverksette tiltak for å begrense uberettiget variasjon vil være et viktig arbeid for å nå målsettingen om likeverdige helse- og omsorgstjenester for hele befolkningen. I primærhelsemeldingen ble det påpekt at kommunen gjennom helse- og omsorgstjenesteloven er pålagt å drive systematisk kvalitetsforbedring

Derfor er det viktig at vi legger til rette for å etablere et register for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Fremskrittspartiet er opptatt av å forenkle og forbedre. Derfor er det gledelig at man i proposisjonen legger til grunn at kommunalt pasient- og brukerregister skal etableres i allerede eksisterende registre. Rett som det er tar vi til orde for at det finnes store ulikheter mellom kommunene, Denne proposisjonen viser også til tilsvarende funn og fastslår at det er fragmenterte og lite sammenlignbare data rundt om i kommunene. En bedre samhandling vil være til pasientenes beste. En rekke tjenester vi benytter oss av daglig, inneholder informasjon om oss selv. Vi logger oss på nettbank fra både pc og mobil. Vi laster ned app-er til telefonene våre både for togbilletter og for å bestille taxi. For hver gang legger vi igjen spor: hvor vi er, og hva vi skal. Når det gjelder helseopplysninger, er det viktig at dette ivaretas på en god måte. Helseopplysninger er for mange veldig personlig. Det er ikke informasjon man ønsker å dele med utenforstående. Derfor har også helsepersonell taushetsplikt. Så lenge man ivaretar selvbestemmelsesrett over egne opplysninger, føler jeg meg trygg på at dette vil videreutvikle tjenester som kommer samfunnet til gode når vi fremover skal utvikle nye og bedre løsninger innen fremtidens helsetjeneste. Ulike helseregistre har vært et godt redskap innen helse gjennom spesielt i spesialisthelsetjenesten. Der har det vært et godt hjelpemiddel som har ført til endringer, bedre prosedyrer, bedre samhandling, økt kunnskap og ikke minst bedre pasientbehandling. Jeg kan nevne Hjertestansregisteret, som gjør at vi har fått en helt annen overlevelsesprosent. Traumeregisteret har gjort at enda flere overlever store traumer. Tjenestene samhandler i og utenfor sykehus. Pacemakerregisteret gjør at folk faktisk får nye og bedre pacemakere. Vi har fått Dødsårsaksregisteret, som viser hva folk egentlig dør av, og hva vi må gjøre bedre neste gang. Vi har fått Kreftregisteret, som viste at pakkeforløp er en god De som har tjent på dette, er pasientene, for erfaring og kunnskap gir bedre behandling og bedre tjenester. Kommunehelsetjenesten vil få og har fått pasienter som blir mer og mer komplekse og har flere og flere diagnoser. Vi trenger et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne gi bedre

årsaker, sykdomsbilder, funksjonssvikt og sosiale problemer, slik at vi faktisk kan se om det er steder vi kan gå inn og få god effekt av å forebygge og av å endre tjenestetilbudet til det beste for samfunnet og økonomien, men aller mest til det beste for pasientene i framtiden. Derfor støtter

dette lovforslaget. Senterpartiet er positiv til og ser behovet for å innføra eit kommunalt pasient- og brukarregister. Mange før meg har tatt opp behovet for det og bakgrunnen for at det er nødvendig. Det vi har tatt opp spesielt i innstillinga, er fokuset på at dette ikkje må føra til auka rapporteringsbyrde i helse- og omsorgstenestene, for det er dokumentert i mange samanhengar at rapporteringsbyrda i helsetenestene allereie har auka. Registeret må utformast på ein måte som ikkje aukar denne rapporteringsbyrden. Vi har fremja eit forslag om det. Regjeringa skriv i proposisjonen at etablering av register og behandlinga av opplysningar i registeret må regulerast nærmare i forskrift. Ho vil utgreia og føreslå reservasjonsrett mot registrering av enkelte opplysningstypar og/eller bruk til enkelte formål i arbeidet med forskrift. Stortinget skal altså ta stilling til dei overordna rammene, og dei viktige prinsipielle avklaringane når det gjeld personvern skal koma i forskrift. Datatilsynet uttalar følgjande: «et vedtak i Stortinget basert på høringsnotatet vil innebære en fullmakt til å etablere et register som lovgiver ikke kjenner rekkevidden av når det gjelder personvernkonsekvenser.» Vi meiner det er eit viktig prinsipp at enkeltindivid skal kunne velja å reservera seg mot registrering av helseopplysningar med personidentifiserbare kjenneteikn, og vi meiner at denne lova burde opna for dette. Vi meiner at ein avgrensa reservasjonsrett som forslaget legg opp til, fort kan verta mindre tilgjengeleg enn ein generell reservasjonsrett. Vi meiner at i proposisjonen er det ikkje godtgjort at ei slik avgrensing som er føreslått, er nødvendig for å oppnå formålet med registeret. Vi synest det er viktig å minna om at det er generelt høg tillit i den norske befolkninga til helsetenesta og til offentlege register.

at regjeringa meiner det er behov for å kunna utvikla registeret over tid. Kva slags opplysningar som skal registrerast, kva dei kan brukast til, tekniske og organisatoriske løysingar som skal sikra personvern osv., skal altså få si løysing i Registerets formål og opplysningstype skal ikkje Stortinget ta stilling til no. Vi meiner at det som regjeringa listar opp, er veldig omfattande, og at lovforslaget gir veldig vide fullmakter til forskriftsarbeidet, sjølv om det vert presisert at

Hovedgrepet er å legge til rette for gjenbruk, tilretteleggelse og sammenstilling av eksisterende opplysninger fra de kommunale tjenestene, i et samlet register. Det er et mål at registeret ikke skal medføre økt rapporteringsbyrde. I første omgang skal registeret baseres på det eksisterende oppgjørssystemet for kontroll og utbetaling av helserefusjon, KUHR, og det nasjonale helseregisteret for individbaserte pleie- og omsorgstjenester, IPLOS. Jeg tar på alvor at registrering og lagring av helseopplysninger om enkeltpersoner i seg selv kan føles belastende, og at noen kan være bekymret for at opplysningene kan komme på avveier. Pasientenes og brukernes personvern skal selvfølgelig ivaretas. Den helsefaglige eller samfunnsmessige nytten av registeret vil, som jeg har gjort rede for i proposisjonen, klart overstige personvernulempene. Opplysningene skal behandles i samsvar med krav om informasjonssikkerhet, taushetsplikt, innsynsrett, logging, de registrertes innsyn i logg og andre personvernkrav i helseregisterloven. Bruken av dataene til planlegging, styring, evaluering, statistikk, forskning mv. vil i hovedsak skje på helsedata som ikke er knyttet til fødselsnummer. Registrering av fødselsnummer er likevel nødvendig for å sikre god registerkvalitet, utvikle gode datasett og for å knytte opplysningenes sammen i forløp mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Fødselsnummer skal lagres kryptert og separat ifra helseopplysningene. Navn vil ikke bli registrert. Dette vil gi meget god sikkerhet for at opplysningene ikke spres til uvedkommende. Jeg viser til Norsk pasientregister og Hjerte- og karregisteret, som har en tilsvarende løsning. Denne løsningen har vi svært god erfaring med. Det er avgjørende å få mest mulig komplette data. Selv om det vil være et fåtall som reserverer seg, er det sannsynlig at det vil være store lokale forskjeller, og at de som reserverer seg, har spesielle karakteristika. Dette vil kunne føre til et skjevt frafall og få betydning for registerkvaliteten. Det må derfor være mulig å innhente og registrere opplysninger uten at det kreves samtykke eller gis en generell reservasjonsrett. Det er heller ikke anledning til å reservere seg mot registrering i liknende registre, som for eksempel Norsk pasientregister. Skulle en ha innført en generell reservasjonsrett, ville dette måtte etableres som et nytt register med ny rapportering, og dermed innført dobbelt- og trippelarbeid i tjenesten. Selvbestemmelsesrett over egne opplysninger er viktig for personvernet. Jeg vil derfor i arbeidet med forskriften vurdere om det skal være mulig å reservere seg mot registrering av enkelte opplysninger eller mot bruk til enkelte formål. Registerets formål og innhold vil være nærmere regulert i forskrift. Det skal også fastsettes detaljerte regler om utlevering av opplysninger fra registeret. Utkast til forskrift blir sendt på høring. En forskrift gir en mulighet for å få innspill fra brukere, organisasjoner og institusjoner som har synspunkter på disse spørsmålene. Et nytt kommunalt pasient- og brukerregister vil bidra til at den enkelte kan få bedre tjenester

de kan synliggjøre om tiltak har effekt, om kvaliteten på tilbudene, risikofaktorer for sykdom, sammenheng mellom ulike faktorer osv. – det som skal til i godt analysearbeid. Spørsmålet er: Vil ministeren vurdere å ta i bruk Folkehelseinstituttets analysekompetanse tilknyttet det nye kommunale pasient- og brukerregister? Over statsbudsjettet er det bevilget 30 mill. kr til utviklingen av dette registeret. Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, er tildelt oppdraget om å utvikle registeret, og dette omfatter også en vurdering av hva registeret skal inneholde. Jeg er kjent med representantens engasjement for at dette hører hjemme i Folkehelseregisteret og kanskje

som vi ikke kan bruke lokalt. Derfor er spørsmålet: Vil ministeren sørge for, når IPLOS nå blir anvendt i det nye registeret, at det blir utformet slik at man kan ta ut relevante data lokalt når det gjelder utviklingsarbeidet, både på den enkelte institusjon og på kommunenivå? Nå skal jeg være veldig forsiktig med kroppsspråket mitt, for det har ført meg inn i kontroll- og konstitusjonskomiteen før Det nye registeret vil basere seg på data fra nettopp IPLOS. Dermed vil det i større grad bli mulig for kommunene å bruke det lokalt i utviklingen av sine tjenester.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

vedtatt Aller først: La meg takke komiteen for en ryddig og god prosess ved behandlingen av denne proposisjonen. Det er et bredt flertall som står samlet bak det aller meste av proposisjonens innhold. Det er gledelig at landets nasjonalforsamling nå endelig får til avgjørelse en sak som har vært debattert i mange år, men som ingen – uvisst av hvilken grunn – tidligere har greid Proposisjonen er et resultat av regjeringspartienes erklæring fra Sundvolden, der det står at man vil «åpne for produktprøver og begrenset alkoholsalg direkte fra nisjeprodusenter og om nødvendig jobbe for å endre EU-lovgivningen på feltet». Det er en gledens dag for produsenter som nå vil få muligheten til å skape inntekter fra en ny binæring. Det skjer fordi vi i dag endrer alkoholloven slik at det åpnes for salg direkte fra produsent av produkter over 4,7 volumprosent alkohol, som ikke er omfattet av EØS-avtalen, og som ikke er tilsatt brennevin eller blandet med andre alkoholholdige drikkevarer. La meg understreke at det legges til grunn for den nye ordningen at den ikke påvirker Vinmonopolets stilling. Et flertall av høringsinstansene har støttet forslaget og mener at omfanget av ordningen vil bli så lite at det ikke vil utgjøre noen trussel mot konsistensen i den norske alkoholpolitikken, og dermed heller ikke utgjøre noen trussel mot monopolordningen. Dette er i første rekke en anledning for nisjeprodusenter til å tilby for salg sine produkter ved eget salgssted. Tilvirkningen skal skje som en del av et tilbud med helhetlig karakter, og det skal benyttes minimum en tredjedel En slik ordning vil kunne komplettere tilbudet ved for eksempel gårdsturisme. Turister på besøk kan kjøpe med seg lokale produkter uten å måtte gå veien om Vinmonopolet. Norges Bondelags høringssvar sier: «Hoveddelene av salget vil trolig være til utenlandske turister.» Det er lett å trekke paralleller til vingårder i Frankrike, der norske turister i all tid har kunnet gjøre nettopp dette. Lovendringene vi vedtar i dag, representerer forenkling, er kundevennlige og genererer nye inntekter – og kanskje til og med nye arbeidsplasser. Komiteens flertall har valgt å støtte regjeringens ønske om en volumbegrensning på 15 000 liter per produsent per år. Det er en reduksjon fra 20 000 liter fra da saken var på høring en reduksjon som er gjort etter de mange innspillene i høringsrunden. Komiteens medlem fra Senterpartiet har foreslått en volumbegrensning på 10 000 liter, mens komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti er lettet over reduksjonen i volum, men mener forslagene til tross for dette ikke kan forsvares slik de foreligger. Etter mitt syn vil 15 000 liter være nok til å gi tilstrekkelig rom for innovasjon av nye produkttyper og tilstrekkelige muligheter for ny vekst

men en tilrettelegging for et bedre turisttilbud og en mulighet for en vellykket binæring for små produsenter. Det er ingen hemmelighet at medlemsbedriftene i HANEN – næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske – har vært forventningsfulle til komiteens behandling av denne proposisjonen. Det samme har Hardanger Siderprodusentlag, som har kjempet for denne saken i veldig mange år, og nå endelig snart kan tilby sider betegnet som champagnen fra Hardanger for salg fra egen gård, noe som kan skape grobunn for å utvikle både fruktnæringen og reiselivet i regionen. De vil alle være godt fornøyd med de vedtak vi kommer til å gjøre i denne saken her i kveld. Loven vil tre i kraft fra 1. juli, og da gjenstår det bare å søke om kommunal bevilling for dem som ønsker å produsere og selge produkter i henhold til det lovverket da vil gi anledning til.

Norge har lang tradisjon for produksjon av sider i de mest fruktrike områdene i landet. Alkoholpolitikken er lagt til helsekomiteen og krever at vi klarer å balansere på den ene siden aktiv sosial kontroll av alkoholomsetningen og skadereduserende tiltak med, på den andre siden at befolkningen får tilgang på kvalitetsprodukter og videreutvikling av norsk matkultur. Vinmonopolet er et av våre viktigste virkemidler for å redusere alkoholbruk og hindre skade som følge av alkoholbruk. Det er en klar forutsetning, som også saksordføreren var inne på, at den foreslåtte endringen av alkoholloven ikke får konsekvenser for den norske alkoholpolitikken og ikke svekker Vinmonopolets stilling. Arbeiderpartiet er derfor forundret over at det i proposisjonen foreslås samme åpningstider som for alkoholprodukter under 4,7 volumprosent alkohol og ikke likebehandling med salg Arbeiderpartiet mener at prinsippet om like vilkår for produsenter som selger produktene sine fra Vinmonopolet, og de som selger fra egen gård, er en prinsipielt viktig avgrensning for å hindre at EFTA-domstolen setter spørsmålstegn ved de endringene som nå er foreslått i alkoholloven. Arbeiderpartiet foreslår derfor at åpningstidene skal følge Vinmonopolets åpningstider og ikke butikkåpningstidene. Så har vi også fremmet et forslag om å evaluere etter tre år. Det er flere sider ved saken som det er vanskelig å vite hvordan vil slå ut. I tillegg til mulige konsekvenser for vinmonopolordningen er det uklart hva som er riktig tak på volumbegrensningen. Høringen foreslo 20 000 liter – det samme som for de minste vinmonopolene, mens det i proposisjonen er foreslått 15 000 liter, og Senterpartiet foreslår Andel egenprodusert er satt til en tredjedel, mens Finland har 50 pst. i tilsvarende ordning. Det er få produsenter i dag, og det er uklart hvor aktuelt det vil være at det blir flere. Hardanger har lang tradisjon med siderproduksjon og har seks produsenter i dag: tre i Ulvik og tre i Ullensvang. De er opptatt av innovasjon og utvikling av nye produkter, slik det er gjengitt i merknader. Derfor mener vi det er klokt å fremme et forslag om evaluering etter tre år, slik at vi kan vurdere disse ulike sidene som i dag framstår som uklare, samtidig som det er helt avgjørende at vi får et så bredt flertall som mulig for å gjennomføre endringer i alkoholloven. Meg bekjent har i alle fall Finland stoppet sine endringer når de har prøvd å utvide for nye produkter – men de er medlem av EU – og Sverige stoppet sine, på samme måte, men vi har funnet en åpning innenfor EØS-regelverket. Til slutt vil vi trekke fram komiteens merknad der vi utfordrer Vinmonopolet til å gå i tettere dialog med småskalaprodusentene i Norge, slik at Vinmonopolet

I dag vedtar Stortinget noe som har vært etterlengtet i landbruket i lang tid, og som vil bygge opp under en tradisjonsrik virksomhet i våre fruktdistrikter. Fram til nå har det vært umulig for produsenter å selge egen sider som binæring dersom den har en alkoholstyrke over 4,7 i volumprosent. Dette er en god dag for fruktbøndene i Lier i Buskerud, hvor jeg kommer fra. Det har vært etterlengtet. Kortreist mat og kortreist drikke, og også kortreist alkohol, vil jeg si er en del av det grønne skiftet. Lokal mat er kommet for å bli. Gårdsutsalg er økende, likeledes gårdsturisme. Det er derfor uhyre viktig at vi vedtar dette i dag. Det har tidligere blitt påstått at dette har vært umulig å gjennomføre, men denne saken gjør det umulige mulig. Det er derfor gledelig at et bredt flertall stiller seg bak en slik endring av loven, selv om det er en viss uenighet i noen deler. Men det er selve prinsippet som er viktig. Denne endringen gir flere fruktbønder et ekstra ben å stå på. I tillegg er det viktig å sikre våre tradisjoner, og den tradisjonsrike siderproduksjonen vil være et velkomment tilskudd til nettopp turistnæringen. I den forbindelse er det viktig at det er åpningstider som er turistvennlige, og det er vel kanskje noe av poenget. Ordningen antas å bli begrenset i sitt omfang og ikke få store konsekvenser for det jeg mener er en restriktiv norsk alkoholpolitikk. Det er ikke grunn til å tro og frykte at dette vil føre til et økt alkoholkonsum blant befolkningen, og vi tror vel ikke at ordningen skal påvirke Vinmonopolets stilling. Jeg må si at rundt fruktbygda Lier er det tre vinmonopol med 10 minutters kjøreavstand, og jeg tror at deres aktivitet vil fortsette som før selv om vi bevilger dette i dag. Innehaverne av denne tilvirkningsbevillingen skal kunne søke kommunen om salgsbevilling, og det er viktig at det blir lagt på kommunalt nivå. Denne volumøkningen omfattes ikke av EØS-reglementet når det blir gitt tillatelse fra produksjonsstedet. Det er mye jus knyttet til EØS og EØS-regelverket. Derfor har departementet gjort en grundig kvalitetssikring av dette, og i 2014 gjennomførte professorene Arnesen og Sejersted ved Senter for europarett en juridisk utredning for Helse- og omsorgsdepartementet som nettopp åpnet for at det kunne selges alkoholholdige produkter som ikke var omfattet av EØS-avtalen. Det gjør denne lovendringen som ser ut til å bli vedtatt i dag, trygg i forhold til hva som skal omfattes. Det har vært en bred høring med innspill fra over 50 høringsinstanser, og det har blitt foretatt en i forhold til høringsforslaget. Det går bl.a. på maksvolumet på 15 000 liter per år. Det tror vi ikke vil utfordre Vinmonopolets posisjon. Det er særlig hyggelig at Senterpartiet er med oss i denne saken, nettopp for å åpne for gårdssalg av alkohol.

en god dag. Jeg vil si noe om hvorfor Kristelig Folkeparti går imot dette. Dette er mer enn miljøpolitikk, som det var for Ørmen Johnsen, det I går markerte vi over hele landet «Rusfri dag» i regi av Frelsesarmeen. Nav og sosialkontorer og andre organisasjoner hengte seg på – i solidaritet med dem som sliter, men også med alle dem som er en uskyldig part i det økende alkoholforbruket. NRK har i sin barnekanal de siste ukene vist barns opplevelse av at foreldre og voksne drikker, selv om foreldrene ikke er overstadig beruset. I sum har denne regjeringen gjort mange endringer i norsk alkoholpolitikk som har gitt økt tilgjengelighet. Og økt tilgjengelighet gir økt forbruk. Vi kan snakke oss blå om folkehelse hvis vi ikke tar det som er elefanten i glasshuset.

Folkeparti reagerer på at regjeringen legger til grunn dagligvarehandelens åpningstider, som omhandler produkter under 4,7 pst. Da blir det økt tilgjengelighet for sterkere alkohol. Kristelig Folkeparti viser til at en

grenen. Jeg merker meg at den utredningen som regjeringen støtter seg på, tar høyde for at EFTA kan vurdere saken annerledes enn slik rapporten konkluderer når det gjelder salg av alkoholholdige varer som ligger utenfor EØS-avtalen. Jeg minner om at Vinmonopolet er sterkt forankret i det norske folk. Jeg er bekymret for at det ikke er fullt så forankret i Det norske storting, oppslutningen er ikke den samme. Vi er i ferd med å ødelegge for det som har vært en suksess. Kristelig Folkeparti deler bekymringene til Actis, til til Forbundet Mot Rusgift, til Statens institutt for rusmiddelforskning, til Helsedirektoratet og til LO, som mener at dette kan være med og utfordre monopolordningen i Norge. Jeg registrerer at det var noen som ville lytte til Helsedirektoratet i en annen sak, men som ikke er fullt så nøye med å lytte til Helsedirektoratet i denne saken. Jeg tror at Vinmonopolet kunne solgt mange av disse varene. Jeg og Kristelig Folkeparti velger å være konsistente i dette og si at økt tilgjengelighet gir økt misbruk fordi det gir økt forbruk. Vi har mange planer for behandling, vi har mange planer for ettervern, men vi vil ikke ta tak i det som handler om forebygging og mindre tilgjengelighet. Derfor vil Kristelig Folkeparti stemme imot dette forslaget.

ikkje omhandlar visse landbruksvarer. Eg synest det er litt greitt å minna ein del parti om at det faktisk er EØS-avtalas hovudregel om at handel med landbruksvarer ikkje er ein del av dette, som gjer at vi i dag har funne eit unntak. Saka som kjem frå regjeringa, er mykje betre enn det som låg i høyringsutkastet. Det som låg i høyringsutkastet kunne vi ikkje ha stemt for. Senterpartiet kan

Vi meiner at det er veldig viktig å vidareføra Vinmonopolet, og det er det som har vore det store spørsmålet i denne saka også tidlegare år. Ifølgje den EØS-rettslege vurderinga vil forslaget ikkje i seg sjølv vera ein trussel i EØS-rettsleg forstand, men den samla utviklinga i den norske alkoholpolitikken med fleire polutsal, auka taxfree-handel, auka marknadsføring osv. – kan verta trekt fram. Dette er ikkje mine ord. Det er den EØS-rettslege vurderinga og den rapporten som inneheld akkurat desse orda. Så for dei fruktbøndene som i dag får denne moglegheita, er den største faren for at ordninga ikkje vil vera berekraftig over tid, faktisk den generelle alkoholpolitikken til regjeringa og fleirtalet på Stortinget – ikkje EØS-reglementet i den forstand.

per år, rett nok tatt ned frå 20 000 liter per produsent per år i høyringsutkastet. Men 20 000 liter er like mykje som dei minste vinmonopola sel i dag. Når vi i tillegg les, det står òg i proposisjonen, at dette er ein moglegheit for eit avgrensa direktesal, det er ikkje meint å vera hovudsalskanalen, meiner vi at det er gode argument for å redusera dette volumet til 10 000 liter. Og ved produksjon av større kvantum vil det vera aktuelt å verta grossist og koma inn i Vinmonopolets sortiment. Senterpartiet er glad for den komitémerknaden der ein ber «regjeringen sørge for at Vinmonopolet innenfor gjeldende regelverk tilrettelegger for salg av produkter fra lokale Vi meiner at krav om ein betydeleg del eigenproduserte varer vil beskytta dei som er i målgruppa for ordninga, nemleg småskala alkoholprodusentar som brukar eigenprodusert frukt og bær i produksjonen. Vi meiner at det er naturleg å setja same krav som i Finland, om at 50 pst. – ikkje ein tredjedel – av hovudinnsatsvara skal vera eigenprodusert. Når det gjeld opningstider, meiner stortingsgruppa til Senterpartiet at vi følgjer det som står i proposisjonen og argumenta der for det. Til slutt vil eg fremja Senterpartiets forslag i saka. Representanten Kjersti Toppe har tatt opp det forslaget hun har referert til. For Venstres del mener vi det er

han bl.a. forslaget om å tillate produksjon av sider. Han ble etter hvert også landbruksminister og har gjort en stor jobb for over tid å legge til rette for at vi i dag fatter dette vedtaket. Selv fikk han aldri være med på å spille ballen helt i mål, men han lyktes med å gjøre Venstre til et ja-til-EØS-parti, så det er i hvert fall full uttelling for Venstre i dag. Dette er også eksempel på hvor tungt og langsomt gründerskap basert på lokale råvarer kan være i distriktene i Norge. Det er også en del av historien som vi er nødt til å fortelle. I dag får noen anledning til å foredle råvarer fra frukt og bær og lokale produkter, distribuere produktene de har produsert – gjerne til utenlandske turister, og selge dem som en del av et mer helhetlig reiselivsprodukt. For de relativt få produsentene dette angår, er det kanskje reiselivet som er hovednæringen. Dette kan være med på å styrke hele den næringsvirksomheten på gården som er knyttet til reiselivet. For Venstres del har vi lagt inn en del primærmerknader. Vi ville jo helst sett at vi hadde gått opp til 20 000 liter liter som et årlig tak per produsent. Det er basert på at det ville gitt større handlingsrom for innovasjon av produkter, men også på den turistsesongen som faktisk skal betjenes. Det er litt leit hvis man midt i turistsesongen går tom for et av de viktige produktene knyttet til Vi skulle også gjerne sett at det var mulig å blande inn brennevin. En del av de produsentene som dette angår i dag, f.eks. Hardanger saft- og siderfabrikk, leverer allerede til Vinmonopolet produkter som inneholder brennevin, og som av kundene er kåret til noen av de aller beste og mest innovative produktene basert på For min egen del – jeg er fra Mjøsområdet, og Totenvika og Helgøya kalles gjerne Nordens Toscana – ser jeg også fram til at noen av frukt- og bærprodusentene der tør å ta skrittet og utvide sin virksomhet. Mange er allerede i gang med saftproduksjon. Til Senterpartiet: Jeg registrerer forslaget om å gå ned til

og som gjerne serverer produktene sammen med mat og andre kulturelle opplevelser. Slike begrensninger vil være til hinder, også knyttet til selskaper og annen lokalt basert virksomhet. Evaluering – ja, det kunne vi for så vidt gjort. Men jeg tror ikke at vi vil se en stor utbredelse av denne typen virksomheter de neste årene. Produksjonen er for krevende til det. Én av utfordringene som ligger i loven her, er også kontrollmyndighetene, som jeg ikke synes vi har debattert så mye, for det vil være slik at dagens kontrollmyndigheter i liten grad har anledning til å kontrollere om alkoholen er gjæret opp, eller om den er innblandet basert på sprit. Jeg håper at det ikke blir en stor utfordring, og har tillit til at disse produsentene kommer til å bruke de lokale råvarene og

komiteen. Jeg vil vise til Sundvolden-erklæringen, der det ble nedfelt at regjeringen vil «åpne for produktprøver og begrenset alkoholsalg direkte fra nisjeprodusenter og om nødvendig jobbe for å endre EU-lovgivningen på feltet». Regjeringen har fulgt opp dette ved den foreslåtte ordningen, som vil gjøre det mulig for små produsenter å drive med salg av alkoholholdig drikk som et Hovedlinjene i alkoholpolitikken ligger fast. Dette omfatter bl.a. bevaring av salgsmonopolet og bevillingssystemet for salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Av hensyn til nærings- og produktutvikling er det imidlertid grunn til å se på muligheten for å foreta justeringer som i liten grad vil øke tilgjengeligheten og utfordre monopolordningen. Forslaget om å åpne for salg av utvalgte drikkevarer over direkte fra produsent, er en slik justering. I Norge har vi et høyt beskyttelsesnivå begrunnet i folkehelsehensyn. Det gjør at vi kan benytte til dels omfattende virkemidler i alkoholpolitikken for å begrense konsum og skader som følge av konsum. Dette innebærer bl.a. et strengt reklameforbud, aldersgrensebestemmelser, åpningstider, Den EØS-rettslige begrunnelsen for vinmonopolordningen er basert på hensynet til folkehelsen og forutsetter at ordningen er del av en restriktiv, helhetlig og konsistent alkoholpolitikk. Det har vært svært viktig i utformingen av forslaget å sørge for et fortsatt høyt beskyttelsesnivå og bevaring av vinmonopolordningen. Som et ledd i oppfølgingen av regjeringsplattformen ble det utredet om det ville være mulig å åpne opp for salg av drikkevarer med over 4,7 volumprosent alkohol, uten at dette ville endre eller svekke dagens monopolordning. Konklusjonen er at svaret avhenger av hvilke alkoholholdige drikkevarer det er tale om. For handel med alkoholholdige drikkevarer som omfattes av EØS-avtalen, slik som øl og brennevin, vil det være vanskelig å åpne opp for salg uten å komme i strid med EØS-retten. Men ifølge utrederne vil det antakelig ikke ha EØS-rettslige konsekvenser å åpne opp for salg av alkoholholdige drikker som ikke er omfattet av EØS-avtalens dekningsområde. Enda større grunn er det til å legge dette til grunn dersom man legger begrensninger på en slik ordning, og det er det jo gjort i det framlagte forslaget. På denne bakgrunn omfatter forslaget kun produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen. For å sikre at den restriktive norske alkoholpolitikken generelt og Vinmonopolet spesielt ikke utfordres, er den foreslåtte ordningen gjort begrenset. Det er foreslått at produktene ikke skal kunne gjøres sterkere ved å tilsette brennevin, og produktene kan ikke blandes med andre alkoholholdige produkter enn dem det er foreslått å åpne opp for salg av. Det foreslås i tillegg å stille krav om at en tredjedel av innsatsvarene er egenproduserte, og det foreslås å sette en volumbegrensning på salg tilsvarende 15 000 liter per produsent per år. Ordningens omfang antas derfor å være av en slik størrelsesorden at det ikke kan sies å få alkoholpolitiske konsekvenser eller innvirkning på folkehelsen. Vi mener at ordningen ikke vil utfordre konsistensen i den norske alkoholpolitikken, og heller ikke Vinmonopolet, verken faktisk eller rettslig. Jeg vil avslutningsvis vise til at komiteen ber regjeringen «sørge for at Vinmonopolet, innenfor gjeldende regelverk, fra lokale småskalaprodusenter og at det gjøres nødvendige tilpasninger og justeringer i innkjøpsordninger, butikker og nettbutikk for å sikre dette.» Jeg skal påpeke at EØS-avtalen pålegger Vinmonopolet å likebehandle alle produsenter innenfor EØS- og EU-området, og at regjeringen derfor verken kan, bør eller vil instruere Vinmonopolet om dette. Imidlertid kan jeg forsikre komiteen om at jeg er kjent med allerede har gjort flere tiltak for å sikre at mindre produsenter og lokale produkter ikke kommer dårligere ut enn andre. Det blir replikkordskifte.

replikkordskifte. Statsråden har prisverdig løftet opp en rusplan som er vedtatt i denne sal, og i den rusplanen er det mest fokus på behandling og ettervern og minst Hva tenker statsråden om at Actis, Juvente, Forbundet mot rusgift, Statens institutt for rusmiddelforskning, Helsedirektoratet og LO har bekymringer med hensyn til det som har vært suksessen i norsk alkoholpolitikk, nemlig Vinmonopolets rolle? Hva tenker statsråden om deres Jeg oppfatter at med den innrammingen som er gjort, og også ytterligere innramming som ble gjort etter høringsrunden, utfordrer ikke det som vi har anbefalt Stortinget å vedta i dag, vinmonopolordningen, og dette er basert på et godt grunnlag. Hadde det utfordret vinmonopolordningen, hadde heller ikke forslaget blitt fordi vi er forpliktet bl.a. av samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti til å ta vare på hovedvirkemidlene i alkoholpolitikken, og der er altså Vinmonopolet helt sentralt. Da regjeringen endret taxfree-kvoten i fjor, tror jeg det var, og samtidig gjorde det sånn at en kunne gjøre ikke vann til vin, men tobakk til vin,

Jeg hører hva statsråden sier, men her har en samtidig åpningstider som er utover dagligvarehandelens åpningstider, med salg av en vare som har sterkere alkoholinnhold enn det som dagligvarehandelen selger og som en i et lengre tidsrom kan kjøpe. For den som sliter, har en et handlingsrom her. Hva tenker statsråden da, når vi legger fram planer for å imøtekomme og nå et mål om å redusere det norske alkoholforbruket, og samtidig øker man på denne måten? Jeg synes ikke at dette henger sammen. Det er klart at de som vil få muligheten til å selge innenfor denne ordningen, har det samme ansvaret som andre som selger alkohol, og f.eks. være bevisst på at en ikke selger til personer som enten har for lav alder eller som er klart ruspåvirket. Det er også sånn at her er det snakk om et nisjeprodukt som er viktig i en helhet bl.a. innen et reiselivsprodukt eller som en del av det å lage lokalprodusert mat og drikke, og jeg har ingen tro på at det vil få et omfang som vil utfordre folkehelsespørsmål knyttet til verken den generelle folkehelsen eller for mennesker som har en I proposisjonen vert det vist til ei EØS-rettsleg vurdering som lovforslaget byggjer på, av Arnesen og Sejersted. Der vert det framheva at forslaget i seg sjølv ikkje kan sjåast på som ein trussel i «EØS-rettslig forstand», men at den samla utviklinga i den «norske alkoholpolitikken

lurer på kva statsråden vil gjera for å hindra at hans alkoholpolitikk vert ein trussel for ordninga med direkte sal. Det er den samlede alkoholpolitikken som her er avgjørende, og det er også grunnen til at de endringene som vi foreslår på dette området, er svært begrenset, nettopp fordi vi er opptatt av at den ytre rammen for de endringene som vi foreslår, handler om at vi skal ha en trygg innramming, slik at vi ikke har en trussel mot vinmonopolordningen, som vi mener står seg veldig godt med de endringene som foreslås.

3 minutter. Det var representanten Ruth Grung som fikk meg til å tegne meg, for et øyeblikk satt jeg igjen med det inntrykket at det var Hordaland Arbeiderparti som på en måte hadde ordnet opp i denne saken. Selv har jeg hatt gleden av å besøke spesielt de tre produsentgårdene i Ulvik gjentatte ganger, senest for 14 dager siden, og heldigvis kan jeg berolige med at det er ikke det inntrykket de sitter igjen med der inne, at det er Hordaland Arbeiderparti som har ordnet opp i dette. Men la oss glede oss over det som tross alt har skjedd her. Men la oss glede oss over det som tross alt har skjedd her. Jeg minnes for så vidt også at en tidligere statsråd fra Senterpartiet sa at det var ikke mulig å få dette til, fordi EØS-avtalen var til hinder for dette. Nå forstår jeg på representanten Kjersti Toppe at det nettopp er EØS-tilknytningen som gjør at dette er mulig, og da kan vi jo glede oss over det. Jeg vil bare også gi til kjenne at jeg langt på vei støtter representanten Ketil

Så vidt jeg vet, har Vinmonopolet forskjellige åpningstider alt etter hvor man bor. Nå er det ikke vinmonopol i Ulvik, f.eks., det nærmeste Vinmonopolet er på Voss, og det har kortere åpningstid enn f.eks. Vinmonopolet i Bergen. Så jeg lurer litt på hvordan man har tenkt at det skal håndteres. Uansett: Når Vinmonopolet på Voss, som er det nærmeste, stenger halv fem, er det slik at Når Vinmonopolet på Voss, som er det nærmeste, stenger halv fem, er det slik at kommer man til disse gårdene klokken halv fem, kan man ikke få kjøpt noe. Jeg må si at det er en svært urimelig innskrenkning, som jeg ikke forstår logikken i. Men som sagt: La oss glede oss over de fremskritt som tross alt finner sted. Så er jeg helt overbevist om at denne ordningen kanskje kan bli utvidet etter

vedtatt. Komiteen har behandlet forslaget fra Kristelig Folkeparti om en helhetlig opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, et område jeg med sikkerhet kan si at en samlet komité er opptatt av, har sterke meninger om og ønsker å bidra til å løfte videre i årene fremover. Komiteen har jobbet mye med denne saken, både fordi de enkelte forslagene som ble fremmet, er viktige elementer hver for seg,

Og selvfølgelig handler ikke denne innsatsen bare om helsetjenesten. Vi må møte barn og unges utfordringer med gode tiltak innenfor skole, innenfor familie, kultur, frivillighet og barnevern, og vi må løfte barns behov også innenfor justisfeltet. Komiteen har jobbet seg godt sammen om viktige forslag som kommer til å ha betydning for barn og unges helhetlige helse, herunder også den Komiteen støtter enstemmig opp under forslaget om å be regjeringen vurdere et krav til kommunene om at det skal tydelig defineres hvem i en kommune som har det overordnede ansvaret for hjelpetjenestene til barn og unge. Videre stiller hele komiteen seg bak at barn og unge skal sikres medikamentfrie behandlingstilbud når faglige anbefalinger tilsier dette. Komiteen har også samlet seg om å be regjeringen innen juni 2017 legge frem en helhetlig tverrsektoriell strategi for barn og unges psykiske helse. I arbeidet med en slik strategi skal selvfølgelig hovedpersonene, barn og unge, tas med på råd, og deres erfaringer skal det lyttes til. Strategien skal legge grunnlaget for en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Det fremmes også noen mindretallsforslag i saken, og jeg regner det som sikkert at de som står bak disse forslagene, redegjør nærmere for dem senere i debatten. For Høyre er det en glad dag i dag. For det er ikke bare Kristelig Folkeparti som har fått det de har bedt om. Vi er også veldig glade for de vedtak vi fatter. Vi vet at vår regjering har igangsatt en betydelig opptrapping for å styrke tjenestene til barn og unge – på justisfeltet, på familiefeltet, på kulturfeltet, på skole, på barnehage og på helse. Vi ser derfor frem til at en helhetlig strategi vil gi oss viktige svar på hvor vi står og hvor vi bør gå videre. Målet er vi alle enige om. Det handler om å ruste barn og unge til å bli trygge, til å få seg en utdanning og jobb – og til å leve et godt liv. Vår regjering har løftet psykisk helse inn i folkehelsearbeidet, vi har styrket satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom kommunenes frie inntekter med 668 mill. kr på tre år og i tillegg for 2016 øremerket 100 mill. kr til de samme tjenestene. Vi har bevilget midler til rekruttering av 150 nye psykologårsverk i kommunene. God og tilgjengelig hjelp for barn og unge så tidlig som mulig er av målene både i primærhelsemeldingen, i rusopptrappingsplanen og i folkehelsemeldingen som har fått stor tilslutning også her i Stortinget. At vi har en regjering som leverer godt på dette området, betyr ikke at det ikke må gjøres mer. Derfor ønsker vi oss også at ventetiden for barn i psykisk helsevern skal bli enda kortere, derfor ønsker vi at barne- og ungdomspsykiatrien bør utprøve mer ambulerende virksomhet i kommunene, og derfor ønsker vi endringer som gjør at barn i barnevernstjenesten skal oppleve at de får den helsehjelpen de har krav på. Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre har Høyre og Fremskrittspartiet lyttet til barn og unge. Vi har lyttet til bl.a. Anika og Fredrik og alle de andre PsykiskhelseProffene i Forandringsfabrikken, vi har lyttet til Landsforeningen for barnevernsbarn, og mange, mange flere kan nevnes. Forrige gang Norge hadde en borgerlig regjering, nærmere bestemt i 2003, gikk sju statsråder sammen om strategiplanen …sammen om psykisk helse… med 100 tiltak som alle skulle bidra til å styrke barn og unges psykiske helse. Den omfattet strategier og tiltak som rettet seg mot barn og unge, mot barn, unge og familier i risikogrupper og mot barn og unge som allerede hadde psykiske problemer og lidelser. Jeg er glad for at vi nå, under denne regjeringen, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, kommer til å gjøre det samme.
Ja takk!
samme. Arbeiderpartiet vil ha en ny tverrfaglig opptrappingsplan for forebygging og tidlig innsats for psykisk helse. Psykiske helseplager er vår tids største folkehelseutfordring, og ifølge Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet koster det samfunnet mer enn 185 mrd. kr i året. Nærmere 1 million nordmenn strever psykisk i så stor grad at det går ut over hvordan de fungerer i hverdagen. 260 000 barn har foresatte med så store problemer at det går ut over omsorgen, og nærmere 70 000 barn og unge har psykiske lidelser som krever behandling. Det er behov for en ny opptrappingsplan for forebygging og tidlig innsats for psykisk helse, og utgangspunktet må være på de arenaene hvor folk lever Det må settes inn tiltak før problemene utvikler seg, og når man trenger hjelp, skal den være tilgjengelig raskt. Gode barnehager, god svangerskapsomsorg, gode helsestasjoner og en god og forsterket skolehelsetjeneste er noen av tiltakene. Arbeiderpartiet har foreslått at alle elever skal lære om psykisk helse i skolen. Vi mener at kunnskap om den psykiske helsen på samme måte må integreres i skolens fag, slik at elevene får en helhetlig opplæring i kroppens fysiske og psykiske helse, og vi må ha en skolehelsetjeneste som treffer ungene og ungdommen. I dag er det skolehelsetjenesten som i størst grad møter elevene når det dreier seg om psykisk helse. Arbeiderpartiet mener vi må styrke skolehelsetjenesten, men vi må også utvikle tilbudet slik at det treffer ungdommens behov. I Nord-Trøndelag – unnskyld, i Trøndelag, der jeg kommer fra, har vi en unik ordning med forsterket skolehelsetjeneste på alle de elleve videregående skolene i gamle Nord-Trøndelag. Gjennom denne ordningen har alle elever i videregående skole muligheten til å få hjelp og samtaler med behandlere fra barne- og ungdomspsykiatrien på egen skole. Ordningen er mye brukt av elevene, og i tillegg deltar barne- og ungdomspsykiatrisk personell, folk fra BUP, i møter med skolens elevtjenester og bidrar til at skolens kunnskap om psykisk helse blir bedre. BUP kommer ut på skolene for å hjelpe til, ikke for å overta noen andres oppgaver. Også Oslo har gode erfaringer med en slik måte å organisere tjenesten på. Skolehelsetjenesten og hjelpetilbud for familier må organiseres på måter som samler ressursene. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er gode lavterskeltilbud. De når alle og har høy tillit i befolkningen. Helsestasjonene bør inneha flere typer fagkompetanse for å sikre et helhetlig tilbud og for å kunne avdekke mer alvorlige problemer som vold, overgrep og rus. Komiteen leverer en enstemmig innstilling. Det er bra. Et så viktig felt som psykisk helse for barn og unge trenger et løft og en forutsigbarhet for å kunne utvikle tjenestene og få satt fart på de forebyggende tiltakene vi vet har effekt. I komiteens behandling fremmet Arbeiderpartiet også forslag om kvalitetsnorm for mer ambulante team for barne- og ungdomspsykiatrien til barnevernstjenesten og forenkling av regelverk som fremmer samordning av tjenestene. Arbeiderpartiet vil understreke at Norge har forpliktet seg til å ha på plass seks kvantitative mål for psykisk helse innen 2020. Vi mener at det haster å vise at vi tar Den forrige opptrappingsplanen var i hovedtrekk positiv, og det skyldes tre–fire ganske viktige kriterier: kvantitative mål med tidsrammer, øremerkete midler og godkjente planer og kvalitetskrav før midlene ble utløst. Med det vil jeg ta opp Arbeiderpartiets forslag.
Da har representanten Geir Pollestad tatt opp det forslaget han refererte

til. Det lureste vi kan gjøre, er å bygge sterke barn fremfor å reparere, og dette ansvaret må kommunene ta. I en rapport fra NOVA som ble publisert i går, kan vi lese at om lag 60 000 barn utsettes for grov vold av sine foreldre. Kommunene må investere i barns oppvekstvilkår gjennom svangerskapsomsorgen, barnehage og helsestasjoner samt ved å skape en god og inkluderende skole med fokus på mobbing og utenforskap. Derfor har vi hjulpet kommunene mye ved å gi ekstra overføringer til helsesøstre og til å styrke kompetansen hos lærerne. Barn som mestrer skolen og trives med sin arbeidsdag, er et viktig bidrag for å bygge trygge og sunne barn. Rapportering viser dessverre en nedgang i antall årsverk innen psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, under rød-grønt styre. rapporten fra 2015 viser en reduksjon i antall årsverk på 13 pst. fra 2007 til 2013. Fremskrittspartiet har vært opptatt av å få ned ventetidene for behandling, og vi er glad for at den innenfor de fleste områder har gått ned, takket være klare politiske føringer, økte bevilgninger og innføring av fritt behandlingsvalg. Når sykdom oppstår, skal vi møte de unge med tilstrekkelig kapasitet, individuelt tilpassede tilbud og god samordning og oppfølging. Regjeringen vil fortsette sitt allerede igangsatte arbeid for å bedre disse tjenestene på alle nivåer. Vi arvet store mangler innen rus, psykisk helse, rehabilitering, eldreomsorg og lange køer til sykehusene. Det er krevende for alle parter, pasientene, de ansatte og kommunene, når vi krever et løft alle steder på kort tid. Det er likevel grunn til å minne om at psykisk helse er løftet inn i folkehelsepolitikken, og at det er igangsatt en rekke tiltak for å løfte både kvalitet og kapasitet i helsetjenesten for barn og unge. Økt rekruttering av psykologer i kommunene er omtalt i alle meldingene og er ett av flere virkemidler for å nå oppsatte mål. Så konstaterer jeg at Arbeiderpartiet er bekymret for at kommunene tilsetter få psykologer for å oppfylle lovkrav, og at det er nødvendig å etablere en statlig delfinansiering. Da vil jeg minne om at Arbeiderpartiet har vært imot å kreve at kommunene i det hele tatt skal ha psykologer, og at statlig delfinansiering er innført av denne regjeringen. Det er bekymringsfullt at mange barn og unge blir kasteballer i systemet, og at ulike hjelpeinstanser i kommunene ikke har godt nok samarbeid. Det er en enstemmig komité som derfor mener det er viktig at ansvaret for helsetjenestene til barn og unge i kommunene defineres og er kjent, og vi fremmer forslag om dette. Så har vi en bekymring når det gjelder barnevernet. Dette er barn og unge med store og sammensatte behov. Et barn som var under barnevernets omsorg, fortalte meg at hun hadde flyttet 16 ganger. For meg var det uforståelig at det gikk an å bytte hjem Så viste det seg at noen av disse flyttingene var til institusjoner hvor hun mottok psykisk helsehjelp. Men for et barn som har byttet bosted flere ganger, blir også et behandlingsopplegg sett på som en flytting. Regjeringen har gitt Bufdir og Helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge barnevernsbarns erfaringer med erfaringer med helsetjenesten og summere opp erfaringene med felles institusjoner. En tverrfaglig arbeidsgruppe skal nå gå gjennom dette og vurdere konkrete forslag for å sikre bedre samordning. Så er det igjen en samlet komité som er bekymret for økningen i bruken av sovemedisin og midler mot angst og depresjon blant ungdom. Det er derfor bra at brukerorganisasjonenes lange kamp for egne døgnenheter med medikamentfri behandling nå er en realitet. Det må foreligge en velbegrunnet faglig anbefaling og vurdering til grunn når mindreårige pasienter mottar vanedannende medikamenter, og aldri som erstatning for et manglende behandlingstilbud. Så har jeg lyst til å kommentere et punkt som PsykiskhelseProffene fra Forandringsfabrikken har lært meg, nemlig det faktum at det ikke er gitt at det er til barnets beste at foreldre skal ha innsyn i alt som skjer i behandlingssammenheng. Fremskrittspartiet mener derfor det kan være nødvendig med endringer i og psykisk helsevernloven. Regjeringen har gjennom samarbeidet med Venstre og Kristelig Folkeparti løftet psykisk helse, og vi har mye å være stolte av på dette området. En helhetlig strategi for barns og unges psykiske helse må inkludere det mest relevante med de allerede vedtatte planene, som f.eks. opptrappingsplanen for rusfeltet, opptrappingsplanen for arbeidet mot vold og seksuelle overgrep, strategien for å redusere fattigdom blant barn og ungdomshelsestrategien. Fremskrittspartiet mener at de mange tiltakene som allerede er igangsatt, og som er meldt skal komme, er tydelige og klare signaler på at innsatsen for å styrke helsetjenesten til barn og unge allerede er under

komiteen. Men at vi står samlet og nå sier at dette skal vi prioritere gjennom en helhetlig strategi og en økonomisk forpliktende opptrappingsplan, er svært gledelig og ingen selvfølge i en krevende tid. Desto tydeligere sier engasjementet i denne salen at ungene våre – barn og unge – er det aller viktigste for oss. Vi kan ikke gi ungene våre en kølapp med et høyt nummer når de har behov for rask hjelp. Vi kan ikke risikere at barn og unge som opplever en voksende smerte inne i seg, ikke blir sett og hørt eller får noen å snakke med. I tidligere planer og strategier har barn og unge ofte blitt glemt eller bare blitt omtalt som en del av noe større. Nå setter vi ungene først.
det er bra
Vi ser at rapportering fra Kommune-Norge viser en bekymringsfull nedgang i antall årsverk innen psykisk helsearbeid for barn og unge. En SINTEF-rapport fra 2015 viser at det har vært en reduksjon i antall årsverk i kommunene til psykisk helsearbeid for barn og unge, fra ca. 3 000 årsverk i 2007 til ca. 2 500 i 2013, en nedgang på Vi trenger en systematisk styrking av tjenestene i kommunene. Innen psykisk helsevern ser vi at ventetiden for barn og unge har blitt lenger i flere av helseregionene. Det er bekymringsfullt. Psykisk helsevern for barn og unge må tilføres nødvendige ressurser til både dag- og døgntilbud, og det må satses sterkere på ambulante team som følger opp barn og unge der de befinner seg.

Det er ikke akseptabelt å gi unger vanedannende medikamenter som sovemedisin og antidepressiva når faglige vurderinger tilsier at det er behov for psykologhjelp eller annet. Derfor ber en enstemmig komité regjeringen om å sikre at barn og unge får medikamentfrie behandlingstilbud når faglige anbefalinger tilsier dette. Derfor er det svært gledelig at det også er enighet om å innføre helhetlige og målrettede tiltak for å redusere forskrivning av disse medikamentene og bruk av vanedannende medisiner. Både fagfeltet og brukerorganisasjoner ga i komitéhøringen en helhjertet tilslutning til forslaget. Psykologforeningens leder kalte det vi står sammen om i dag, et historisk barneløft: «Sjelden har vi sett et dokument som tar barn og unges situasjon på alvor.» Dette skal ingen partier se

og, ikke minst, i tid. Vi har tro på at dette løftet kan bety en forskjell for barn og unge og barn og unges hverdag. Derfor synes jeg denne dagen virkelig er verd å feire – for våre ungers skyld. Kristelig Folkeparti anbefaler komiteens innstilling. Først vil eg seia at det er

Hovudspørsmålet er da: Kva er forskjellen på ein strategi og ein handlingsplan? Ein strategi er meir overordna, ein strategi har ikkje pengar med seg. Det er den store forskjellen. Senterpartiet var klar på at vi hadde støtta eit forslag om ein konkret opptrappingsplan med øyremerkte midlar. Senterpartiet fremja – saman med Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti – eit tilsvarande forslag i 2014, om ein femårig kommunal opptrappingsplan for psykisk helse gjennom nye øyremerkte midlar. Det fekk sjølvsagt stemmene til Arbeidarpartiet og SV, men forslaget vart stemt ned av Kristeleg Folkeparti, Venstre og regjeringspartia. Den gongen var det ei parallell sak frå m.a. Venstre som fekk fleirtal. fleirtal. Ordlyden der var at ein skulle «utrede en opptrapping for førstelinjen innen psykiske helsetjenester med fokus på kvalitet, forebygging og samhandling med spesialisthelsetjenesten». Det òg vart selt ut som at no skulle det koma ei opptrapping for psykisk helse. Det som skjedde, var at

Men eg må seia at eg kan ikkje forstå at psykisk helse ikkje skal ha ein opptrappingsplan – når rusområdet har ein opptrappingsplan, når rehabiliteringsfeltet har ein eigen opptrappingsplan – men ein strategi. Så har fleire representantar gjort greie for at det er ikkje berre liten vekst, det er ein reduksjon i årsinnsatsen i kommunane, og særleg for barn og unge. For å få ein auke i talet på tilsetjingar treng vi eigentleg ikkje ein strategi, vi treng nye øyremerkte midlar, slik at kommunane får bygt opp tenestetilbodet. Eg håpar at Stortinget vil følgja dette opp på ein tydelegare måte, for eg er redd strategien ikkje vil vera tydeleg nok. Senterpartiet kjem òg til å støtta dei andre forslaga til vedtak i innstillinga, altså I og II, om at kommunane skal definera kven som har det overordna ansvaret for hjelpetenestene til barn og unge. Det står rett nok «vurdere», men vi synest det er eit veldig godt forslag, og Det står rett nok «vurdere», men vi synest det er eit veldig godt forslag, og òg dette med medikamentfrie behandlingstilbod. Så har Arbeidarpartiet tre forslag, som vi i innstillinga ikkje har gått inn på, men vi kan støtta forslaga nr. 2 og 3 om at barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk bør ha ei plikt til å levera ambulante team til barnevernstenesta, og at ein må få ei betre samordning av barneverns- og psykisk helseverntenester. Òg Senterpartiet har eit forslag i innstillinga, som eg hermed tar opp. Representanten Kjersti Toppe har tatt opp det forslaget hun refererte til. Først av alt: Takk til Kristelig Folkeparti, som har fremmet denne saken, men også til refererte til. Først av alt: Takk til Kristelig Folkeparti, som har fremmet denne saken, men også til regjeringspartiene – Høyre og Fremskrittspartiet – som vi har hatt en god prosess sammen med for å få til det historiske øyeblikket, som Psykologforeningen kaller dagens vedtak. Komiteen for øvrig slutter seg også til, og det er en sterk forpliktelse fra Stortinget til at en skal satse på barn og unges psykiske helse. Venstre mener at det viktigste punktet i forslaget er den tverrsektorielle strategiplanen som vi har fremmet i forbindelse med Kristelig Folkepartis forslag, som ligger i saken i dag, og som er er den tverrsektorielle strategiplanen som vi har fremmet i forbindelse med Kristelig Folkepartis forslag, som ligger i saken i dag, og som er punkt nr. 1 i forslaget. Strategiplanen er det som vil føre til det store løftet for barn og unges psykiske helse, og som fagfolk har etterspurt lenge. Som flere representanter har vært inne på her, spesielt representanten Kari Kjønaas Kjos fra Fremskrittspartiet, er det mange aktører som i dag skal ivareta barn og unges psykiske helse, og de er nødt til i større grad å for den enkelte pasient eller pårørende på egen hånd. Venstre har i mange år tatt til orde for en ny opptrappingsplan for psykisk helse. I 2014 fikk vi, som representanten Toppe sa, flertall for at regjeringa skulle utrede en opptrappingsplan, med særlig prioritering av barn og unge. Den tverrsektorielle strategiplanen som i dag vedtas, og som i tillegg skal følges opp i budsjettene framover, er altså det som skal føre til den opptrappingen.

det gjelder psykisk helse. Det gjelder lovfestingen av kommunepsykolog fra 2020, og det gjelder sykehusplanen, der vi fikk inn psykologkompetanse i alle barne- og ungdomsmedisinske avdelinger i sykehus. Snart kommer det også en ungdomshelsestrategi. Da Venstre fremmet dette forslaget, var det fordi vi mente det var helt nødvendig å fokusere mest på det helsefremmende arbeidet utenfor helsetjenestene og i kommunene. Målet er at færrest mulig havner i spesialisthelsetjenesten. Det var bakgrunnen for vårt forslag. Vi støtter også flere av Kristelig Folkepartis punkter i representantforslaget, men vi synes at de fokuserer litt for mye på alvorlig syke, og ikke på hvordan vi unngår at barn og unge blir Det er selvsagt viktig med et godt tilbud også til de sykeste, men da må vi forebygge, slik at vi kan frigjøre ressurser til de gruppene som trenger det aller mest. Vi støtter punktet i forslaget om retten til en medikamentfri behandling, men frykter at medisiner fort kan bli en billig og lettvint – men på sikt dyr og dårlig – løsning for dem som sliter psykisk. Det må vi for all del unngå. unngå. Venstre mener også det er svært viktig å få definert hvem som har det overordnede ansvaret i kommunene, slik at vi unngår at barn og unge blir kasteballer i en velmenende, men fragmentert hjelpetjeneste, eller verst av alt – at de aldri blir fanget opp. Venstre er som sagt veldig fornøyd med at en samlet helsekomité støtter Venstres forslag i dag. For Venstre er det det tverrsektorielle Vi frykter at vi ikke når målet om å forebygge mer for å reparere mindre. Den tverrsektorielle strategiplanen som skal omfatte individ og samfunn, og som skal inneholde både helsefremmende, sykdomsforebyggende og kurative initiativ, vil kunne løfte hele feltet samlet. Det er helt nødvendig. Forebygging framfor å reparere er et mantra for oss i Venstre. Det forplikter. Både i forbindelse med primærhelsemeldingen, folkehelsemeldingen, Opptrappingsplanen for rusfeltet og i mange andre forslag har Venstre fokusert på det helsefremmende og forebyggende arbeidet utenfor helsetjenestene. Behovet for forebygging er udiskutabelt. Det er i de første årene vi må satse de store ressursene. Så til Senterpartiet, som etterlyser en øremerking og en forpliktende og at det må gjelde for psykisk helse på linje med rus. Ja, det vil jo nå komme. Så må vi jo spille ballen tilbake: I åtte år satt Senterpartiet i regjering uten at man leverte en opptrappingsplan verken for rus eller psykisk helse, og man avviklet sågar den gylne regel for psykisk helse. Eg vil takke forslagsstillarane for ei viktig sak å løfte, og som SV stiller seg fullt ut bak. Det er psykisk helse. Eg vil takke forslagsstillarane for ei viktig sak å løfte, og som SV stiller seg fullt ut bak. Det er viktig å prioritere barn og unges liv og helse i brei forstand. Dei viktigaste aktørane i dette arbeidet er jo kommunane, som har dei viktigaste oppgåvene knytte til barn og unge frå dei blir

noko som illustrerer ambisjonane våre for kommunefeltet generelt, med mange store reformer, spesielt knytte til barn og unge, og også kor dårleg stilt det er i kommuneøkonomien med dei blå-blå. Ein kan ha så mange mjuke øyremerkingar ein berre vil, men dersom kutta i kommunane held fram, får ein det berre ikkje til. Så tilbake til dette forslaget. Eg synest det har vore spennande å følgje med på utviklinga i denne saka, frå forslaget kom inn.

det skal komiteen ha all honnør for, og det verkar som om mange parti har vore med på å utvikle forslaget slik det no ligg her. Vi synest jo at det er eit «sats-forslag» – det er ingen «hopp». Det er ingen forpliktingar – vi ventar i spenning på ein plan som kanskje kjem om ei stund, det blir kanskje ikkje innanfor denne stortingsperioden eingong at han faktisk får effekt. Så dette er eit langt løp. Vi kan juble over ein plan, men det er det vi kan. Eg synest også at dei forslaga som kjem frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet, er gode, og vi kjem til å støtte dei. Berre til slutt: Det er ekstremt viktig å ha ei brei tilnærming til dette. Behandlingsdimensjonen i dette er openberr. Fort gløymt og fort nedprioritert er det førebyggjande arbeidet heile vegen frå før barnet blir født, til rett etter. Heile fødselsomsorga, opplegget rundt det, veit vi har enorm betydning for korleis det går vidare med barnet. Det kan vere så enkelt som å hjelpe ei nybakt mor eller ein nybakt far til faktisk å kunne vere ei god mor og ein god far. Små ting. Viss ikkje det blir gjort, kan det få enorme konsekvensar for barnet både på kort og på lang sikt. Dette er mykje av grunnen til at SV har gått inn for å setje nye standardar for heile løpet frå fødselsomsorga via helsestasjonane til skulehelsetenesta. Ut frå tilgjengeleg kunnskap frå forskingsprosjekt veit vi at ein er veldig underbemanna. Ut frå rettleiingane, retningslinjene for dei ulike tenestene, veit vi at desse tenestene er underbemanna, og dei blir ikkje meir bemanna av ein svekt kommuneøkonomi heller. Det å setje nye standardar for

meg! Jeg vil begynne med å takke forslagsstillerne for deres engasjement for barn og unge med psykiske helseutfordringer, og også for den veldig klare støtten fra både regjeringspartiene og samarbeidspartiene i Stortinget når det gjelder hele veien å å prioritere barn og unges helse – og den psykiske helsen spesielt. I ungdomshelsestrategien, som jeg snart skal legge fram, tar vi ungdoms innspill og tanker om egen helse på alvor. Mange av innspillene vi har fått, handler nettopp om psykisk helse. Mange barn og unge strever med psykiske helseplager og problemer som påvirker både livskvalitet og konsentrasjon. Samtidig er ungdomsgenerasjonen i dag den friskeste, sunneste og mest fornuftige noensinne. Det kan synes som en motsetning, men bak fasaden skjuler det seg både «flinke piker» som sliter med stress og press, og gutter som «står utenfor», som kan ha familiemessige, sosiale, helsemessige og utdanningsmessige utfordringer. Og la meg bare understreke: Det finnes flinke piker og gutter av begge kjønn som står utenfor. utenfor. Jeg mener vi skal være varsomme, slik at vi unngår at det beste blir det godes fiende. For mange handlingsplaner og opptrappingsplaner som retter seg mot de samme tjenestene, bidrar ikke til å løfte fagområdene, men kan i stedet skape forvirring og utvanne effekten av gode virkemidler. Derfor er jeg glad for at Stortinget har sagt at vi skal starte med å lage en strategi. For forslagsstillerne har rett i at det er behov for mer ressurser, riktig bruk av ressursene og tidligere prioritering av barn og unges helse. For å få det til må vi konsentrere innsatsen om de tjenestene som vi allerede har bygd ut, og bruke også de ordinære virkemidlene. Det er det som gir varige endringer, mindre byråkrati og mer treffsikkerhet. For å lykkes med dette kan nettopp en strategi være et veldig godt Snart legger vi fram en samlet ungdomshelsestrategi, som gir retning mot en mer ungdomsvennlig helsetjeneste for dem som aldersmessig befinner seg mellom kosebamsene og mokkabønnene. De strategiske grepene vi presenterer der, ligger til grunn for regjeringens satsing på helsestasjoner og skolehelsetjeneste, rekruttering av psykologer og en fortsatt styrking også av tilbudet i spesialisthelsetjenesten. Men vi kan ikke og vi må ikke sykeliggjøre alle som opplever psykiske plager og problemer. Vi skal ikke behandle alle som kjenner tristhet eller engstelse. I folkehelsemeldingen staker vi ut kursen mot også å løfte psykisk helse inn i folkehelsearbeidet. Å få helsefremmende tiltak som gode barnehager og skoler, velfungerende lokalmiljø og inkluderende lag og foreninger er minst like viktig som fem om dagen og det å sykle til skolen. Forebygging av mobbing, utenforskap og psykiske helseproblemer må få like stor oppmerksomhet som forebygging av overvekt og smittsomme sykdommer. Folkehelsetiltak må bli like viktig som behandlingstilbud. Det kan nettopp en slik strategi hjelpe oss med å løfte fram. Å satse helhjertet på barn og unge er ikke bare riktig fra et etisk perspektiv, det er også sannsynligvis den beste investeringen et samfunn kan gjøre, og det er den beste forvaltningen av vårt samfunns aller viktigste ressurs. Derfor representerer de vedtakene som vi gjør i dag, en god oppfølging av den tydelige satsingen på barn og unges psykiske helse som allerede er i gang, men som i høy grad kan forsterkes. Så må jeg si at en hører her innlegg som skulle tilsi at det sto dårlig til i kommunene med hensyn til kommuneøkonomien. Det er ikke tilfellet. Det har i kommunene alltid vært store oppgaver som en ønsker å løse, men kommuneøkonomien har ikke vært bedre på ti år, og vi ser at et av de områdene som kommunene bruker det økte handlingsrommet er nettopp å ansette flere innenfor helse og omsorg. Det er jeg veldig glad for, fordi det er der de største utfordringene nå er, og det er der også de største mulighetene er til nettopp å hjelpe mennesker så tidlig som mulig, slik at en unngår å bli så syk at en får behov for spesialisthelsetjenester. Det blir replikkordskifte. Jeg er replikkordskifte. Jeg er helt enig med statsråden i at den viktigste investeringen vi kan gjøre, er å investere i barn og unges psykiske helse. Det vil nok også på mange måter være den billigste investeringen vi gjør, med tanke på mulige framtidige utgifter og forringelse av livet til hver enkelt. Arbeiderpartiet har vært veldig opptatt av å styrke skolehelsetjenesten og ønsker å øremerke midler. Nå kommer det fram av flertallets innstilling i saken og også etter opplysninger fra Helsedirektoratet at man har en tilskuddspott i 2016-budsjettet på 100 mill. kr som man omtaler som øremerking, altså søkbare midler. Er det noen grunn til at man har valgt en sånn relativt tungvinn og byråkratisk måte å styrke skolehelsetjenesten på? Kan statsråden si noe om hvorfor man har valgt å gjøre det på denne måten, penger til dem med best søknad? Nå er det sånn at Arbeiderpartiet jo gjentatte ganger har foreslått øremerking på dette området. Øremerking betyr nettopp søknadsbaserte ordninger. Men det er helt riktig: I budsjettforliket som ble inngått i Stortinget, fikk våre samarbeidspartier, Kristelig Folkeparti og Venstre, gjennomslag for å styrke den ytterligere satsingen som var lagt til grunn, på 667 mill. kr til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men også 100 mill. kr som er øremerket. Men de øremerkes på den måten at det er de kommunene som kan dokumentere at de har brukt de frie midlene til formålet, som får dette som en belønning på toppen. Dermed blir dette ikke bare en belønningsordning på toppen, men det er også med på å sikre at kommunene bruker den veksten i frie midler som de har fått til dette, nettopp til formålet, og det er en veldig god ordning. Det er «en veldig god ordning», sier statsråden, til forskjell fra de tidligere psykiatrimidlene, som var definert med klare kriterier, og så fikk man penger når man oppfylte dem definert med klare kriterier, og så fikk man penger når man oppfylte dem – klare rammer for kommunene å forholde seg til og godt opplyst, i og med at det var en del av en større opptrappingsplan. Jeg tok en telefon til min hjemkommune og dem som jobber i barne- og ungdomsenheten der, og dette var ikke en tilskuddsordning de i det hele tatt hadde hørt om. Skal man styrke skolehelsetjenesten, må det jo være med enkle søknadskriterier som sikrer kvalitet, og som sikrer at pengene kommer til det de skal. Mener statsråden at dette er en bra måte å styrke skolehelsetjenesten på? Den viktigste styrkingen av skolehelsetjenesten har skjedd gjennom den økningen som har vært i de frie midlene på 667 mill. kr. Det går til alle kommunene fordelt etter ungdomskriteriene. Det er den ordningen som Arbeiderpartiet nå har brukt flere år på å kritisere. Det er den viktigste satsingen for at de skal komme fram til kommunene. Men så er vi også opptatt av å gi noe ekstra til de kommunene som viser at de virkelig prioriterer dette. Det er en godt opplyst ordning, det er en veldig enkel ordning å søke på. Den er nylig lyst ut. Det kan godt være at din hjemkommune ikke har oppdaget det ennå, men veldig mange andre kommuner er i hvert fall i ferd med å oppdage det. Det vil være en god belønningsordning. Alternativet, å ta disse pengene inn og ikke ha dem som frie midler, men øremerke alle sammen, ville vært å straffe de kommunene som har gjort en god jobb, og belønne de kommunene som har gjort en dårlig jobb. Det ville vært konsekvensen av det alternative forslaget som Arbeiderpartiet har på dette området.

at dette var varetatt i primærhelsemeldinga og i statsbudsjettet. Så er det ein ny debatt her i dag. Eg høyrer representanten frå Venstre, som er samarbeidsparti til regjeringa, seia at ein opptrappingsplan vil koma. Da synest eg dette vert ganske forvirrande – mange forslag om og så ein strategi. Skal det no koma ein opptrappingsplan for psykisk helse? Jeg synes, som jeg også sa i mitt innlegg, at den rekkefølgen som flertallet i komiteen har lagt til grunn, og som vi nå forstår får enstemmig tilslutning, nemlig at en starter med å lage en helhetlig strategi, er en veldig fornuftig tilnærming. For her jobbes det med mange ulike handlingsplaner allerede som går inn på dette området, og det er også sånn at det å få en strategi først vil være det beste grunnlaget for å vurdere omfang og innhold av en opptrappingsplan på dette området. Men så er det jo ikke sånn at regjeringen og samarbeidspartiene sitter i ro og liksom bare venter på en strategi. Det er viktig – det er det aller viktigste – at en de tre statsbudsjettene som vi nå har blitt enige om, har gjennomført helt nødvendige tiltak nettopp for å styrke disse tjenestene: øremerking av midler til psykologstillinger i kommunene, styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, en ungdomshelsestrategi som snart legges fram, osv. I innlegget

Eg forstod han slik at det at ein har ein opptrappingsplan på rusfeltet og rehabilitering er eit argument for ikkje å ha ein opptrappingsplan for psykisk helse. Eg kan ikkje heilt forstå den argumentasjonen, for vi veit at når det gjeld rus og psykisk helse, er det to sider av same sak. Det er mange pasientar som har både ei psykisk liding og ei rusliding. Å ha ein opptrappingsplan berre på det eine og ikkje det andre andre synest for meg fagleg sett ikkje grunngitt. Så eg vil igjen spørja: Hadde det ikkje vore naturleg når ein har ein opptrappingsplan på rusfeltet, samtidig å ha ein konkret opptrappingsplan for psykisk helse? Representanten har ikke forstått mitt innlegg riktig, for det var heller ikke det jeg sa. Men det er sånn at regjeringen bl.a. som oppfølging andre vedtak som er gjort i samarbeid med våre samarbeidspartier, budsjettvedtak osv., jobber med en rekke handlingsplaner og strategier knyttet til barn og unge og deres oppvekstvilkår. Det vil derfor være lurt nå å jobbe ut en strategi på området barn og unges psykiske helse før en også vurderer på hvilken måte et opptrappingsarbeid skal gjøres, så en får sett dette i en helhet. Det er det som jeg oppfatter også er bakgrunnen for det vedtaket som blir gjort i dag, samtidig som vi ikke venter på det, men allerede er i gang med å bygge ut de konkrete tjenestene til denne gruppen i kommunene, fordi det også er helt avgjørende. Skolehelsetjenesten har vært nevnt av flere i debatten her i dag. Det er

men vil sannsynligvis være en av de sektorene der vi kommer til å bygge opp tjenester de nærmeste årene. Noen kommuner har sågar startet med å flytte 4-årskontrollen ut til barnehagene og møte barn der de er, i sitt naturlige miljø. Noen få kommuner har også organisert skolehelsetjenesten og PP-tjenesten og også andre tjenester rettet mot småbarnsfamilier og småbarnsfamilier og barn sammen. Hva tenker statsråden om sånne strukturelle endringer og styrking av kapasiteten i barnehagene? Jeg er veldig enig med representanten i at det er mye å hente i kommunene ved i større grad å se disse tjenestene i sammenheng mot hele aldersgruppen barn og unge.

samlokalisering av disse tjenestene, bl.a. for å se på hvilke muligheter det gir. For jeg er helt enig i at barn i barnehage også har et sterkt behov for å få gode helsetjenester fra kommunen. De aller fleste som får en psykisk helseutfordring, får det første gang i barne- og ungdomsårene, og det er veldig viktig å gripe inn så tidlig som mulig. Da er replikkordskiftet over. De talerne som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Å satse på barn og unges helse og oppvekst er

minutter. Å satse på barn og unges helse og oppvekst er både fornuftig og god investering og derfor også en viktig del av regjeringens mål om å skape pasientens helsetjeneste. Så stor takk til forslagsstillerne for muligheten til å minne Stortinget om de mange tiltak som allerede er

Som et ledd i at det skal etableres behandlingsteam i kommunene, ble det i budsjettet for 2016 bevilget 145 mill. kr til rekruttering av psykologer. Bevilgningen gir rom for 150 nye psykologer i kommunene, som skal samarbeide tett med helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Det er også varslet lovkrav om psykologkompetanse i alle kommuner fra 2020. For ytterligere å styrke det forebyggende arbeidet har vi løftet psykisk helse inn i folkehelsepolitikken, tilbakeført den gylne regel i spesialisthelsetjenesten og reversert kuttene som ble tatt av de rød-grønne inn mot psykisk helse i skolen. Jeg ser fram til at regjeringen legger fram den varslede ungdomshelsestrategien, en strategi om en mer ungdomsvennlig helsetjeneste, slik statsråden viste til i sitt innlegg. Samtidig som vi i regjering har styrket tilbudet til psykisk syke, bekymrer det meg å lese tallene fra Reseptregisteret som viser at det i perioden 2005–2014 var en alvorlig stor økning i bruken av antidepressiva blant unge mellom 15 år og 19 år. Tallene viser til en økning blant unge menn og kvinner på henholdsvis 28 pst. og 37 pst. Denne utviklingen er alvorlig og må stoppes. Jeg har stor tro på at vi skal lykkes, men dessverre tar det tid å snu en skakkjørt skute. At helseminister Bent Høie har et tett og godt samarbeid med PsykiskhelseProffene i Forandringsfabrikken, er positivt. Dette er ungdom som snakker varmt for det å kunne tilby medikamentfri behandling for psykiske problem når faglige anbefalinger tilsier det. Det er ungdommer som kjenner til

og at det vil bli innført helhetlige og målrettede tiltak for å redusere forskrivning og bruk av vanedannende sovemidler og antidepressiva blant barn og unge. Strategien vil komme i tillegg til at vi også har stått sammen om en opptrappingsplan for rusomsorgen og en opptrappingsplan for bekjempelse av vold mot barn. En overordnet strategiplan som er tverrsektoriell, skal ende ut i en prioriterings- og

ting tverrsektorielt. Vi jobber opp mot barn og unge fra mange sektorer, både nasjonalt og lokalt: justis, skole, barnefamilier, barnevern og helse. Ungene våre kan risikere å havne mellom disse stolene. Derfor ønsker flertallet nå å si at vi må få en overordnet strategiplan så må vi prioritere pengene og samarbeidet i en handlingsplan som er en opptrappingsplan som skal sikre at ungene ikke faller mellom to stoler. Det kan være vi må endre noe innen justis. Lovverk må kanskje endres. Her er det mange ting, og vi må se hvor vi skal Folkeparti har vist dette gjennom mange ting når det gjelder barn og unge. Vi foreslo en handlingsplan mot vold mot barn. Vi satset på barnehusene, og Stortinget var med. Vi har vært opptatt av kvalitet og nok voksne i barnehagen. Vi har vært opptatt av flere lærere i 1.–4. klasse. Vi har vært opptatt av at asylungene skulle bli møtt, og nå en plan for barns psykiske helse. Hvorfor? Det er fordi flere sektorer nå ser at vi er nødt for å samordne oss, for på tross av så mange tiltak har vi aldri hatt så mange syke barn og unge. Det må vi forebygge.

sånn at vi bruker midlene våre rett. Jeg er sikker på at vi har mer enn dette å bruke pengene på i framtiden. Jeg tar ordet for å følge litt opp replikkordskiftet med statsråden. Skolehelsetjenesten har Arbeiderpartiet vært veldig opptatt av å styrke, og ikke, slik statsråden framstiller det, å kritisere de generelle inntektene til kommunene. Nei, Arbeiderpartiet har i tillegg til å styrke kommunenes frie inntekter ønsket å Så har flertallspartiene omtalt en øremerking på 100 mill. kr. Jeg prøvde å utfordre statsråden på denne ordningen. Ifølge Helsedirektoratet var dette en tilskuddsordning som ble utlyst i år for å utjevne forskjellene i videregående skole, altså forbeholdt skolehelsetjenestene i videregående skole, med utlysningsfrist 12. mars. På Helsedirektoratets sider står det at man har hatt en pott på 28,4 mill. kr. Dette synes jeg faktisk statsråden kunne ha klart opp i, særlig når han kommer med beskyldninger mot Arbeiderpartiet om at vi ønsker å trekke inn penger fra kommunenes frie rammer og øremerke, på en kvalitativt mer forpliktende måte.

forpliktende måte. I Riksrevisjonen sin rapport om samhandlingsreforma, som nettopp vart behandla her i Stortinget, kom det fram at det dei siste åra – etter at samhandlingsreforma har verka frå 2012 – har skjedd ei tiprosents nedbygging av helse. Det har skjedd utan at kommunane har fått auka tilbodet sitt tilsvarande. 70 pst. av kommunane svarar at dei i liten grad har auka talet på årsverk innan rus og psykiatri.Det storting og regjering da kunne gjort, var å

Når det vert framstilt som at det no er eit knapt fleirtal i Stortinget som støttar ein strategi, vil eg minna om at i innstillinga står heile komiteen bak romartalsvedtaket, og Senterpartiet har i alle fall tenkt å støtta det forslaget som ligg. Når det i i debatten her har kome opp kva denne strategien skal føra til, er eg like klok etter debatten. No har både representanten frå Venstre og representanten frå Kristeleg Folkeparti sagt at denne skal enda i ein handlingsplan, ein prioriteringsplan, men statsråden bekreftar det ikkje. Men så får det no vera. Senterpartiet kjem i alle fall til å og skal vera med og følgja det opp vidare. For det første er vidare. For det første er det ingen uklarhet om dette. Jeg slutter meg fullt og helt til både det representanten Bollestad og det representanten Kjenseth sa om hvordan dette skal følges opp. Så til representanten Kjerkol når det gjelder ulike en ordning som har vært øremerket i flere år, som går på oppbygging av skolehelsetjenesten på videregående skole. Det er en veletablert ordning som har fungert over flere år. Den nye ordningen som ble innført, og som også er omtalt i budsjettinnstillingen fra komiteen, fra budsjettet 2016, er en belønningsordning på 100 mill. kr som er lyst ut

ekstra motivasjon til å bygge ut den tjenesten. Det er viktig å ha for seg når det har blitt stilt spørsmål om denne politikken virker: Ja, den virker. I 2013 var det en nedgang i antall årsverk i skolehelsetjenesten og i helsestasjonene. Denne regjeringen overtok altså i en situasjon der det var nedgang i antall årsverk i denne tjenesten. Allerede det første året så vi en klar økning i antall årsverk. Nå har kommunene over tre år vist at dette ikke bare var en engangssatsing for regjeringen og våre samarbeidspartier, men en flerårig satsing, som også våre samarbeidspartier i forhandlingene om budsjettet har forsterket ytterligere, nå sist med denne belønningsordningen på toppen. Det er en veldig fornuftig måte å bidra til at de frie midlene brukes riktig men med den kommunale friheten som ligger i selv å vurdere hvilken del av tjenesten og hvilket fagområde det er fornuftig å sette pengene inn i – uten at de kommunene som allerede har satset, blir straffet, men blir belønnet. Det er

tverrsektoriell strategi skal legge grunnlaget for en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse». Jeg kan godt forstå at representanten Toppe er utålmodig, men jeg vil bare minne om at rusopptrappingsplanen, opptrappingsplanen for rehabilitering som kommer, og den store midler til forebyggende helsetjenester for barn og unge som vi har sett de siste tre årene, betyr en enorm vekst i forhold til det som skjedde de åtte foregående årene. Representanten Bollestad redegjorde veldig godt for hvorfor det er viktig å ha en strategi som ser tverrfaglig og over flere departementer på hva man trenger: Hvor står vi, og hvor skal vi? Jeg synes det er vanskelig å forstå hva det egentlig er representanten Toppe er veldig usikker på – om det ikke er mest for å finne uenighet i en sak hvor komiteen faktisk finner sammen om utrolig viktige forslag og tiltak for å sikre barn og unges helse i årene fremover.

minutt. Jeg skal ha en kort merknad. Det er jo slik som vi hevder, at dette er en øremerkingsordning som er veldig lite kjent ute i kommunene. Og hvis man skal styrke kommunehelsetjenesten, gjør statsråden en feilkobling i sin konklusjon. Han viser til at dette er politikk som virker. Ja, men gode statsråd, dette er jo en ordning som – når vi skriver 9. juni 2016 – fortsatt ikke er ute og i funksjon. Så om det virker eller ikke, får vi vel se en gang i Foreløpig synes jeg at statsråden gjør ganske dårlig rede for en øremerkingsordning på 100 mill. kr, som han selv hevder skal styrke skolehelsetjenesten. skolehelsetjenesten. Når jeg hører på debatten, skulle en nesten tro at det var åtte–ti år siden sist de rød-grønne satt i regjering, spesielt når jeg hører på representanten Toppe. Det er altså knappe tre år siden en ny regjering overtok, og jeg vet at det var mye diskusjon om både skolehelsetjeneste og andre utfordringer. Nå ser faktisk kommunene at det kommer penger til dette, og det kommer en belønningsordning, som gjør at man kan belønne dem som satser på skolehelsetjeneste. Det burde være bra. Jeg registrerer at spesielt Arbeiderpartiet sier at de ønsker å øremerke penger til dette. Når vi da gjør det, er heller ikke det bra nok. Så sier man at dette ikke er kjent. Jeg opplever ikke at dette ikke er kjent ute i kommunene. De er veldig klar over at det er mulig å søke om penger, men da forventer vi også at de faktisk har brukt de pengene som allerede er satt av til dette, før de får nye midler. Vi er opptatt av at dette skal styrkes, fordi det er viktig for barn og ungdom. Belønningsordninger har jeg registrert at Arbeiderpartiet i hvert fall har vært veldig opptatt av på andre områder, så jeg skulle tro at de var fordi vi ønsker resultater. Med en belønningsordning vet vi at kommunene ser mulighetene, og de kommer til å benytte seg av denne muligheten, så jeg tror ikke dette er noe stort problem. Men det høres nesten ut som om det både er åtte og ti år siden både Senterpartiet og Arbeiderpartiet satt i regjering. Denne regjeringen bruker mer penger i frie inntekter til kommunene, og vi sørger altså for at det nå blir øremerkede midler til dette viktige området, langt mer enn det den rød-grønne regjeringen klarte, både med Toppes parti og Arbeiderpartiet i regjering. Det viser at det er politisk vilje til å prioritere viktige områder, og dette er et kjempeviktig område.

1 minutt. Nei, eg er ikkje ute etter å finna feil. Senterpartiet har eit primærforslag til ein opptrappingsplan. Vi er bekymra når statsråden etter mitt syn ikkje har vore tydeleg på kva denne strategien skal munna ut i. Det er rett det som står i innstillinga, men eg følte at det òg måtte kunna seiast, og at statsråden kunne seia det same talarstolen. Men no har det kome fram, og det er bra. Grunnen til at eg er utolmodig og ventar på ein strategi, er at det no skjer ei omlegging i psykisk helsevern der ein byggjer ned døgnkapasiteten på sjukehus. Skal vi venta på ein strategi utan at vi er sikre på at kapasiteten i kommunane vert bygd opp no,

engasjementet. Jeg må nesten få prøve meg på nytt. 667 mill. kr er økningen som kommunene har fått i frie midler, men målrettet mot skolehelse- og helsestasjonstjenesten. De fordeles til kommunene med utgangspunkt i alderssammensetning, dvs. at de kommunene som har flest barn og unge, får mest penger.

var at en også kunne stå inne for at en hadde brukt de frie midlene fullt ut til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Når vi da har sett en så stor interesse i kommunene for disse pengene, ser vi også at det er en klar føring på at disse kommunene føler seg trygge på at de har brukt økningene de har fått i frie midler, på en riktig måte, altså til helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Dette har vært penger som som gir en effekt som fører til en forandring der ute. Det er noen kommuner som nå merker en utfordring med å få nok søkere til stillingene de lyser ut på dette området, som f.eks. Drammen kommune, men jeg er helt overbevist om at vi vil se at denne satsingen gir konkrete resultater i bedre tilgang for barn og unge til skolehelse- og helsestasjonstjenester. Dette er en del av en felles satsing mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene, som ikke handler om å vente på en strategi, men om å gjøre endringer som har betydning her og nå. Samtidig skal vi også jobbe langsiktig med en strategi og etterpå – selvfølgelig – følge opp i tråd med det som også er merknaden. er merknaden. Nå har statsråden redegjort grundig for at belønningsordning virker. For å ta et konkret eksempel: Os kommune utenfor Bergen startet med å ansette én kommunepsykolog og har deretter, gjennom flere år, ansatt flere slik at de i dag i hvert fall er oppe i seks psykologer. Dette er en kommune som har en ung befolkningsprofil, og som satser systematisk på barn og unge. Hvis det ikke hadde vært en belønningsordning, men tildeling flatt til alle kommuner, ville ikke Os kommune kunnet søke på en ytterligere opptrapping. Nå får de hjelp til det, og når de har kommet til seks, trenger de kanskje den belønningen, for inntil nå har de faktisk greid å prioritere gjelder skolehelsetjenesten, må vi fortsette en opptrapping . Den rød-grønne regjeringen fikk utarbeidet en rapport som viste at vi i 2016 kan gå tom for helsesøstre. Det er en av grunnene til å utarbeide en strategi, sånn at vi ikke putter på øremerkede penger til en sektor der det faktisk ikke finnes tilstrekkelig Da må vi se på om det er mulig å skolere noen andre til å delta i den tjenesten, eller hvor vi kan hente disse arbeidskraftressursene fra. Så hører jeg at Senterpartiet er opptatt av det psykiske helsevernet i spesialisthelsetjenesten. Vi har nå hatt en inntektsmodell som har fungert i fem år, som ble innført i den rød-grønne regjeringens tid. Det trengtes en inntektsmodell. Vi ser at det er ulike inntektsmodeller mellom de regionale helseforetakene. Det synes jeg vi burde evaluere. Jeg er klar over at Oslo er en utfordring, fordi den skiller seg ut fra resten av Norge og ikke omvendt. Men dette skaper noen utfordringer. Noen sykehusforetak får mindre penger forholdsmessig enn de har fått tidligere. Det er en balanse vi er nødt til å se på – om dette er riktig. Men det er en litt annen utfordring. Vi ser stadig vekk at byråkratene tar seg til rette og ikke lytter til Stortingets signaler. Det må de pent gjøre. Når vi vedtar å gjeninnføre «den gylne regel» og at psykisk helse og rus skal ha større vekst enn somatikk, må byråkratene finne ut hvordan de skal løse det innenfor rammene, og ikke overse Stortingets vedtak. Jeg tar ordet fordi jeg syntes det var særdeles interessant å høre hvordan denne ordningen med de 100 mill. kr til skolehelsetjenesten er tenkt, og hvordan den er

men en slags gaveordning, en «oppmuntringspott», som man får når man har brukt opp de frie midlene. Det høres veldig rart ut for meg når statsråden sier at det er frie midler som skal gå til skolehelsetjenesten. Det er en selvmotsigende profeti. Frie midler er jo frie midler, og vi har fra før erfaring med at av frie midler til skolehelsetjenesten som den og et sterkt ønske og håp og en bestilling til kommunene om at de skulle styrke skolehelsetjenesten, ble bare halvparten av pengene brukt til det. Det er grunnen til at Arbeiderpartiet nå har sagt at vi vil ha øremerkede midler til skolehelsetjeneste og helsestasjoner i en opptrappingsfase, slik at de har den kompetansen og den kvaliteten som vi og den kvaliteten som vi trenger i kommunene. Så jeg vil råde statsråden til ved neste korsvei å tenke gjennom om han virkelig tror at frie midler kan gå som øremerkede likevel, med fromme ønsker til

Derfor sa vi at det er ikke sånn at de som har brukt av sitt budsjett, skal straffes når man deler ut penger. De skal vise at det er barn og unge som får de pengene det blir bedt om. Jeg klarte ikke å dy meg etter å ha hørt på representanten Knutsen fra Arbeiderpartiet. Først er om. Jeg klarte ikke å dy meg etter å ha hørt på representanten Knutsen fra Arbeiderpartiet. Først er det altså sånn at Arbeiderpartiet nå vil øremerke fordi kommunene ikke gjorde slik de ville at de skulle gjøre under de rød-grønne, fordi de brukte bare halvparten av pengene som de rød-grønne mente skulle gå til Jeg opplever veldig ofte, f.eks. når vi diskuterer statlig finansiering av eldreomsorgen, at argumentasjonen nettopp er at kommunene må få lov til å bruke de frie midlene de får, slik de selv ønsker å bruke dem. Det betyr i realiteten at Tove Karoline Knutsens definisjon her er at kommunene kan få lov til å gjøre som de vil, så lenge de bruker pengene som vi vil. Når de ikke gjør det, skal vi gå inn og øremerke. øremerke. Kanskje enda mer spesielt i denne saken er det at man sier at man må øremerke alle midlene. Ja, nå har denne regjeringen gitt mye i frie midler, og man skal faktisk premiere dem som velger å bruke pengene på det vi sier at de skal bruke en del av disse frie midlene til, nemlig til å styrke skolehelsetjenesten og tilbudet til barn og unge. unge. Så har statsråden redegjort for at vi sammen med samarbeidspartiene har blitt enige om å sette av 100 mill. kr, som skal øremerkes. Man skal gjøre det som representanten Bollestad akkurat sa: Kommuner som nå følger opp og tar signalene uten at de er pålagt det, skal få muligheten til å få av disse siste 100 mill. kr. Det må jo være veldig bra. Da gir man med de signalene som kommer, både rom og skjønn for at kommunene skal få lov til å bruke disse pengene, og man har i tillegg laget en belønningsordning som gjør at man sannsynligvis velger å gjøre det, men man gjør det da frivillig. Det vil være kjempebra. Da får heldigvis elevene og de unge som trenger skolehelsetjeneste, et bedre tilbud fordi kommunene prioriterer det – man straffer ikke dem som faktisk har valgt å prioritere, men kanskje heller dem som ikke har valgt å prioritere, så de kan se at det men kanskje heller dem som ikke har valgt å prioritere, så de kan se at det er smart å prioritere, fordi det gir mulighet for belønning. Derfor tror jeg belønning er bedre enn bare å øremerke alt, som Arbeiderpartiet akkurat her vil, men som de alltid ellers argumenterer imot. Jeg tror kanskje at noen ganger er det ene smart, og noen ganger er det andre smart. Men akkurat synes Arbeiderpartiet å prate mot seg Den reglementsmessige tiden for Stortingets møte er omme, men presidenten vil foreslå at møtet fortsetter til dagens kart er ferdigbehandlet. – Det anses vedtatt. Det er ikke sånn at alt som går til kommunene, skal øremerkes. Det tror jeg ingen i denne salen mener. Jeg tror veldig mye skal gå som frie midler. Men hvis vi ønsker å løfte noen samfunnsfelt, er det slik at vi fra tid til annen øremerker penger i en opptrappingsfase, i en gitt periode, før de går over til frie midler. Det er en helt vanlig måte å gjøre det på. Så er det sånn at hvis det er noen som innenfor det øremerkede feltet har gjort en veldig god jobb fra før, tenker vi at innenfor noen rammer skal de kunne bruke de pengene som kommer gjennom inntektssystemet, til andre tjenester til befolkningen. Det er ikke sånn at de blir «ranet» av staten tilbake igjen, slik man gjør med det statlige forsøket – da skal man betale tilbake til staten. For øvrig er vi for å sektorøremerke penger for å bygge opp den kvaliteten vi ønsker. Det er beskrevet av vårt helseutvalg, det har landsmøtet vårt også vedtatt, og det ser vi fram til å kunne starte et arbeid med. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 14. Ingen har bedt om ordet. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til

Takk til representantane frå Arbeidarpartiet som har fremja dette representantforslaget. Underernæring hos eldre er eit kjent problem. Tilsyn har vist at to av tre sjukeheimar ikkje oppfyller krava for god ernæringspraksis. Helsedirektoratet anslår at inntil 60 pst. av eldre i dei kommunale helse- og omsorgstenestene er underernærte. I dette representantforslaget vert denne problemstillinga tatt opp, med forslag til tiltak for å betra denne situasjonen. I 2010 kom Helsedirektoratet med nasjonale faglege retningslinjer for førebygging og behandling av underernæring i helse- og omsorgstenestene. I retningslinjene gir ein anbefalingar og råd som byggjer på oppdatert kunnskap. retningslinjene er meint som eit hjelpemiddel, og målgruppa er personell og leiarar i både spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta. Ifølgje retningslinjene vil mykje verta vunne ved å implementera fire enkle tiltak: «1. Å vurdere ernæringsmessig risiko 2. Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling 3. Å dokumentere ernæringsstatus og -tiltak i

Alle bebuarar på sjukeheimar og institusjonar og personar som får hjelp i heimesjukepleia, skal vurderast for ernæringsrisiko ved innlegging eller vedtak og deretter kvar månad. Personar med ernæringsrisiko skal ha ein individuell ernæringsplan med dokumentasjon om ernæringsstatus, behov, inntak og tiltak. kom, og no er det varsla at dei skal evaluerast. Spørsmålet er uansett om sjukehus og sjukeheimar faktisk har implementert desse retningslinjene for god ernæringspraksis. Det hjelper lite å bruka ressursar på å utvikla nye rundskriv og nye helsevesenet ikkje har eit system som maktar å ta dei faglege retningslinjene i bruk. Komiteen skriv i innstillinga at det er godt dokumentert at